og deretter av finanskomiteen. Hauglin var en engasjert og reflektert person, opptatt av rettferdighet. I 1975 ble Sosialistisk Venstreparti dannet, og Otto Hauglin var nestleder i partiets tidlige år, fra 1977 til 1979. Da skulle ulike politiske retninger samles, og Hauglin sto for en lyttende åpenhet og med klar retning, uten å være splittende. Han ga partiet en bredde og åpenhet som et nystartet parti på venstresiden trengte. Hauglin var trygt plassert mellom et kristent livssyn og et sosialistisk menneskesyn. Han ble kontroversiell da han reserverte seg i spørsmålet om fri abort. Men partiet støttet hans rett til eget standpunkt. Hauglin var Han var med på å liberalisere abortloven og bidro til å forme loven slik at den la større vekt på sosiale forhold enn før. Datidens nye § 55 A i arbeidsmiljøloven forbød arbeidsgiver å spørre om livssyn ved nyansettelser. Hauglin fulgte opp som rektor ved Diakonhjemmet i Oslo. Han la ned forbud mot å spørre om livssyn ved ansettelser. Det kostet ham mye motstand fra de mest konservative kristne miljøene i Norge. Hauglins styrke og mot oppsummeres godt i ordene han selv valgte for å fortelle hvordan han kom seg gjennom motstanden: Jeg skrev sorgene mine i sand og risset gledene i marmor. Etter Diakonhjemmet brukte han sine evner for ulike kirkelige organer, utdanningsinstitusjoner og helsesektoren. Det fant han mye glede i. Den greske øya Hydra ble viktig for Hauglin og hans kone, Magni. Mange venner har vært på besøk hos dem der. Vi minnes Otto Hauglin for hans virke og lyser fred over hans minne.

Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt. Presidenten vil foreslå Sigvald Oppebøen Hansen. – Andre forslag foreligger ikke, og Sigvald Oppebøen Hansen anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16.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

Vi skal behandle et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet der de ber regjeringen jevnlig legge fram stortingsmeldinger om rikets energitilstand, som omhandler kraftforbruk og -produksjon i Norge, tilgangen på ulike energiteknologier, strategier for satsing på utvikling av nye energikilder og status for internasjonale energiforpliktelser. Flertallet i komiteen deler ikke forslagsstillernes syn og innstiller på at forslaget ikke bifalles. Jeg vil her argumentere for flertallets syn og forutsetter at mindretallet argumenterer for sitt. Norge er i dag en energistormakt. Det har ikke kommet av seg selv, men er resultat av aktive politiske valg. Gjennom en langsiktig og målrettet satsing på både olje, gass og fornybar energi har Norge fått en imponerende posisjon innen energi. Utnyttelsen av våre naturressurser gir overskudd og ringvirkninger for fellesskapet. Dette er en villet utvikling, basert på en helhetlig politikk som ser sammenhengen mellom energipolitikk, næringspolitikk og miljø. Samtalen om energipolitikk er sentral i Norge. Hvordan vi posisjonerer oss i en energisektor i endring, er blant de viktigste debattene i Norge og en debatt som foregår her i salen, i komiteen, i fraksjonene, i partiene og, ikke minst, ute blant velgerne. Denne regjeringen har lagt stein på stein i energipolitikken. Vi er der i dag at mye av grunnlaget for den omstillingen vi skal igjennom i energisektoren, er lagt. Vi går nå inn i en periode med store investeringer både i nett og i ny kraftproduksjon, og vi har lagt til rette for kraftkrevende industri gjennom bl.a. CO2-kompensasjonsordningen. Forslagsstillerne ønsker en egen energimelding til Stortinget for å diskutere energipolitikk. Flertallet deler ikke den oppfatningen at det er nødvendig. Utviklingen av norsk energipolitikk er blitt presentert i flere dokumenter til Stortinget de siste årene og har invitert til slik debatt, bl.a. senest i Olje- og energidepartementets budsjettproposisjon for i år. Viktige deler av norsk energipolitikk er også slått fast gjennom Stortingets behandling av Meld. St. 14 for 2011–2012 om utbygging av strømnettet, Meld. St. 21 for 2011–2012 Norsk klimapolitikk og Meld. St. 28 for 2010–2011 om Regjeringen har de siste sju årene lagt rammene for norsk energipolitikk. Det rød-grønne flertallet har bl.a. sikret det offentlige eierskapet av norsk vannkraft, noe som nå er truet av høyrepartiene, som ønsker å selge ut arvesølvet til private lagt til rette for betydelig økt kraftproduksjon gjennom elsertifikatmarkedet styrket Enova og inngått ny avtale med Enova satset på nettutvikling og opprusting av kraftnettet Energipolitikk er viktig. Derfor er det også viktig at vi debatterer energipolitikk i denne salen. Det oppfatter jeg at vi gjør, både gjennom de energipolitiske saker som blir framlagt for Stortinget fra regjeringen, og gjennom representantforslag. Jeg tillater meg også å nevne at det er ikke første gangen i denne stortingsperioden at vi behandler et forslag fra opposisjonen om nettopp dette temaet. Jeg viser til behandlingen av Representantforslag 112 S Representantforslag 112 S for 2011–2012, Dokument 8:147 S for 2009–2010 og Dokument 8:24 for 2008–2009, som alle handlet om tilsvarende tema. Flertallet i komiteen er ikke enig med forslagsstillerne i denne saken. Regjeringens energipolitikk står nedfelt i regjeringserklæringene og i de nevnte stortingsmeldinger fra denne perioden. Jeg viser til brevet fra statsråden til komiteen, hvor han skriver: «I representantforslaget hevdes det at en av de store utfordringene i energisektoren er mangelen på en overordnet, robust og langsiktig politikk. Regjeringen deler ikke denne vurderingen. Etter Regjeringens vurdering er vi nå på riktig kurs og mye er gjort i energipolitikken. Dette innebærer også at innsatsen i årene framover bør rettes inn mot gjennomføringen av politikken.» Flertallet i komiteen deler regjeringens vurdering i saken. Debatt og diskusjon om energipolitikk er viktig, men jeg opplever ikke at en forutsetning for en slik debatt er en egen energimelding. Vi har allerede i dag en god, langsiktig debatt om disse spørsmålene.

Fremskrittspartiet ønsker å styrke Norge som energinasjon. Derfor har vi igjen fremmet forslaget om at regjeringen jevnlig fremmer en stortingsmelding om rikets energitilstand. Dessverre, men kanskje ikke så veldig overraskende, ville ikke regjeringspartiene støtte oss i dette. Kanskje har det å gjøre med at statsråd Borten Moe mener at «energiutfordringene i denne nasjonen» er «løst» – fra spørretimen 14. november 2012. For oss som ikke er enig i 2012. For oss som ikke er enig i at alle energiutfordringer i nasjonen er løst, men derimot ønsker å rette blikket fremover, er en energimelding en viktig brikke. For å kunne utnytte våre energiressurser på en best mulig måte er det nemlig behov for en overordnet og langsiktig energipolitikk. Det mener vi den rød-grønne regjeringen ikke har levert. Går vi noen år tilbake, ser vi at statsråd Enoksen behovet for en energimelding, mens statsråd Åslaug Haga på sin side varslet en stortingsmelding i 2007–2008. Så kom statsråd Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet og la Hagas prestisjeprosjekt på hylla i 2008. Så snur Riis-Johansen i 2010 og varsler at en energimelding likevel kommer, og det ble satt ned et energiutvalg for å lage en NOU. Dagens statsråd, Borten Moe, mottok energiutredningen i 2012, og Olje- og energidepartementet legger fram status for energipolitikken, samtidig med statsbudsjettet, og kvitterer med dette ut energiutredningen. Det er åpenbart at regjeringen er splittet i energipolitikken, og det er energinæringen som taper på dette, på grunn av usikkerhet, rammevilkår og Det tar ca. ti år fra et stort energiprosjekt initieres, til det er ferdig utbygd. Da er det viktig at politiske målsettinger, støtteordninger, myndighetsapparat og regelverk er koordinert, slik at man unngår store forsinkelser som følge av en usammenhengende politisk tilnærming. Her mener Fremskrittspartiet at de rød-grønne har sviktet. Stortinget har i liten grad blitt invitert til å og dimensjoner som energivolum, tidshorisonter for endringer i forbruk og produksjon, kostnader samt teknologiske muligheter. Fremskrittspartiet mener at en helhetlig stortingsmelding om rikets energitilstand er nødvendig for å sikre en ambisiøs, men jordnær tilnærming som kan anskueliggjøre kortsiktig og langsiktig kraftbehov og produksjonspotensial. Det er ikke bare Fremskrittspartiet som etterlyser en energimelding. Også viktige aktører som NHO, LO, Energi Norge og flere miljøvernorganisasjoner har etterlyst en energimelding. Vi synes det er synd at regjeringspartiene ikke deler dette synet. Overordnede planer som viser sammenhengen mellom energi, miljø, infrastruktur, samferdsel, bosetting og sikkert flere andre elementer ville kunne gi regjeringen en plan å styre etter. Norske kommuner er pålagt av Stortinget å lage tilsvarende kommuneplaner og langtidsbudsjett, men regjeringen trenger ikke å gjøre det overfor Stortinget. Det oppfattes som merkelig at dagens regjering vegrer seg for å utarbeide et tilsvarende styringsverktøy. På spørsmål til de to siste olje- og energiministrene har jeg fått til svar at det er nok av byråkratiske planer, nå må arbeidene med energiprosjektene settes i gang. Slike utbygginger tilrettelegger nok regjeringen etter samme mal som på veisektoren, nemlig stykkevis og delt.

av 8. desember 2010 at en egen stortingsmelding om energipolitikk ikke var aktuelt på dette tidspunktet, men vi registrerte med tilfredshet at den samme olje- og energiministeren bare fem dager etterpå nedsatte det såkalte Energiutvalget, som skulle utrede nettopp disse temaene vi etterlyste. Høyre var fornøyd med dette grepet, og vi så frem til at regjeringen skulle legge frem en energimelding til debatt i Stortinget. Denne meldingen ble også varslet flere ganger, før disse planene ble parkert i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2013, hvor Energiutredningen på en lettvint måte ble kvittert ut av den nåværende olje- og energiministeren. Dette mener Høyre var uheldig. Mange dyktige fagpersoner står bak Energiutredningen, og dette er et godt dokument, som burde vært utgangspunkt for en mer omfattende behandling. Hvorfor er en egen energimelding viktig – eller en stortingsmelding om rikets energitilstand? Jeg vil nevne to hovedårsaker:

Våre nærmeste naboer i Europa har energipolitikk høyt oppe på agendaen og diskuterer allerede hva som skal være deres politikk frem mot 2050. I Norge lener regjeringspartiene og olje- og energiministeren seg tilbake og er tilfreds over egen politikk, og skryter av at de klarer å se helt frem til 2020. 2020 ligger åtte år frem i tid. Åtte år er lite i energipolitiske sammenhenger. Energipolitikk krever langsiktige tidshorisonter. Høyre er utålmodig etter å få debattere en helhetlig energipolitikk. Vi har stilt oss bak innføringen av elsertifikater, kanskje ikke så rart med tanke på at disse opprinnelig ble initiert av Bondevik II-regjeringen, men en helhetlig energimelding kunne lagt grunnlaget for en bedre forståelse av markedsbalansene. Vi får etter all sannsynlighet store kraftoverskudd i Norge og Norden frem mot 2020, bl.a. som følge av elsertifikatmarkedet. Hvordan skal vi benytte dette overskuddet? Hvordan dimensjonere kraftutvekslingen med utlandet for å ivareta denne situasjonen parallelt med å gripe mulighetsbildet en tettere integrasjon med Europa representerer? Høyre mener at regjeringen på mange måter går baklengs inn i fremtiden ved å redusere ambisjonsnivået på kapasitetsutvekslingen med kontinentet samtidig med å sende på høring et lovendringsforslag som vil utelukke private initiativ fra å bedre denne kapasiteten. Ifølge statssekretær Ane Hansdatter Kismuls debattinnlegg i Dagens Næringsliv nylig er regjeringen redd for at inntektene fra private kabler ikke skal kunne tilfalle fellesskapet og subsidiere sentralnettariffen. Jeg råder olje- og energiministeren til å studere høringsinnspillene som er kommet i denne saken, hvor det bl.a. vises til at staten gjennom reguleringer kan sørge for at en del av overskuddet kommer tilbake til denne type bruk – uavhengig av eierskap på kablene. I Dagens Næringsliv har også konsernsjefen i Agder Energi et innlegg som omtaler akkurat det samme.

dvs. om det er rimelig at dagens kostnadsfordeling legges til grunn, eller om vi bør se på endringer. Norsk kraftforedlende industri, som Norske Skog, Elkem og Hydro, varsler allerede at de forventer store økninger i tariffene. Det samme vil gjelde for husholdningene. Husholdningene blir mer energieffektive. Det vises bl.a. gjennom et noenlunde stabilt forbruksnivå gjennom mange år på tross av økning i antall innbyggere. Hvordan vil den enkelte strømkunde reagere når strømforbruket bare utgjør en liten andel regningen i forhold til nettleien, som den enkelte ikke kan effektivisere seg bort fra på samme måte? Hva er regjeringens svar på behovet for prosjektstyring, prioritering og kostnadskontroll på de enorme investeringene fremover? Jo, bl.a. nedleggelse av Statnetts brukerråd, som ga industrien og kundene en mulighet for innsyn og påvirkning. I tillegg er svaret manglende vilje til å se på strukturen i eierskapet til de mange nettselskapene på underliggende spenningsnivå.

som er dratt opp i Meld. St. 14 for 2011–12 om utbygging av strømnettet, Meld. St. 21 for 2011–2012 om norsk klimapolitikk og Meld. St. 28 for 2010–2011 om petroleumsvirksomheten. I tillegg fins det en omfattende status i utviklinga av norsk energipolitikk i St.prp. nr. 1. Fremskrittspartiet har jo en front mot byråkrati. På den andre sida er det ikke noe parti som krever så mange utredninger som nettopp Fremskrittspartiet. Utredninger legger sterkt beslag på administrative ressurser. Av og til er det veldig viktig for å klarlegge veien videre, men vi skal selvfølgelig være kritiske og ikke lage stortingsmeldinger når vi har hatt mange meldinger og en politikk vi er i ferd med å implementere. Det er begrunnelsen for at de rød-grønne partiene sier nei til forslaget, sjøl om det godt kan være aktuelt seinere å lage en slik melding. Jeg vil oppfordre Fremskrittspartiet til å rette debatten mot politikken, ikke mot krav til utredninger, som egentlig bare avslører mangler ved egen politikk. De sier de vil styrke Norge som energistormakt og vil vite hvordan. Det er det arbeidet som vi nå er i gang med: å styrke Norge som energistormakt.

varsla utfasing av fyring basert på fossile brensler, ein har hatt ei storstila satsing på fjern- og nærvarme og har varsla og er i gang med ei storstila satsing på nett. Det er altså eit fokus på energi, produksjon av energi, framføring av energi og bruk av energi til næringsmessig og miljømessig gode formål som vi ikkje har hatt liknande av under noka tidlegare regjering. Derfor blir det rart å høyre representantar frå opposisjonen framstille det frå denne talarstolen som om vi omtrent ikkje diskuterer energipolitikk i denne salen. Det er ikkje riktig. Satsinga har vore tydeleg. Også på forsking har satsinga vore større enn nokon gong. Ein har oppretta FME-ar på dei ulike satsingsområda, ein har prioritert å lyfte forskinga på fornybar energi opp på om lag same nivå som petroleumsforsking, og både innanfor forsking på fornybar energi og innanfor petroleumsforsking skjer det teknologiutvikling i landet vårt som er heilt i verdsklasse. Vi skaper nye løysingar. Dette er også klimamessig riktig. Er det noko vi som nasjon kan bidra med, er det nettopp å få fram dei løysingane som er med og bidreg til overgangen frå det fossile til det fornybare energisamfunnet. Dette må vi vere stolte av. Dette er ein politikk som er vilja. Dette er ein raud-grøn politikk, men som også har støtte frå fleire parti i denne salen. Så blir det som sagt prøvd skapt eit inntrykk av at vi ikkje debatterer heilskapen i energipolitikken i Stortinget, men det vil eg meine at vi gjer. Vi gjorde det sist i budsjettdebatten for nokre dagar sidan. Og det er iallfall sånn at opposisjonen har alle moglegheiter til her å presentere ein alternativ kurs til dagens energipolitikk. Det gjer ikkje opposisjonen. Det einaste ein klarer å samle seg om – igjen – er altså eit krav til regjeringa om å leggje fram nye papir og dokument for denne salen. Det er vel og bra, det. Men det er ni månader til neste val, og kanskje er det no fyrst og fremst på tide at opposisjonspartia blir konkrete på kva dei meiner bør vere løysingane i energipolitikken. Kva er det som skil den politikken ein frå opposisjonspartia ynskjer, frå dagens politikk? Kva er opposisjonen sine prioriteringar, sine løysingar og sin alternative politiske kurs? Det har vi førebels ikkje sett.

vinnersak. Det fikk meg til å tenke tilbake på da Åslaug Haga startet som olje- og energiminister: det engasjementet, den gøtsen, hun hadde for å gjøre dette feltet til en vinnersak, men også for å se sammenhengene mellom oljepolitikk og energipolitikk og de mulighetene som ligger i ny fornybar energi. Så husker vi da Åslaug Haga måtte gå av og Terje Riis-Johansen kom. Da hadde han et behov for å rydde pulten, og energimelding ble vraket. Så ble det masse kritikk, og han valgte å sette ned et offentlig utvalg, som senere kom med NOU-en, som jeg opplever at Borten Moe ganske enkelt har valgt å utkvittere. Det handler ikke om et behov for å få dokumenter til Stortinget som vi skal sitte og lese, eller at byråkratiet skal produsere dokumenter, men det handler om å se visjonene. Argumentene til Terje Riis-Johansen da opposisjonen etterspurte en energimelding, var at det var noen milepæler som måtte på plass først. Det interessante er at når en leser svarbrevet fra statsråden og har hørt argumentasjonen tidligere, er alle milepælene på plass, og dermed er det ikke behov for en energimelding. Altså de argumentene som før tilsa at vi måtte vente med en energimelding, brukes nå for at det ikke er behov for en energimelding. Fram til denne regjeringen overtok, var det en energimelding i hver stortingsperiode. Den siste energimeldingen kom i 2003. Jeg mener det er viktig for Stortinget at en får sånne typer dokument, fordi en ser helheten, en ser sammenhengene i energipolitikken, og Stortinget må gå grundig inn og diskutere på bakgrunn av det som regjeringen gjennom et apparat, et departement, legger fram for Stortinget. Nå løftes de diskusjonene ut av Stortinget og opp i regjering. Så er det riktig som statsråden skriver i brevet, at det har kommet store saker, at det har vært nettmelding, at det har vært petroleumsmelding, at det har vært elsertifikater osv. Det er riktig, men sammenhengen savner vi. Fra Kristelig Folkepartis side er det viktig å ha en sånn melding. Jeg kan være enig med Erling Sande i at tidspunktet nå nødvendigvis ikke er det riktigste, for jeg skjønner at når NOU-en er skrinlagt, vil det være vanskelig å få fram en melding. Men for Kristelig Folkepartis del hadde det vært viktig å diskutere dette, nettopp fordi vi ønsker å se en større sammenheng mellom de målene vi har for klima, og de planene som er vedtatt for oljepolitikk, og de utfordringene som ligger i miljøvern kontra utbygging av ny kraft. kraft. Så er det også en annen diskusjon som jeg synes det hadde vært veldig spennende å kunne løfte i en sånn melding. Det er: Hva skal vi bruke kraftoverskuddet til, det overskuddet som vi vet kommer til å komme? Er tanken at vi kun skal selge det til utlandet, er ikke det den intensjonen Kristelig Folkeparti hadde. Vi ser muligheter og potensial til å skape nye arbeidsplasser i grønn industri ved det fortrinn vi har eller f.eks. elektrifisering av visse deler av sokkelen, som et annet moment. Jeg ser også gjennom oppslag i media at det er utfordringer for regjeringen ved å se sammenhengen. Da Heidi Sørensen gikk ut og sa at elsertifikater var det politiske vedtaket hun angret mest på, var jo det utfordringer knyttet til miljøvern og subsidiering

må vi ha klare mål for hvordan og når, og dette må synliggjøres i en sammenheng – slik flere har vært inne på her i debatten – og gjøres til gjenstand for politisk debatt. Det blir vanskeligere uten en melding, slik Venstre ser det. Venstre ønsker som sagt en energimelding. Selv om det sannsynligvis blir nedstemt her i dag, er jeg sikker på at en ny regjering vil komme tilbake til et slikt forslag etter valget neste høst.

Tvert imot mener jeg at vi nå har fått på plass de viktige rammevilkårene for den norske energisektoren i årene som kommer. Nå er tiden inne for gjennomføring og operasjonalisering av allerede vedtatt politikk. Regjeringen la for kort tid siden fram et vedlegg i forbindelse med budsjettet for 2013. Dokumentet gir en bred gjennomgang av regjeringens energipolitikk, både når det gjelder hva som er oppnådd så langt, og hva som er perspektivene for energipolitikken i årene framover. Sånn sett mener jeg at regjeringen allerede har lagt fram sitt syn på rikets energitilstand. Som det framgår av dette vedlegget, har regjeringen gjennomført en rekke tiltak i denne perioden. Vi har fått på plass en sterk opptrapping i Enova. Det er gjennomført omfattende tiltak for å bedre forholdene i strømnettet; vi skal sågar behandle den konkrete lovoppfølgingen senere i dag. Det er gjennomført en betydelig styrking og effektivisering av konsesjonsbehandlingen, noe som har bidratt til en sterk økning i omfanget av konsesjoner. Samlet har regjeringens politikk bidratt til å gjøre det norske kraftsystemet mindre sårbart for svingninger i kraftproduksjonen, og også regionalt har

Det er gjennom petroleumsmeldingen og klimameldingen trukket opp en politikk for å legge til rette for kraft fra land til olje- og gassvirksomheten, og gjennom nettmeldingen har regjeringen fastlagt politikken for utbygging og reinvesteringer i det sentrale overføringsnettet. Det er også lagt fram en handlingsplan for fornybardirektivet, hvor det gjøres rede for hvordan Norge skal nå målet om en fornybarandel på 67,5 pst. i 2020.

betydelige mengder konsesjoner som fremdeles skal gis, både til enkeltprosjekt innenfor vann og småkraft, til vind, og ikke minst til framføring av linjer. Det kommer til å kreve mye både av energimyndighetene og av energibransjen. Men at rammevilkårene nå er lagt på en god måte, at bransjen vet hva man har å forholde seg til i årene som kommer, og at man har tatt sunne investeringsbeslutninger på bakgrunn av det, er min klare oppfatning. Innsatsen må nå rettes inn mot en vellykket gjennomføring av den energipolitikken som skal forme

Så mitt spørsmål til statsråden er: Hvilke ambisjoner har statsråden på vegne av energinasjonen Norge for perioden 2020–2050? Jeg mener jo at de beslutningene vi gjør nå, peker mye lenger fram i tid enn året 2020. Den kapasiteten av ny fornybar energi som vi nå investerer inn, vil selvsagt virke og bidra til et trygt og godt og miljøvennlig energiforsyningssystem også i årene etter 2020 – den infrastrukturen som bygges på nett, på fjernvarme og på energieffektivisering likedan. Jeg mener med respekt å melde at vi har et mål om å bli et stadig mer fornybart samfunn, et samfunn som skal ha en trygg og god energiforsyning, et samfunn som legger til rette for verdiskaping, arbeidsplasser og utvikling i hele landet. Alt dette er ikke bare kompatibelt, men også utledet av de konkrete vedtakene, de konkrete meldingene og de konkrete diskusjonene vi har gjennomført i energipolitikken i tiden som har ligget bak oss. Jeg er litt usikker på om jeg synes at svaret til statsråden var spesielt ambisiøst. Den saken og

både innenfor eksisterende kraftforedlende industri og nye områder som datalagring osv. Hvordan tenker statsråden å utnytte det mulighetsbildet som vår nærhet til Europa representerer, i et Europa som diskuterer hvordan de skal legge sine energibrikker frem mot 2050? Hvilken rolle tenker statsråden at norsk industri og norsk energi skal ha med hensyn til det store markedet og det store mulighetsbildet som Europa representerer? Disse svarene har ikke statsråden på noen måte gitt, og i mitt hode betyr det at en ikke er opptatt av å bruke handlingsrommet og ha gjennomføringskraft nok til å utnytte dette mulighetsrommet. Snarere tvert imot: Denne regjeringen har en svært ambisiøs politikk på vegne av norsk industri og verdiskaping. Det kommer ikke bare til uttrykk gjennom den konkrete energipolitikken, norsk industri vil stort på både bedre forsyningssikkerhet, en tryggere tilgang og i stort en langt større tilbudsside enn det som har vært tilfellet i årene som har gått. Det vil legge gode rammevilkår for reinvesteringer og nyinvesteringer i norsk industri. Så er jeg helt sikker på at representanten Meling heller ikke ønsker at det er vi her i Stortinget som skal vedta konkrete industriprosjekt. Det er selvsagt industrien nødt til å stille opp Men rammene for en slik utvikling mener jeg er lagt på godt vis. Så går vi mot en framtid der det norske energiforsyningssystemet blir stadig mer integrert i energiforsyningssystemene rundt oss. Det legger også regjeringen til rette for gjennom en stor satsing på ny utvekslingskapasitet. Det skulle det ikke være grunn til å sette spørsmålstegn

om et grønt batteri som utjevningskraft og de effektene det vil ha på privatkonsumentene, ikke minst når det gjelder prising – også for industrien? Dette er jo altfor vanskelig for lekfolk å forstå. Man hører om det, men man har ingen anelse om hva det vil bety for den enkelte.

vedtatt. Derfor ønsker jeg bare å spørre ham helt enkelt: Hva tenker han å bruke det kraftoverskuddet som kommer, til? Det er sånn i en liberal markedsøkonomi som den norske, at det er verken regjeringen eller Stortinget som bestemmer hva et eventuelt kraftoverskudd skal brukes til. Det skal rett og slett klareres ut i markedet og gå til gode formål – verdiskaping grunnlag for gode liv over hele landet. Siste replikk går da til representanten Siri A. Meling, og presidenten ser ikke bort fra at spørsmålet kan følges opp. Det skulle jeg gjerne ha gjort, men mitt spørsmål går i en litt annen retning – tilbake til utvekslingskapasiteten med utlandet. men mitt spørsmål går i en litt annen retning – tilbake til utvekslingskapasiteten med utlandet. Spørsmålene mine til statsråden er: Er det riktig at statsråden er bekymret for at inntektene fra disse mellomlandsforbindelsene ikke skal kunne gå til fellesskapet eller til utjevning av sentralnettariffen, og at det er det som gjør at regjeringen har redusert ambisjonsnivået når det gjelder kapasiteten på utbyggingen som nå Kan statsråden også bekrefte at han har sett på disse høringsinnspillene som har kommet og de henvisningene som er gjort med hensyn til å regulere regimet på en måte som gjør at en henter hjem en del av dette overskuddet, også om det skulle være private eiere som sto bak, og at det kan benyttes til å subsidiere sentralnetttariffen i Norge?

Man vil se når man gjør opp status, at det aldri tidligere har vært noen som har satset så mye, verken på nettutbygging eller på utvekslingskapasitet med utlandet. Senest i år er det signert to avtaler, én med England og én med Tyskland, og jeg er sikker på at representanten Meling er klar over etableringen av nye utenlandsforbindelser med disse to landene. I tillegg bygger vi nå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 minutter. Presidenten tillater seg å minne om at så langt er det ikke framsatt noe alternativt forslag til den innstillingen som foreligger. Verda står overfor store utfordringar i energisektoren, både for å halde ved lag energiforsyninga og for å redusere klimagassutslepp. Sikker tilgang til energi er nødvendig for å sikre fortsatt økonomisk vekst og utvikling. Spesielt er dette viktig i ei tid då mange land slit økonomisk, også i Europa. Nyleg presenterte World Economic Forum rapporten som fortel at Noreg er best posisjonert til å tilpasse seg ny global energistruktur. Ifølgje organisasjonen treng verda ein ny energiarkitektur for å møte ein global energietterspørsel som kjem til å auke med 25 pst. dei neste 20 åra. Organisasjonen peiker på at verda treng investeringar på rundt 215 billionar kroner, altså over 215 000 mrd. kr for å byggje opp eit nytt energisystem. Men Noreg er altså det landet som er best tilpassa desse endringane. Energipolitikken må derfor få ein større plass i den politiske debatten i Noreg for åra framover mot 2050 enn han har i dag. Representanten Erling Sande seier at kravet om energimelding kjem fordi opposisjonen meiner vi ikkje diskuterer energipolitikk i det heile her på Stortinget. Jau, vi diskuterer det, vi diskuterer det stykkevis og delt – fragmentert – og ser ikkje heilskapen i det. det. Når også representanten Lars Egeland frå SV er ueinig i kravet om ei energimelding, er han altså ueinig med alle sine venner i miljøorganisasjonane – kvar einaste ein – i tillegg til NHO og LO. Økonomisk vekst og utvikling i energiforbruket heng nøye saman, og i åra framover vil energipolitikken bli stilt overfor viktige val, for vi ser ei blanda utvikling for dei forskjellige energikjeldene, som vasskraft, bioenergi, solenergi, geometrisk energi, havenergi, for å nemne nokre av dei. Spørsmåla er mange, og utfordringa framover er å få til ein heilskapleg bruk av dei ulike energiteknologiane, slik at ein møter energibehovet i nasjonen på ein miljøvennleg og kostnadseffektiv måte. Framstegspartiet meiner at regjeringa ikkje tek energipolitkken på tilstrekkeleg alvor når ein meiner at det ikkje er behov for ei overordna energimelding i ei overordna energimelding i Noreg. Ei energimelding om rikets energitilstand vil vere eit viktig strategidokument for å seie noko om kvar vi er og kvar vi skal. Derfor fremjer vi sak om dette i dag. Som nemnt tidlegare, er vi slett ikkje åleine om dette kravet – det er mange. Heilt til slutt nokre ord om påstandane om eit såkalla sal av arvesølvet. Dette er ein oppkonstruert debatt, ein kunnskapslaus debatt, spesielt når vi veit at dette

godt kjent med fra tidligere tider? I budsjettet for 2013 varsler statsråden at han avlyser den varslede energimeldingen. Logikken som statsråden brukte, var den motsatte av den Terje Riis-Johansen brukte da han var energiminister. Terje Riis-Johansen mente vi måtte bruke de første og så skulle vi ende opp med en energimelding om veien videre. Nå når beslutningene er tatt, er altså logikken også snudd: fordi beslutningene er tatt, trenger en ikke en diskusjon om veien videre. Det viser jo hvorfor en burde ha en energimelding – nettopp for å diskutere strategi – for regjeringen vingler jo verre enn noen andre rundt disse standpunktene. De burde snart få det festet på papiret og lagt det fram for Stortinget og faktisk få gjort et vedtak. Jeg minner om at tidligere energiminister Åslaug Haga ved utgivelsen av sin bok nylig sa at hun ikke forsto hvordan denne regjeringen kunne føre dagens energipolitikk, i lys av den energipolitikken hun hadde ført. Jeg har selv sittet i energi- og miljøkomiteen i seks og et halvt år, og jeg var vant med å måtte kjempe med en energipolitikk som lå langt til venstre for meg. Nå føler jeg at jeg av og til kjemper mot en energipolitikk som ligger godt til høyre for meg. Det viser litt hvor romslig denne regjeringen tolker Soria Moria-erklæringen. Enkelte i denne debatten har sagt at Soria Moria-erklæringen er deres energimelding. Ja, vel: Men Soria Moria-erklæringen skulle altså rense Kårstø inne 2009, Soria Moria-erklæringen sa ingenting om å rense Mongstad. Soria Moria-erklæringen sa at grønne sertifikater ikke skulle ha vannkraft, men likevel har det blitt sånn. Denne regjeringen har endret på masse politikk i forhold til Soria Moria-erklæringen. Nettopp derfor burde man ta opp dette i Stortinget slik at man faktisk fikk et vedtak på det – ikke bare at det avhenger av dagsformen til den sittende statsråd. Vi har fått mange meldinger, er det noen som har sagt. Da tror jeg at de får drømme seg tilbake til komiteer de har sittet i tidligere, for det har vært to stortingsmeldinger som har omhandlet energipolitikk på åtte år. Den ene er en melding om strømnettet som ble framlagt i fjor. Den andre er en St.meld. nr. 11 for 2006–2007. Den er veldig ressursvennlig, for den er bare på to ark. Men det er altså den ene av to stortingsmeldinger som har blitt framlagt fra denne regjeringen. Til orientering er alt som står i denne meldingen avlyst av den samme regjeringen som la den fram. Nettopp derfor bør en ha en stortingsmelding som blir vedtatt og som ligger fast over tid. Representanten Sande klarer ikke å se opposisjonens alternativer. La meg minne om at i denne komité har opposisjonspartiene samlet fremmet 150 representantforslag. Hvis en ikke får med seg at opposisjonen har noen synspunkter om energi- og miljøpolitikk, bør en begynne å lese det opposisjonen faktisk fremmer. I dag er det to år, to dager og 20 minutter siden forrige olje- og energiminister sa at en skulle lage en energimelding. Da var representanten Sande kjempefornøyd og sa at dette var et godt steg inn i framtiden, og da kunne Stortinget begynne å diskutere helheten i dette. I dag argumenterer en stikk motsatt. Det viser hvorfor en bør ha en energimelding som faktisk blir vedtatt i Stortinget – og ikke bare snakket om. Representanten

politikk. Jo, vi har en egen politikk, men samspillet mellom de forskjellige elementene i en sånn plan er så komplekse at det ikke er opp til politikere i denne sal å lage forslag som skal være det som regjeringen styrer etter. Disse planene må komme fra regjeringen, og det er det vi etterlyser. Representanten Sande sier at vi i opposisjonen ikke har noen plan. Vi har masse forslag, men en samlet plan har vi ikke – noe verken Fremskrittspartiet eller Senterpartiet alene greier å utarbeide. Det er for komplekst, det er dette vi etterlyser. Jeg deler statsråd Borten Moes syn om at det er laget veldig mange utredninger, men de er ikke samlet. Man kan ikke klare å trekke linjene mellom de forskjellige elementene. I hvert fall klarer ikke vi i Fremskrittspartiet å gjøre det, og da vil vi gjerne ha hjelp og se om vi kan diskutere det i salen gjennom en melding. Jeg tror nemlig det er likt i alle partier, en greier ikke på det grunnlag som foreligger i dag å trekke de klare linjene for fremtiden. Det er det vi

er en utrolig passiv tilnærming til saken. Nå har staten gått inn med elsertifikater og med en kraftig subsidiering av strømkundene fordi en har hatt et ønske om å bygge ut mer kraft. Det er i alle fall Kristelig Folkepartis ønske at man skal konvertere fra fossil energi og over til fornybar energi. Derfor vil f.eks. prosjekter som er mulig å elektrifisere, være viktig. Derfor vil en konvertering til el på bil være viktig, og derfor vil en større satsing for å få mer grønn energi, være viktig. Derfor vil lagring av datatrafikk, som også andre har vært inne på, være viktig osv. Den type tankerekke etterlyser jeg at statsråden kommer med, enten skriftlig eller i alle fall at det blir trukket opp noen visjoner i den retningen – også her i salen. Hvis ikke etterlater han et inntrykk at målet med å bruke penger på å utvikle mer fornybar energi, er kun å sende den videre til Europa. Det er interessant at det kommer fram i dag. Eg skjønte av representanten Solvik-Olsen sitt innlegg at eg må ha tråkka på ei øm tå, som det heiter. Det er

dei består i å be regjeringa fremme ei heilskapleg norsk plan for norsk vindkraftutbygging, be regjeringa legge fram ein samla plan for norsk vasskraftsatsing, be regjeringa leggje fram ein plan for energieffektivisering. Det handlar om at det einaste ein samlar seg om, er å få lagt fram nye meldingar frå regjeringa slik at ein kan debattere dei. På den måten unngår ein å diskutere det som er viktig, nemleg innhaldet i politikken og diskutere det som er viktig, nemleg innhaldet i politikken og innhaldet i det alternativet som opposisjonen samla står for. Eg utfordra i stad, og eg kan gjerne gjenta den utfordringa til Solvik-Olsen og andre: Presenter frå denne talarstolen det innhaldet i politikken som vil være ulikt dersom ein får ei anna regjering frå neste haust. Kva vil vere tiltaka, strategiane – som ein samla opposisjon står bak – som skil seg frå den politikken som er førd av denne regjeringa dersom ein får ei ny regjering? Representanten

Vi har også noe som henger i luften og som vil komme. Derfor er det siste halve året av inneværende periode rett og slett ikke tidspunktet for å bruke tid på å lage en energiutredning. Dette er altså ikke et prinsipielt nei til en energiutredning, men vi må bruke tid på å implementere den politikken vi nå jobber med. Da vil jeg gjenta:

nå. Representanten Rudihagen, som er til stede, sa: varslar no statsråden i pressemeldinga at det vil bli lagt fram ei energimelding.» Videre sa han: «Dette er veldig bra, og dermed vil Stortinget få ei moglegheit til å diskutere framtidig politikk og strategi på energisektoren på ein brei måte.» Representatnten Serigstad Valen, som er forgjengeren til dagens Egeland, sa: «Jeg er glad for at regjeringen kommer dem som lenge Representanten Sande sa: «Og no er ei god tid for å gjere det som regjeringa gjer, nemleg å starte arbeidet med ei omfattande melding og ei kunnskapsinnhenting i forkant av ho.» Forrige statsråd sa: «Det vil derfor bli fremmet en stortingsmelding om energipolitikken, slik at Stortinget får anledning til å diskutere nettopp disse overordnede linjene og vår framtidige energipolitikk.» Hva er det som har endret seg? Jo, vi har fått nye Det er den samme regjering og samme regjeringsplattform. Men nå er det nye folk og da er standpunktene er helt annerledes. Det i seg selv illustrerer hvorfor denne regjeringen burde hatt en energimelding som ble vedtatt i denne sal, sånn at endring av mannskap ikke betyr endring av politikk. Det er jo det en energimelding skal handle om. En synes altså det er kjempeviktig å ha en melding om norske bibliotek, derfor legger regjeringen det fram for Stortinget. En har stortingsmeldinger om nesten alt i denne verden – i hvert fall i Norge men akkurat energipolitikken, som er et av fundamentene for vår økonomi, skal vi ikke ta en diskusjon på. Det blir ganske meningsløst. Det er ikke fordi det kun er opposisjonen som ser dette behovet. I 2008 lovte Åslaug Haga en energimelding om alt – til og med oljeindustrien skulle inn i energimeldingen. I 2010 lovte Terje Riis-Johansen det. Hvorfor er det behov for dette? Ikke fordi vi synes det er kjekt med utredninger. Representanten Egeland: Vi ber ikke om en utredning. Energiutvalget har laget utredningen. Vi ønsker å få politikkerklæringen inn i dette Stortinget, så vi faktisk kan vedta veivalgene framover. Det vi har fått i statsbudsjettet, er ikke et veivalgdokument, det er en statusoppdatering, og det er det en stor forskjell på. Hvor skal vi videre? Hvordan skal vi løse utfordringene våre? Det må vi få diskutert. Hvorfor er det viktig? Jo, fordi denne regjering opprettholdt f.eks. målet om 3 TWh vindkraft i lang, lang tid. lovte de at 3 TWh vindkraft i 2010, det skulle vi få til. Så kom 2010, og målet ble bare lagt på is. Nå ser vi det med grønne sertifikat: Det er ikke identisk med det som skjer i Sverige. Det er mye som tyder på at det er mer interessant å investere i grønn energi i Sverige enn i Norge. Vi har fått én investeringsbeslutning i Norge etter at grønne sertifikat ble vedtatt – én. Det er ikke godt nok med tanke på de målene vi har hatt. hatt. Det er veldig hyggelig når statsråd Ola Borten Moe nå skryter av at han har den mest offensive satsingen på utenlandskabler som noen gang har funnet sted fra Norge, mens han som stortingsrepresentant ville kutte kablene til utlandet. Det sier hvorfor dette burde vært forankret i Stortinget og ikke hos en enkelt person. For å fortsette der representanten Solvik-Olsen slapp: Det vil si at statsråden da har hatt en god

også samlet står bak. Det vil representanten Sande også se i diverse innstillinger og merknader. Vi har nettopp behandlet et budsjett hvor opposisjonen sto samlet om veldig mye. Vi har levert flere representantforslag som samlet opposisjon, og vi skal behandle disse over jul. Representanten Sande skal få rikelig anledning til å få innsikt i opposisjonens tanker rundt energipolitikk fremover, i tillegg til det som allerede er levert. Mitt andre poeng: For å understreke vil jeg litt tilbake til dette med kraftutveksling med utlandet. Når jeg sier at regjeringen har redusert ambisjonsnivået, er det med bakgrunn i Statnetts nettutviklingsplan fra 2010, hvor de fremmet tanker om en kapasitetsutbygging på 7 000 MW. Denne ble halvert, og jeg sto på denne talerstolen og kritiserte statsråden for dette. etter siste justering av nettutviklingsplanen, men det er allikevel langt til de opprinnelige ambisjonene om å bygge ut kapasiteten med 7 000 MW. Jeg mener jeg har mine ord i behold når jeg sier at denne regjeringen har redusert ambisjonsnivået. Samtidig er det riktig at vi bygger mye, heldigvis – for sent, men det kommer seg – men det er ikke nok det mulighetsbildet disse endringene som nå skjer på energiområdet i Europa representerer, og de mulighetene som norske aktører vil ha med en tettere integrasjon mot Europa, i tillegg til at vi skal benytte kraftoverskuddet til industriutvikling og skape verdier basert på industriell aktivitet også i Norge. Som det er sagt: Angrep er det beste forsvar. Eg registrerer at opposisjonen ikkje i det heile svarar på den utfordringa representanten

det norske folket få høyre kva alternativet er på dette området. I staden ropar ein på nye utgreiingar, nye meldingar og kva regjeringa sin politikk er, slik at det er det som kjem i fokus. Representanten Ropstad utfordra statsråden på kva ein vil gjere med overskotet av den nye energien ein ser for seg framover mot 2020–2030. Samtidig seier representanten Ketil Solvik-Olsen at dei grøne sertifikata ikkje har utløyst eller vil utløyse ei ny utbygging i Noreg. Tvert imot vil det bli investert i Sverige. Til det siste: Det er jo aldeles for tidleg å dømme det. Det er ein enorm auke i behandlingskapasitet for NVE, slik at eg er bombesikker på at dei grøne sertifikata vil utløyse ein god del ny fornybar energi kanskje halvparten av dei 27 TWh som ein har felles ambisjon om i Noreg og Sverige. Eg trur òg det vil vere med å gjere samfunnet vårt mykje meir klima- og miljøvennleg. Det er mogleg å erstatte mykje fossil energi med ny fornybar, rein energi. Det er mogleg å få ein enda meir ambisiøse og offensive på det området. Det er mogleg å fokusere meir på elektrifisering av sokkelen, og ikkje minst er det mogleg å eksportere straumen og vere med og bidra til ei god kraftutveksling mot Europa, som da også satsar mykje på vind og vind og solenergi, slik at det er behov for å balansere det opp mot magasineringa som vasskrafta kan stå for. Til slutt: Det er mogleg at vi i staden for å eksportere elektronisk kan eksportere f.eks. aluminium. Kraftkrevjande industri i Noreg har til dei grader bruk for den nye, fornybare energien, så det bekymrar meg ikkje i det heile at vi vil få eit stort overskot av ny fornybar energi i tida framover. Representanten Ketil Solvik-Olsen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Forslaget her handler om prinsippet om en skal ha en energimelding eller ikke, og da er det naturlig at en diskuterer det prinsippet. Men jeg tar invitasjonen, og vi kan love at det blir en interpellasjonsdebatt etter nyttår om innholdet i energipolitikken, så skal vi få diskutere det også. Hver sak har sin agenda. Jeg synes også representanten Rudihagen illustrerte behovet for energimelding, for han snakket om alt vi kan, alt det er muligheter for, alt han tror på, men ingenting om nøyaktig hvor det er regjeringen vil med dette. Vi ser også alle potensialene, men det er jo derfor fordi de har sju og et halvt års erfaring med vingling. Nettopp derfor burde en få ting slått fast. La meg ta et eksempel: Kraftlinjen Ørskog–Fardal. Statnett var i Ålesund i mai 2006 og sa at den kan stå ferdig i 2011. Samtidig gikk daværende energiminister Odd Roger Enoksen ut og sa at det ikke er sikkert vi trenger det, for vi kan bygge gasskraftverk. Dermed ble ting utsatt og påbegynnes kanskje nå.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

Intensjonen med dette punktet er en oppfølging av Meld. St. 21 for 2011–2012 Norsk klimapolitikk, der Stortinget i innstillingen ba om at regjeringen skulle komme tilbake med et mål for energieffektivisering i bygg i løpet av 2012. Det var lenge noe uklart hva som faktisk ligger i denne proposisjonen når det gjelder mål for energieffektivisering i bygg. Regjeringen omtaler en målsetting om 15 TWh energieffektivisering innen men dette viser seg ved nærmere spørsmål til statsråden og svar til komiteen utelukkende å være en effekt regjeringen kalkulerer med ut fra allerede vedtatt politikk, og at selve målet de mener å presentere for energieffektivisering i bygg, er følgende – jeg siterer fra statsrådens svarbrev til energi- og miljøkomiteen datert 12. desember 2012: «Regjeringa sitt overordna og langsiktige mål er at nye bygg skal vere berekraftige med eit lågt avtrykk på miljø i heile byggets levetid. Fram mot 2040 vil regjeringa leggje til grunn ei tenking for bygg der materialar, forbruk av energi og vatn, innemiljø, forureining, transport og avfall vert sett i ein helskapleg samanheng. Regjeringa sin ambisjon er at energibruken i bygg per kvadratmeter skal vere vesentleg lågare i 2040 enn i dag.» Jeg regner med at regjeringspartiene i debatten vil redegjøre for flertallets innstilling i denne Høyre og de andre opposisjonspartiene oppfatter ikke dette som et svar på Stortingets bestilling, og jeg har forståelse for at statsråden valgte å presentere dette såkalte målet i form av en pressemelding en fredag ettermiddag. Ingen kan være uenig i en ambisjon om at energibruken i bygg per kvadratmeter skal være vesentlig lavere i 2040 enn i dag, og vi har allerede vedtatt en politikk som vil bidra til dette, bl.a. gjennom det siste klimaforliket i Stortinget våren 2012,

Fokus på energieffektivisering har både en miljøside og en økonomisk side, men det betyr også noe for fremveksten av ny teknologi og smarte løsninger. Ved å sette et ambisiøst mål for energieffektivisering med tilhørende virkemidler ville vi kunne utfordre norske kompetanse- og teknologimiljøer ved å skape et krevende hjemmemarked for denne type produkter og løsninger. Energieffektivisering handler også om industriutvikling, arbeidsplasser og verdiskaping. Regjeringens målsetting eller ambisjon er ikke god nok. Høyre og de andre opposisjonspartiene ønsker et mål som er tydelig, kvantifiserbart og mulig å etterprøve. Vi fremmer derfor forslag i tråd med dette. Jeg vil også påpeke at den beregnede effekten på 15 TWh energisparing i bygg frem mot 2020 som et resultat av allerede vedtatt politikk, også fremstår noe underlig i lys av at fagmiljøer som Arnstad-utvalget og Lavenergiutvalget mener 10 TWh i energieffektivisering frem mot 2020 ville være ambisiøst. Ulike miljøorganisasjoner har bedt om at målet settes til 8 TWh – mens regjeringen altså mener at vi skal oppnå 15 TWh uten nye virkemidler. Etter spørsmål fra komiteen har statsråden redegjort for hvordan fordelingen av disse 15 TWh skal være for kategoriene privatboliger og næringsbygg samt for nye og eksisterende bygg. Jeg må nok tillate meg å påpeke at den forventede effekten på energieffektivisering i eksisterende bygg synes optimistisk uten nye virkemidler. Blant annet er det bare om lag 1 pst. av bygningsmassen som skiftes ut årlig. Det betyr at mye må tas innenfor eksisterende bygningsmasse, ikke minst hos husholdningene. Vi hadde forventet målrettede tiltak mot denne gruppen, både fordi den representerer et stort potensial, og fordi den ikke har særlige stimulerende tiltak innenfor det eksisterende virkemiddelapparatet – til tross for at husholdningene og fritidsboliger til sammen har bidratt med om lag 2,9 mrd. kr til Energifondet, som disponeres av Enova. En effekt på 15 TWh er også noe løselig så lenge regjeringen ikke presenterer en referansebane denne effekten kan vurderes opp mot. Det fremmes derfor forslag om at en slik referansebane fremlegges for Stortinget i løpet av våren 2013. Jeg må dessverre konkludere med at regjeringen ikke har fulgt opp klimaforliket

Det blir ofte sagt at den reinaste og grønaste energien er den vi ikkje bruker. Eg meiner det er mykje sant i det. I Noreg bruker vi for mykje energi, spesielt til oppvarming av bygg, men òg i industrien. Energibruken til drift av bustader og næringsbygg, dvs. lys, varme og elektrisk utstyr i bygningar, utgjer 37 pst. av energibruken innanlands. Energibruken i bustader og fritidshus er Derfor er eg veldig glad for at det raud-grøne fleirtalet over tid har fått på plass gode og målretta tiltak for auka energieffektivisering. Gjennom energikrava til produkt og i teknisk forskrift, gjennom Enova og Husbanken har regjeringa fått på plass omfattande verkemiddelapparat. Med bakgrunn i desse tiltaka meiner regjeringa det er realistisk, men ambisiøst, å nå 15 TWh energieffektivisering innan 2020. 15 TWh er betydeleg. Opposisjonen rettar kritikk mot regjeringa for at dei ikkje har eit ambisiøst mål, men eg meiner at viss ein kan oppnå 15 TWh med dei tiltaka som allereie er sette i gang, og som vil verke framover, må det vere enda betre enn å ha nokre mål. For framtida er det jo enda betre enn å ha nokre mål. For framtida er det jo veldig viktig at vi allereie er i gang med å få ei slik energieffektivisering. Noreg er i dag blant dei landa som har dei strengaste krava til energibruk i bygningar. SINTEF Byggforsk skriv: «Når man korrigerer for ulikt klima i de forskjellige land, er det en gruppe med fire land som utpeker seg Vidare kan vi lese: «Norge har totalt sett det strengeste minstekrav til U-verdi for enkelte bygningskomponenter i Europa, trolig også verden, like foran Sverige.» I eit brev frå Olje- og energidepartementet datert 3. desember 2012 går det fram at effekten på 15 TWh energieffektivisering fordeler seg på om lag 4 TWh i eksisterande næringsbygg, 2 TWh i nye bustader og 3 TWh i nye næringsbygg. Elles trur eg det òg er eit potensial i Smart Straum, AMS. Erfaringar frå andre land tilseier det. Ein av effektane av AMS – det er mange formål bak det – er energieffektivisering. Eg er kjend med at både bransjen, Statnett og NVE har gjort ein betydeleg jobb for å rydde unna det som er utfordringar og problem, for å komme i gang med det.

Derfor er det òg gledeleg å kunne konstatere at nesten alle partia på Stortinget no i vår fann i hop om eit breitt forlik i klimapolitikken. Som ein del av dette forliket gjorde Stortinget dette vedtaket: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et mål for energieffektivisering i bygg i løpet av 2012.» Energieffektivisering i bygg er viktig. Derfor har regjeringa både i klimameldinga og i byggmeldinga, som er

heile byggets levetid. Fram mot 2040 vil regjeringa leggje til grunn ei tenking for bygg der materialar, forbruk av energi og vatn, innemiljø, forureining, transport og avfall vert sett i ein heilskapleg samanheng. Regjeringa sin ambisjon er at energibruken i bygg per kvadratmeter skal vere vesentleg lågare i 2040 enn i dag.» Med 15 TWh energi spart innan 2020 og med dette ambisiøse og realistiske målet

at Stortinget skulle få framlagt forslag til virkemidler som kunne bidra til å utløse betydelig energieffektivisering og energiomlegging fra fossile til miljøvennlige kilder i private husholdninger. Klimaforliket innebar altså at regjeringa skulle legge fram et tall for energiøkonomisering i løpet av 2012. Det er det regjeringa gjør i denne saken. saken. Ut fra de vedtatte tiltakene er det beregnet et kutt på 15 TWh innen 2020. Det er betydelig og ambisiøst, men det er først og fremst et uttrykk for hvilken effekt allerede vedtatte tiltak har. Det tar tid, som det er sagt også fra Høyres side, å gjennomføre vesentlige enøk-tiltak i boligmassen. I tillegg til dette målet kommer effekten av komponentkrav som er vedtatt, men som ikke er ferdig utredet. Det er også vedtatt å Det er også vedtatt å innføre passivhusstandard fra 2015. Det jobbes videre med å konkretisere hva denne standarden innebærer, og det betyr at effekten av passivhusstandarden heller ikke er tatt med i tallet for 2020. Det er viktig å si at den referansebanen for beregningene som er brukt i denne saken, er den som var etablert politikk før den rød-grønne regjeringa. regjeringa. Regjeringa har mer ambisiøse målsettinger enn det som gir seg uttrykk i 15 TWh i 2020. Det overordnede og langsiktige målet er at nye bygg skal være bærekraftige med eit lavt avtrykk på miljø i hele byggets levetid. Energibruken per kvadratmeter i bygg skal være vesentlig lavere enn i dag. Jeg deler selvfølgelig den målsettingen. Etter å ha deltatt i diverse diskusjoner og møter under klimatoppmøtet i så jeg at energiøkonomisering i mange land har en mer sentral plass i diskusjonen enn i Norge. Det skyldes at det viktigste tiltaket for å redusere bruk av fossil energi i mange land der oppvarming og strømproduksjon skjer med fossile energikilder, er å redusere bruken av energi i bygg. Sånn er det ikke i Norge, der den vesentligste energibruken i boligene er fornybar, men vår ambisjon er likevel å spare denne energien for å bruke den til å erstatte fossil energi i andre sektorer, som f.eks. transport. Klimaforliket peker på behovet for virkemidler både for å oppnå energiøkonomisering og for å lette overgangen fra fossil fyringsolje. En del slike virkemidler finnes allerede i Enova, i Husbanken, i form av energikrav til produkter osv. Sistnevnte skal det jobbes videre med. med. Det må også gjøres, ifølge klimaforliket, når det gjelder å følge opp at vi kontinuerlig har nok trykk i energiomleggingen, og at de virkemidlene vi har, gir den mest effektive energiøkonomiseringsgevinsten. Etter Island er Etter Island er Norge det landet i verden som bruker mest el per innbygger, og vi skiller oss klart ut negativt når det gjelder energibruk i bygg. Vi har altså et enormt uutnyttet potensial for energieffektivisering. Som representanten Rudihagen sa: Den billigste og mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. bruker. Derfor må ambisjonene om å få energieffektivisert mest mulig være høye hos alle. Energibruken i bygg i dag er på ca. 44 TWh i boliger og ca. 36 TWh i yrkesbygg. Arnstad-utvalget, som kom med sine anbefalinger høsten 2010, sa at det er mulig å spare 10 TWh innen 2020 og 40 TWh innen 2020 og 40 TWh innen 2040, fra et utgangspunkt på 80 TWh. I klimaforliket, som flere har vært inne på, ble vi enige om at Stortinget skulle be regjeringen komme tilbake med et mål om energieffektivisering i bygg i løpet av 2012. Det fattet et nesten enstemmig storting, med unntak av Fremskrittspartiet, vedtak om. Hele tiden i debatter og i offentlig ordskifte har vi snakket om 2020.

i 2020, det er en beregning av effekten av de tiltakene som allerede er satt i verk. Målet er i 2040, og målet er så konkret som at «energibruken i bygg per kvadratmeter skal vere vesentleg lågare i 2040 enn i dag.» Det er ikke et mål. At det «skal vere vesentleg lågare i 2040» – altså nesten 30 år fram – enn det er i dag, ja det er en selvfølge. Ja, det må gjøres mye på veien, men det er ikke et målbart mål.

verken det målet som står i 2040, eller det som ikke lenger er et mål, men bare en beregning av effekt i 2020. Det som er interessant når en ser på beregningen av de 15 TWh en skal spare, er at det er funnet ut – jeg skal sitere fra proposisjonen, side 9: «For å finne energieffektiviseringsvinstane blir det først rekna ut energibruk i bygga i 2020 som om alle nybygga og rehabiliteringane følgde TEK 97. Deretter er det berekna energibruk i 2020 gitt at alle bygga blir bygde etter dei nye forskriftene. Differansen mellom desse to berekningane utgjer energieffektiviseringa.» Det er en veldig interessant måte å regne ut et mål på.

Det er greit, men det er skuffende, for jeg skulle ønske at vi satte et ambisiøst mål. Jeg skal kanskje korrigere meg litt fordi jeg har sett at regjeringen har hatt relativt mange mål, enten det har vært om rensing av Mongstad, om Kårstad, om 3 TWh vindkraft, om å få en energimelding, eller hva det måtte være. Det har vært mange mål en ikke har klart å oppfylle, og derfor er det klart at virkemidlene er viktigst. Men Kristelig Folkeparti ønsker et mål fordi det sier noe om ambisjonene, om visjonene og om hvor vi skal være i 2020, som deretter krever nye virkemidler. Derfor er jeg også skuffet når representanten Egeland ikke er mer offensivt tydelig på, når han viser til at IEA sier at energieffektivisering er et av de viktigste tiltakene, at vi må følge opp, også nasjonalt, og se om vi kan gjøre enda mer. Derfor har Kristelig Folkeparti fulgt opp Arnstad-utvalget. Vi klarer ikke 10 TWh nå, tror vi, men vi har et forslag om å klare 8 TWh i 2020 og en halvering innen 2040. Derfor tar jeg opp de forslagene Kristelig Folkeparti har i innstillingen. Da har representanten Kjell Ingolf Ropstad tatt opp de forslagene han

Folketallet har økt med 20 pst. siden 1990, folk bor på stadig flere kvadratmeter, og økt velstand gjør at mange stiller høyere krav til innekomfort. Satsing på energieffektivisering virker: Energibruken uten satsing på isolering, varmepumper og sparepærer ville ligget minst 20 pst. høyere enn i dag. Men det er likevel slik at de virkemidlene som er satt inn så langt, ikke tar oss til målet. Vi trenger redusert energibruk, ikke bare stopp i veksten. Da må det trås til med tyngre tiltak, som krav om passivhusstandard fra 2015, slik flere har vært inne på, krav til energipresentasjon for byggematerialer og komponenter og en mye tyngre innsats fra Enova rettet mot energieffektivisering. Foregående taler problemene med målsettingene i regjeringens forslag, og han påpekte også de manglende virkemidlene for å gjøre noe som virkelig er effektivt for å få til et skikkelig løft for energieffektiviseringen.

i industri og kommuner og fylker, i tillegg til strengere tekniske standarder for nye bygg. Slike tiltak er bra for samfunnet, bra for lommeboken og ikke minst bra for miljøet. Avslutningsvis: Venstre vil stemme for alle mindretallsforslagene i innstillingen. På vegne av regjeringen har jeg lagt fram mål for energieffektivisering i bygg. Det er

skal være vesentlige lavere i 2040 enn den er i dag. Gjennom dette langsiktige målet signaliserer regjeringen en tydelig forventning til bransjen om at byggene i 2040 skal være mye mer enn bare energieffektive. Vi fremmer en helhetstenkning der bygg skal være bærekraftige i vid forstand. Med det mener vi at det vil være avgjørende for norske bygg at de skal være tilpasset lavutslippssamfunnet. De skal også være sunne å

oppfordrer vi bransjen til å ta ytterligere steg inn i lavutslippssamfunnet ved å begynne å ta i bruk nye materialer, nye teknologier og løsninger som ikke har det samme miljøavtrykket som i dag. Bransjen må selv være med og ta ansvaret for å finne fram til framtidens materialer, byggemetoder og transportløsninger. I klimameldingen og i redegjorde regjeringen for tiltak som bidrar til energieffektivisering. Flere av disse virkemidlene vil ha klart størst effekt etter 2020. Det gjelder bl.a. de byggtekniske kravene. I klimameldingen signaliserte vi at vi ville skjerpe energikravene i byggteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og til nesten nullenerginivå i 2020. Det er uhyre Beslutning om kravnivå gjøres på bakgrunn av utredninger av samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser og kompetansen i byggenæringen. Regjeringen vil derfor senere fastsette bestemmelsene som definerer de ulike nivåene. Denne regjeringen har et omfattende virkemiddelapparat rettet mot energieffektivisering i bygg. Det gjør vi gjennom forskrift, det gjør vi gjennom Enova, det gjør vi gjennom Husbanken. Beregninger viser at det vil gi en effekt på 15 TWh energieffektivisering i bygg fram mot 2020. Vi mener at dette er ambisiøst, men realistisk. Jeg vil understreke at en effekt på 15 TWh energieffektivisering i bygg ikke nødvendigvis betyr at energibruken vil gå tilsvarende ned. Det er mange faktorer som virker inn på utviklingen av energibruk, og de trekker i ulik retning. De viktigste drivkreftene som gir økt energibruk er den demografiske og økonomiske utviklingen. Energieffektivisering i bygg trekker i retning av å avgrense energibruken. Jeg viser til at regjeringen har andre virkemidler, slik som avgifter, som informasjon og rådgivning, som bidrar til å utløse energieffektiviseringstiltak i bygg. Den type energieffektiviseringstiltak påvirkes også av andre forhold, slik som priser, endring i byggeskikk eller teknologisk utvikling. På vegne av regjeringen har NVE regnet ut at effekten av mindre vedlikeholds- og oppussingsarbeid i eksisterende bygg vil være 3 TWh i perioden 2010–2020. Av dette utgjør boliger om lag 2 TWh – med andre ord en ikke ubetydelig energimengde.
Det blir replikkordskifte. Nå er

Vi har som ein stor eigedomseigar stat, fylkeskommune og kommune, og desse eig jo ei rekke eksisterande bygg som skal vere med på å ta ned energiforbruket. Dei same – fylkeskommune og kommune – har jo ein økonomi som ikkje akkurat er med og gjer at ein

om et mål for energieffektivisering i bygg, hvis det vi får presentert, er en ambisjon om en reduksjon fram mot 2040, en ambisjon fram mot 2040, mens Stortinget samlet ba om å få et mål for energieffektivisering i bygg? Hvorfor skulle Stortinget gjøre dette? Tror statsråden at det lå et ønske om et mål, og ikke en ambisjon, bak dette punktet? Vi har lagt fram et langsiktig mål knyttet til hvilken utvikling vi mener at byggsiden skal ha i Norge. Vi har også redegjort for hvilke rammer rundt politikken som ligger nå, som skal være med og trekke dette i den retningen. Så aner det meg, ut fra de innleggene som er holdt før her, og også ut fra spørsmålet reist av representanten ytterligere ambisjoner og ytterligere tiltak. Det synes jeg med respekt å melde er veldig rart. Vi har akkurat behandlet en klimamelding der man har gått gjennom mange tiltak i detalj, og jeg mener at man ikke kunne forvente ytterligere tiltak utover det vi allerede har lagt fram og blitt enige om i

Vi ba ikke om en ambisjon. En ting er hva regjeringen legger frem for Stortinget, en annen ting er at det faktisk er dette Stortinget som bestemmer hva vi ønsker av regjeringen. Vi har bedt om et mål, vi har fått en ambisjon. Riktignok er det førjulstid, og vi sender julekort, men vi vil ikke ha tilbake en ambisjon når det Stortinget samlet har bedt om, er et mål for energieffektivisering. Jeg håper at statsråden kan se på forslagene, og at regjeringspartiene kan manne seg opp

statsråden blir da: Hvorfor har ikke regjeringen gjort noe med elavgiften, og knapt noe med andre energiavgifter, de syv årene de har sittet i regjering? Det er jo kombinasjonen av alle disse virkemidlene som til sammen gir en effektiv politikk. Det mener jeg vi har. Så er jeg kjent med at det kan være ulike synspunkter på hvor nivået på elavgift, drivstoffavgift og CO2-avgift bør ligge, men der viser jeg til statsbudsjettet, og der mener jeg at vi har funnet en god balanse mellom de ulike hensynene som skal ivaretas. Og la meg bare si, sånn at det er sagt fra denne talerstolen: Regjeringens samlede målformuleringer og virkemidler, og det som skjer ute i markedet med hensyn til energieffektivisering, er svært spennende og lovende. Vi ligger langt framme og har som land ingenting å skjemmes over. Replikkordskiftet er avslutta. Dei talarane som heretter får ordet, har ei taletid på inntil

Men så utkvitterer han også klimaforliket på den bakgrunn at vi allerede har iverksatt en del virkemidler, og at det har blitt behandlet i klimameldingen. Men så langt jeg husker, vedtok vi også i klimaforliket at man skulle komme tilbake med et eget punkt om ulike tiltak for ytterligere energieffektivisering i bygg. Det forventer jeg at kommer snart uansett, for der kan man snakke om utfasing av oljefyring i bygg. Også derfor har jeg behov for å ta ordet nå, for å si at jeg opplever at Stortinget ikke blir tatt med eller tatt på alvor når det gjelder de vedtakene som er fattet i klimaforliket. Dette er bare nok et eksempel – i tillegg til de rundene vi hadde rundt budsjettet sist.

annet. Nå kommer også et mål om energieffektivisering. Og som representanten Meling godt redegjorde for: Alle tenkte på 2020. Og da jeg også utfordret statsråden på hvorfor han ikke satte et Det er 2020 alle snakker om. Det er EUs mål, og alle organisasjonene snakker om det. Også da regjeringen siterte fra iallfall NTB-meldingen, ble målet presentert som mer ambisiøst enn Arnstad-utvalgets. Derfor blir jeg litt provosert når man ikke er villig til å sette seg disse målene, eller iallfall tøyer klimaforliket så langt det er mulig for at det skal være innenfor. I tillegg har vi spurt om hva effekten vil være. Arnstad-utvalget sier at 70 TWh i 2020 er mulig. Regjeringen vil ikke i det hele tatt svare på hva det egentlig vil si. Det er 15 TWh ut fra et eller annet som kunne vært, hvis det ikke hadde vært iverksatt tiltak. Jeg synes det er en svak oppfølging av klimaforliket, og jeg har behov for å si det nå. Dette har utartet til en språklig debatt om hva et mål er. En ambisjon er

2020. Så kommer i tillegg skjerpelsene, reduksjonene, på grunn av innførte komponentkrav og av passivhus. Det står i klimaforliket at man skal legge fram virkemidler for enøk og overgang fra fossil energi. Men det er altså ikke bundet til 2012, det er etter min mening en kontinuerlig jobb for å passe på at vi når de målene vi har satt oss, og får til ambisjonene om vesentlig lavere avtrykk i boligmengden framover mot 2040. Jeg må si at det er

hilsen – det er faktisk forskjell på disse tingene. Da vi ba om å få et måltall på energieffektivisering, var det nettopp for at vi skulle ha noe å strekke oss mot, at vi skulle få virkemidler på plass for å oppnå dette målet. Om det da skulle være i 2020 eller et annet år – det er riktig, det sier for så vidt klimaforliket ikke noe om, men det snakkes om et mål. Det er riktig som representanten Ropstad også sa, at forventingene lå frem mot De som var og hørte Fatih Birol, en av direktørene i IEA, legge frem den siste World Energy Outlook-rapporten i Oslo for noen uker siden, hørte han snakke om at vi nå står overfor en energieffektiviseringsrevolusjon i verden. Men den verden tilhører dessverre ikke regjeringen, for den klarer ikke å synliggjøre ambisjoner – det å kunne legge frem et konkret måltall som er mulig å etterprøve, som er mulig å etterprøve, som er mulig å kontrollere utviklingen av fram mot f.eks. 2020, for eventuelt å gjøre justeringer for å komme i mål på det vi ønsker. Energieffektivisering kommer til å bli en stor industri fremover. Det regjeringen gjør ved å være så unnfallende som den velger å være i denne saken, er å frata viktige kompetansemiljøer, industri i Norge, et hjemmemarked. Til representanten Rudihagen, som sier at han ikke kan forstå hvorfor opposisjonen maser om et mål på 15 TWh innen 2020, når de kan få en effekt – kanskje – på 15 TWh innen 2020 av politikk vi allerede har vedtatt: Jeg tror kanskje at det er flere som trenger en leksjon i noen grunnleggende elementer for å oppnå resultater. resultater. Jeg forstår jo av den gjennomføringskraften regjeringen viser – eller den mangel på gjennomføringskraft regjeringen viser – at noen hver kunne trenge en leksjon. Et helt grunnleggende element er faktisk å sette seg noen mål som er kvantifiserte, som er målbare, og som er mulige å etterprøve, for å ha det å streve mot. Gode ønsker kan alle levere, men mål og resultatoppnåelse er det tydeligvis en annen regjering som må levere.

Så kan det godt være at man ikke liker det målet – at man er misfornøyd med måten det er gjort på. Det er selvsagt opposisjonens privilegium. Men å si at vi ikke har gjort det, synes jeg ligger utenfor. Videre synes jeg også at det er ingen grunn til å trekke i tvil det faktum at man her gjør det som man er bedt om i klimaforliket. Hvis vi ikke skal være enige om at det som står i klimaforliket, faktisk står i klimaforliket, kommer dette til å bli krevende. Sagt med andre ord: Hvis man ventet en ytterligere skjerping av mål, med nye tall, handlingsplan og virkemidler for å nå eventuelle andre mål, måtte jo det ha stått i klimaforliket, ikke at man skulle ha et mål for energieffektivisering som vi skulle legge fram i 2012. Så er det også viktig å få sagt at Norge har en etablert politikk på nær sagt alle relevante felt for å ha en god politikk på energieffektiviseringsområdet. Dette er felt der mange har hatt ambisjoner lenge. Norge er allerede et av de landene som ligger lengst fremme på energieffektivisering, og det gjenspeiler seg bl.a. i at vi er et av de landene som har de absolutt strengeste kravene til byggteknisk forskrift. Vel, det tenker jeg at vi kan velge å være stolt over og fornøyd med, og så må vi sammen tenke på hvordan vi skal strekke oss videre. Men å si at det betyr at regjeringen og Stortinget ikke er i stand til å gi bygningsindustrien noe å strekke seg etter, er jeg grunnleggende uenig i. Tvert imot – norsk bygningsindustri har mye å strekke seg etter og har mye å bevise, også for at vi skal være i stand til å implementere passivhusstandard i 2015 og nesten nullutslippshus i 2020. Så får man heller, hvis det er ytterligere tiltak som man er på jakt etter, og vil ha gjennomført, foreslå dem istedenfor å føre en form for skyggedebatt der regjeringen blir beskyldt for ikke å følge opp de avtalene som vi har inngått.

ut fra klimaforliket på vedtak VI, som Stortinget vedtok. Etter målet står det: «Stortinget ber regjeringen legge frem forslag for Stortinget med virkemidler som bidrar til å utløse betydelig energieffektivisering og energiomlegging fra fossile til miljøvennlige kilder i private husholdninger.» Vi hadde forventninger om at det skulle komme mer, og derfor vedtok Stortinget at det skulle komme mer. Derfor betyr det var det i omtalen, i dagligtalen, i offentlige ordskifter osv. 2020 det var snakk om. Når det da likevel ikke kommer i 2020, og det ikke er behov for ytterligere tiltak eller virkemidler, svarer jo ikke det på oppgaven som Stortinget ga regjeringen. Derfor kan jeg heller ikke se at det ser ut som statsråden har tenkt å følge opp det som Stortinget – nesten enstemmig – vedtok. Representanten Egeland har hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort merknad, avgrensa til 1 minutt.

Så sto det ikke i klimaforliket «nye tiltak i 2012», selv om opposisjonen nok hadde forventet nye tiltak, og de hadde – for å si det rett ut – forventet skattefradrag, som de tar til orde for, men som vil ha svært liten effekt sånn som de selv har lagt det fram i sine statsbudsjett. Men det sto i klimaforliket at det skulle komme tiltak, og det må regjeringa følge opp i tiden framover.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

for saka. I dag behandler vi innstillingen om endringer i energiloven, og det er en viktig sak. Vi er inne i en periode med store investeringer i energibransjen. Gjennom elsertifikatsamarbeidet med Sverige legger vi til rette for store og Statnetts investeringsplan legger opp til en storstilt satsing på opprusting og nybygging av nett. I denne situasjonen er det avgjørende at vi har en god og effektiv saksbehandling som ser utvikling av produksjon og nett i sammenheng. De endringene som presenteres i Prop. 41 L

Det er viktig at vi sikrer en konsesjonsprosess som er faglig sterk, gjennomsiktig og tillitsvekkende. Jeg mener de endringene som nå gjøres i energiloven, legger til rette for en smidigere og bedre saksbehandling. Under det nye regimet vil departementet involveres tidligere i prosessen, noe som tydeliggjør det politiske ansvaret. Vedtakskompetansen for store nettprosjekter flyttes til Kongen i statsråd, og det gis åpning for ekstern kvalitetssikring av konseptvalg. Dette er viktige og riktige tiltak som vil bidra til å effektivisere prosessene og redusere konfliktnivået. Sikker og forutsigbar levering av elektrisk kraft er avgjørende for av elektrisk kraft er avgjørende for samfunnet. I dag er tilgang til elektrisitet en forutsetning for de fleste prosessene i husholdninger, i det offentlige og i næringslivet. Komiteen mener også at utviklingen av kraftnettet er en prioritert oppgave, og at konsesjonsbehandlingstiden og effektiviteten i konsesjonsbehandlingsprosessen for nettprosjekter bør styrkes. Jeg vil takke kollegene i energi- og miljøkomiteen for at vi har fått til en så rask behandling av denne saken. Det er en enstemmig komité som står bak dette forslaget. Med dette anbefaler jeg innstillingen. Denne proposisjonen er

som igjen vil sende innstillingen på høring før vedtak fattes av Kongen i statsråd. Et viktig element i denne nye løsningen er muligheten for å kreve en ekstern kvalitetssikring og at departementet avgir en uttalelse til søkerens vurdering av behov og konseptvalg. For Høyre er det viktig at kvalitetssikringen har tillit hos ulike interessegrupper, og det er derfor avgjørende at den faglige kvaliteten er høy og at ingen stiller spørsmål ved uavhengigheten til den aktøren som faktisk foretar analysene. Bygging av infrastruktur, kraftlinjer, har mange steder et høyt konfliktpotensial. Det har vi sett i Hardanger med utbygging av Sima–Samnanger, og vi har nyere eksempler fra utbyggingen av traseen mellom Ørskog og Sogndal. Endring av anbefalt trasévalg gjennom ankebehandlingen har ved denne strekningen medført at det bl.a. gjennom media har blitt satt spørsmålstegn ved om olje- og energiminister Ola Borten Moe har gjort vennetjenester til kolleger i Senterpartiet lokalt ved å endre innstillingen fra Norges vassdrags- og energidirektorat på noen av strekningene som var påklagd til departementet. Denne type inngrep er avhengig av legitimitet i forhold til lokalbefolkningen og grunneiere, og det er derfor viktig at dialogen er åpen og god i hele prosessen. Valg av løsninger må være basert på faglige vurderinger åpne for og det er viktig at staten går foran som et godt eksempel ved å følge spilleregler og ta hensyn til de faktorer vi forventer at lokalsamfunn og innbyggere selv skal følge. Jeg vil også påpeke at Høyre, sammen med de andre opposisjonspartiene, har foreslått at Statnetts nettutviklingsplan presenteres for Stortinget i alle fall en gang i hver periode for å styrke det politiske grunnlagt og legitimiteten til nettinvesteringene

Derfor er Statnett nå i gang med betydelige investeringer i nettet. Utbygging av store kraftledninger er beslutninger hvor mange blir berørt og motstridende hensyn må vektes og avveies. Jeg har stor respekt for det faktum at det alltid vil være berørte som ikke er fornøyd med den beslutningen som til slutt blir fattet. Derfor er det ekstra viktig med grundige og gode saksbehandlingsprosesser. Samtidig har det vist seg at saksbehandlingen av store kraftledningsprosjekter tar for lang tid. Det er derfor nødvendig å ta grep som gjør at saksbehandlingstiden kan bli mer effektiv, uten at dette går ut over kvaliteten i selve saksbehandlingen. Lovendringsforslaget gir rettsgrunnlaget som skal til for å pålegge ekstern kvalitetssikring av overordnede prinsipielle spørsmål, og det innføres en tidligere politisk involvering. Målet er å styrke energimyndighetenes styring med konseptvalget. Det gjør vi ved å sikre den faglige kvaliteten av beslutningsgrunnlaget. Regjeringen mener det er viktig å få satt rammene for kraftledningsprosjektet tidlig, slik at det blir klart hvilke alternativer som er aktuelle. Dermed kan den videre behandlingen av konsesjonssaken spisses og reduseres til mer detaljerte spørsmål om de Endringene i konsesjonsbehandlingen av store kraftledningssaker innebærer også at vedtakskompetansen flyttes til Kongen i statsråd. Store kraftledningssaker er av stor politisk og samfunnsmessig betydning, og vedtak bør derfor fattes på det høyeste forvaltningsrettslige nivået, etter at det er gjennomført en omfattende og svært grundig konsesjonsbehandling både i NVE og i departementet.

for en effektiv og forvaltningsmessig meget god konsesjonsbehandling av kraftledningsanlegg i årene som kommer. Det blir replikkordskifte. Det er forståelig at mange lokalsamfunn, kommuner og grunneiere, er

sakene. Mitt spørsmål til statsråden blir: På hvilken måte kan vi få disse prosessene med hensyn til lokalsamfunn til å bli bedre? Har statsråden gjort seg noen refleksjoner om det? Jeg har gjort meg mange refleksjoner rundt det, ikke minst etter Sima–Samnanger, som med respekt å melde hadde noen andre dimensjoner over seg enn om. Jeg tror ikke det er et enkelt svar. Jeg tror at det Stortinget gjør her i dag, er ett av flere svar – en tidligere politisk avklaring, tidligere kvalitetssikring, som iallfall gjør at man får flyttet spørsmålet bort fra om det er bruk for linjen eller ikke, til at man diskuterer hvor denne linjen skal gå og ulike traseer. Så har vi brukt mye tid med Statnett og med regionale og lokale myndigheter for å få en så god involvering som overhodet mulig. Men så tror jeg at vi av og til når det kommer til stykket, er nødt til å innse at man må velge mellom to alternativer, eller tre alternativer, og at linjen havner i nærheten av noen, eller ikke i nærheten av noen – begge deler kan være et problem – og at det vil være parter som ikke er fornøyd med det vedtaket som blir endelig fattet. Replikkordskiftet er avslutta. Fleire har ikkje bede om ordet til sak nr. 3. Etter ønske frå energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletida blir avgrensa til

får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Første taler er Irene Johansen – for sakens ordfører.

forslaga. Høgre og Framstegspartiet har sine eigne merknader, og eg reknar med at dei gjer greie for det sjølve. Men eg konstaterer at sjølv om det er Framstegspartiet som står bak representantforslaget, følgjer dei ikkje det opp i forslag til vedtak i innstillinga. Under punkt I i representantforslaget er det altså foreslått å fjerne fylkeskommunen/Fylkesmannens motsegnsrett, men i forslaget til vedtak er dette no blitt

Så er eg einig med forslagsstillarane i at det er bra å få ein debatt om motsegnsretten. Kvardagen for kommunane og kommunepolitikarane tilseier det, det veit vi av eigne erfaringar som ordførarar og lokalpolitikarar, og det får vi stadig beskjed om i møte med lokalpolitikarar frå mange parti.

fjernast. Det er der for å sikre at statlege føringar for plan- og arealsaker blir følgde, og at kommunar og regionale myndigheiters interesser blir ivaretekne. For eksempel er ein stadig aukande del av motsegnene knytt til strandsoneregelverket. Beskyttelsen av allemannsretten og sikring av fri ferdsel i 100-metersbeltet er eit viktig nasjonalt omsyn, så det er bra at det blir Det kan òg vere riktig med statleg innblanding for å sikre omsyn til framtidig vegbygging, annan transport, bustadbygging, naturmangfald og andre viktige nasjonale omsyn. Men det er sjølvsagt at ein må vise stor varsemd med å overprøve kommunestyrets politiske skjønn og vedtak. Det er den enkelte kommune som har myndigheit til å vedta kommunale arealplanar. I brev frå miljøvernministeren den 24. oktober i år til komiteen viser ein til KS si utgreiing: «Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre». Her står det at utgreiinga konkluderer med at «innsigelsesinstituttet har en viktig funksjon i plansystemet, og at det har legitimitet i kommunene». Det står vidare: «Hovedutfordringen er knyttet til praktiseringen, som ifølge KS-undersøkelsen har svak politisk legitimitet i

Det er lite troverdig når Fylkesmannens avslag i den enkelte sak er dekket i generelle regler. For de som får avslag med henvisning til en plan eller byggesak, er det viktig at sakens realiteter blir vurdert, ikke bare avslått med henvisning til generelle regler. Forslagsstillerne er opptatt av at det kommunale selvstyret skal utvikles og styrkes. Blir de fleste kommunale vedtak tilsidesatt med henvisning til innsigelsesretten, de fleste kommunale vedtak tilsidesatt med henvisning til innsigelsesretten, blir til slutt oppgavene til kommunepolitikerne i stor grad å administrere budsjetter. Forslagsstillerne er opptatt av nærhetsprinsippet, og mener at kommunepolitikerne er best egnet til å forvalte kommunens arealer. Det inkluderer politikk når det gjelder bl.a. strandsonen, verneområder, nasjonalparker, sjøarealforvaltning, vannkraft og Det er bare i helt spesielle tilfeller, hvor åpenbare og viktige nasjonale prosjekter må sikres gjennomført, at kommunene ikke selv skal disponere sine arealer. Nasjonale tiltak som det tenkes på, er større kraftproduserende anlegg og petroleumsanlegg samt riks- og europaveiutbygging. Statlige reguleringsplaner for disse større tiltakene vil være naturlig for å få en rimelig fremdrift i planarbeidet. Den rød-grønne regjering har medvirket til at råderetten over store kommunale arealer og verdier er flyttet fra lokale myndigheter til statlige myndigheter. Fylkesmannens omfattende bruk av innsigelsesretten har vært en sterk medvirkende årsak til dette. For et par måneder siden kunne vi ved selvsyn på TV 2 se et innslag fra Bergen. Der var påstanden fra kommunen klar: Bergen kommune var på grunn av innsigelser fra Fylkesmannen

være overhengende. Forslagsstillerne vil ha en reform av areal- og miljøforvaltningen der skjønnsutøvelsen i arealforvaltningen flyttes fra Fylkesmannen til lokale, folkevalgte myndigheter. Rammene for arealforvaltningen må legges av statlige myndigheter. Forslagsstillerne ønsker at det blir opprettet et eget forvaltningstilsyn for å behandle klager etter

Styring ovanfrå eller vekst nedanfrå er eit enkelt ordtak i den politiske debatten som syner forskjellen på raud-grøn politikk og det som opposisjonen står for. Høgre ønskjer vekst nedanfrå, og det pregar heile vår politiske grunnhaldning. Vi meiner at maktspreiing gjer samfunnet sterkare, og at styrking av lokalt sjølvstyre og langt større respekt for den private eigedomsretten er viktige fundament for ei slik maktspreiing. det einskilde menneske skal ha stor råderett over eigen livssituasjon, har stått sentralt i norsk kultur i alle år. Kommunane utgjer sjølve grunnmuren i det lokale folkestyret, og kommunane representerer både tilknyting og moglegheit for å påverke framtida for innbyggjarane. Derfor ønskjer Høgre meir makt til kommunane. Ein av dei største skadeverknadene etter sju år med raud-grønt styre er den harde medfarten lokaldemokratiet og privat eigedomsrett har fått frå dei tre regjeringspartia. Trass i fagre ord om stadig større lokalt sjølvstyre er råderetten over store areal og verdiar flytta frå lokale myndigheiter til statlege myndigheiter. Denne prosessen har mange stader ført til ei tillitskrise mellom lokalsamfunn og sentrale myndigheiter. Flyttinga av makt utfordrar ein tradisjon der naturområde er blitt forvalta gjennom stort sett varsam I aukande grad opplever ein avgjerder knytte til vern og arealutnytting som eit konfliktområde mellom lokale og sentrale myndigheiter. Trass i store ord frå regjeringspartia si side har praktisk politikk vist at både lokaldemokratiet og den private eigedomsretten har fått langt dårlegare kår enn det som var tilhøvet under tidlegare borgarlege regjeringar. Eg har tidlegare nemnt eit godt døme på statleg overstyring frå mitt eige heimfylke, Sogn og Fjordane, der ein privat utbyggjar ønskte å byggje tre hytter ved Endestadvatnet. Plan- og utbyggingsutvalet i Flora kommune har ved fleire høve samrøystes støtta reguleringsplanen, og kommunen vedtok planen samrøystes 16. juni 2009. På grunn av motsegn frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og merknader frå Direktoratet for naturforvaltning blei reguleringsplanen send til Miljøverndepartementet, der han blei forkasta i vedtak 29. juni 2011. Høgre ønskjer at lokale styresmakter i Flora kommune og andre kommunar skal avgjere slike saker. Større lokal råderett vil føre til større legitimitet til dei avgjerder som blir fatta. Det vil leggje til rette for større lokal medverknad, ikkje minst kan byråkratisk dobbeltarbeid rasjonaliserast bort. Lokal sjølvråderett sikrar nærleik til beslutningane, med råderett for innbyggjarane og eit levande lokaldemokrati. Kommunane skal derfor ha ei meir sentral rolle i lokal samfunnsutvikling. For Høgre er vekst viktigare enn styring ovanfrå, og derfor vil Høgre styrkje det lokale sjølvstyret. Retten for statlege organ til å reise motsegn over kommunale vedtak i plansaker, slik som vi ser døme på i denne saka frå Flora kommune, er den største grunnen til at kommunal sjølvråderett blir avgrensa. Kommunepolitikarane sine skjønnsvurderingar blir dessverre sjeldan teke omsyn til i slike saker. Høgre er samd i at det må vere ei form for statleg motsegnsrett, som sikrar at overordna nasjonale omsyn blir sikra, og at kommunane følgjer lover og forskrifter vedtekne av storting og regjering. Vi vil derfor ikkje avskaffe den fullstendig, slik som dette forslaget legg opp til. Men Høgre er bekymra over at motsegnsretten eller trusselen om motsegn, som etter Høgre si meining skal vere siste utveg, dessverre nesten er blitt hovudregelen i lokale arealsaker. Derfor kan ikkje Høgre stø forslaget slik det ligg føre, men foreslår i staden at Det er derfor etter Høgre si meining behov for ei reform som kan avgrense statlege myndigheiters motsegnsrett, og gje makta tilbake til lokalpolitikarane. Høgre ønskjer derfor m.a. å avgrense Fylkesmannens moglegheit til å overprøve kommunale vedtak til berre å gjelde legalitetskontroll og klagehandsaming, slik at Fylkesmannens moglegheit til å overprøve kommunane basert på skjønn, blir fjerna.

Som kommunepolitiker er jeg også for å styrke kommunalt sjølstyre, men jeg innser at verden blir stadig mer komplisert. Flere av de avgjørelsene vi tar, har betydning for andre. Økt produktivitet i sjølve gjennomføringa av oppgaver, som husbygging og veibygging, blir spist opp av at en stadig større andel av kostnader og tid blir knyttet til planlegging. Det kan vi mislike, men det er vanskelig å snu den klokka tilbake og gå til en verden der snekkeren bygde brygga, huset eller naustet uten å spørre noen fordi det ikke angikk noen andre. Nå er sannsynligheten stor for at huset stopper andres tilgang til stranda, at veien går i et naturområde osv. Å gå tilbake på dette er som å knuse spinnemaskiner, som noen gjorde under den begynnende industrielle revolusjonen for å stoppe samfunnsutviklinga. Like lite som vi kan reversere den industrielle revolusjonen, kan vi gå tilbake til en verden der vi ikke behøver å ta hensyn til andre. Det er bakstreversk, det er reaksjonært. Vi må akseptere at stadig sterkere kryssende hensyn stiller større krav til planlegging, og så må vi finne effektive måter å gjøre dette på. Høyre og Fremskrittspartiet vil flytte skjønnsutøvelsen fra Fylkesmannen til lokale folkevalgte organer, men sier også: «Samtidig må rammene for arealforvaltningen fortsatt legges av statlige myndigheter.» Da er man like langt. Vi har i dag et system som er bygd på at kommunene har et stort ansvar for arealpolitikken, nettopp fordi det er en mulighet for staten å gripe inn der det går ut over nasjonale hensyn. Kommunene må slippe stadig å bli overprøvd, sier Høyre og Fremskrittspartiet. Og de sier videre: «Samtidig må det selvsagt ikke være slik at enhver kommune skal kunne pulverisere norsk lov ved å kunne

Husk på at det er bare 1 pst. av innsigelsessakene som havner i Miljøverndepartementet, de andre løses relativt minnelig underveis. En politisk konflikt mellom vektlegging av lokale og nasjonale hensyn må finne en politisk løsning og ikke en byråkratisk. Verken Høyre eller Fremskrittspartiet sier noe om hvilke nasjonale interesser de mener bør vike til fordel for sterkere lokalt styre. Skal jernbanetraseer krysse landet uten nasjonal samordning? I stedet for å kjempe mot vindmøllene, for å bruke et litterært og ikke et bokstavelig uttrykk, bør vi arbeide for å unngå innsigelser ved at sentrale aktører er tidlig med i planlegginga, og at man har kunnskap om nasjonale retningslinjer og nasjonale interesser. I Vestfold er man i gang med det i et arbeid som heter Planportal Vestfold. Målet er å etablere gode kjøreregler for samhandling samt å formidle viktige nasjonale og regionale interesser, som må ivaretas. Følges kjørereglene, vil dette langt på vei være en garanti mot innsigelser i plansaker, heter det på prosjektets hjemmeside. Det er et samarbeid mellom KS, fylkeskommunen, Vegvesenet, NVE, Mattilsynet, Jernbaneverket og Fylkesmannen. Dette er etter min mening en atskillig mer konstruktiv tilnærming enn det som ligger i denne saken Det er et felles ønske også fra SV om å unngå innsigelser som forsinker saksbehandling. Samtidig er det viktig å erkjenne at det finnes regionale og nasjonale hensyn som må vektlegges. Det er behov for samordning på statlig nivå – bedre kommunikasjon, bedre informasjon til kommunene og jeg er fornøyd med at departementet nå ser på hvilke tiltak som kan gjøres på dette området uten at barnet kastes ut med badevannet, slik Fremskrittspartiet og Høyre vil. Senterpartiet har alltid vore oppteke av lokaldemokratiet sine vilkår. Vi trur at vettet er

ein tek dei naudsynte omsyna. Ein sikrar gjennom planlegging òg demokratisk innflytelse i prosessane – og såleis ei forankring mellom innbyggjarar og kommune som er sterkare enn når det t.d. blir brukt unntak og dispensasjonar. For Senterpartiet er det derfor viktig i denne debatten å understreke at det er den enkelte kommunen som har mynde til å vedta kommunale arealplanar, og at terskelen for å overprøve politiske vedtak om lokale forhold må vere særs høg. Viktig er det òg at ein søkjer å avgrense forskrifter, rapportering, forventningsbrev o.l. som kompliserer planlegginga unødig mykje. Mange av oss kjenner til eksempel der eit for stivbeint byråkrati og motsegner som ikkje skulle vore fremma, hindrar ei naturleg og fornuftig utvikling. Men vi har òg eksempel på kommunar som gjennom mekling har funne fram til gode løysingar som varetek både dei lokale og dei nasjonale omsyna. både dei lokale og dei nasjonale omsyna. Det er derfor viktig at det gjennom den kommunale planlegginga er mogleg å vareta dei nasjonale omsyna som er vedtekne av politikarar i denne salen. Derfor er det ikkje aktuelt for Senterpartiet å gå for ei fjerning av Og det er med ei viss undring eg registrerer at Framstegspartiet – som etter tallause debattar her i denne salen har sagt at omsynet til kommunepolitikarane si makt må vike for nasjonal makt og oppgåveovertaking på andre område – no viser eit rørande engasjement for kommunane sin innflytelse i plansaker. Senterpartiet meiner i likskap med fleirtalet at instituttet må bestå, men bruken må ha det vi i Senterpartiet kallar ein «gjønågong». For kvar gong motsegnsinstituttet blir brukt unødig, svekkjer det kommunane sin tillit til instituttet. Det er derfor viktig å sikre at dette i minst mogleg grad førekjem. Koordinering er eit anna viktig punkt. I enkeltsaker kan motsegnspartar stå i motstrid til kvarandre. Då er det i endå større grad grunn til å sjå på ei samordning av dei statlege interessene før ein går i dialog med kommunane, slik at staten taler med ei stemme. Forslagsstillarane argumenterer med ynsket om å styrkje folkevald styring på kostnad av byråkratstyre. Vel, ein domstol er ikkje nødvendigvis den beste måten å gjere det på. Eg synest det er riktigare å sjå på korleis ein f.eks. kan gje det folkevalde regionale nivået ei viktigare rolle i skjønnsutøvinga og i koordineringa. Men det er ikkje tema i dagens debatt.

grunncelle. Vi er motstandere av unødvendig statlig inngripen og mener beslutninger skal fattes så nært og så hensiktsmessig som mulig dem det gjelder. Derfor mener vi at kommunene bør ha vide fullmakter til å fatte sine beslutninger uten statlig innblanding, så lenge de forholder seg til gjeldende lover og regelverk. En annen sentral verdi i Kristelig Folkepartis ideologi er forvalteransvaret. Naturen skal forvaltes på en slik måte at våre etterkommere får de samme mulighetene som vi har hatt. Dette er en god begrunnelse for at det bør være en innsigelsesrett som gir mulighet til å overprøve kommunale vedtak dersom disse strider mot viktige nasjonale hensyn. Eksempler på slike hensyn kan være jordvern, naturmangfold og allemannsretten – eller mer praktiske saker som framføring av Selv om Kristelig Folkeparti har valgt å stemme imot de forslagene som fremmes i denne saken, mener vi at forslagsstillerne setter fingeren på et problem som det er viktig å ta tak i. Innsigelsesretten overfor kommunene i plansaker er et sentralt virkemiddel for å sikre ivaretakelse av viktige nasjonale interesser, men vi har altså nå gjentatte ganger fått dokumentert at innsigelsesretten misbrukes. Dette er ikke et argument for å fjerne denne retten, men heller en oppfordring til å stramme inn praktiseringen og regelverket. KS har i sin egen utredning av dette spørsmålet selv konkludert med at innsigelsesinstituttet har en viktig funksjon i plansystemet, og at det har legitimitet i kommunene. Hovedutfordringen er praktiseringen, som ifølge KS-undersøkelsen har svak legitimitet i kommunene. En rekke statlige instanser har rett til å fremme innsigelser i kommunale plansaker. Dette er vesentlig for å sikre at statlige retningslinjer blir fulgt; f.eks. er en stadig økende del av innsigelsene knyttet til strandsoneregelverket. Beskyttelse av allemannsretten og sikring av fri ferdsel i 100-metersbeltet er et viktig nasjonalt hensyn,

og hvilke konsekvenser bruken av innsigelsesinstituttet har» – det er jeg enig i – og at «departementet har startet opp dette arbeidet». Det er jeg glad for at statsråden har gjort. I likhet med KS mener Kristelig Folkeparti at Miljøverndepartementet som samordningsdepartement må revidere rundskrivet om innsigelser slik at praktiseringen av ordningen blir i tråd med intensjonen: ensartet og forutsigbar. En strammere praksis vil gi færre øke ordningens legitimitet og bidra til en mer effektiv utnyttelse av knappe planressurser og en raskere plangjennomføring. Rundskrivet bør utarbeides av et sammensatt utvalg med deltakelse fra kommunesektoren. Eg meiner motsegnsinstituttet er

til statleg vedteken politikk – korleis handterer vi det? Motsegnsinstituttet er svaret på det, altså ei moglegheit til å kome med innvendingar, motsegner, mot eit vedtak, basert på at det er overordna retningslinjer og føringar som er viktige, og som dei kan bryte med. I 99 pst. av tilfella, som det har vore sagt her, fører slike innvendingar til endringar, store eller mindre, der ein tek omsyn til innvendingane og vert einig. I 1 pst. av tilfella klarer ein ikkje å bli einig, og saka går til Miljøverndepartementet. Det er òg uttrykk for at vi legg vekt på det vi kaller kollektiv fornuft. Kvar og ein av oss kan kanskje ønskje oss ei hytte på stranda, men det kan faktisk øydeleggje for andres tilgang til viktige friluftsområde. Å fjerne eller sterkt avgrense motsegnstilgangen betyr å styrkje den enkeltes utbyggingsinteresse som går ut over fellesskapets interesser, og det vil gjere det vanskelegare å få til ei langsiktig, berekraftig arealforvalting i landet, slik Stortinget har vedteke. På bakgrunn av debatten rundt motsegnsinstituttet har Miljøverndepartementet sett i gang eit arbeid med gjennomgang av motsegnsinstituttet i plan- og Vi har òg starta ein gjennomgang av ansvarsfordeling og rutinar med tolv involverte departementer for å innhente fakta og erfaringar, med sikte på å gjere ei heilskapleg vurdering av om praksisen er i tråd med lovas intensjonar. I tillegg skal KOSTRA-tal verte analyserte, der vi skal gå inn og sjå nærmare på enkelte utvalde kommunar og fylke. Det er tre perspektiv eg særleg har lyst til å nemne, som er viktige i denne gjennomgangen. gjennomgangen. Det første er at det må vere eit mål at det berre vert varsla eller fremja motsegner ved viktige regionale og nasjonale interesser, eller i spørsmål som av andre grunnar har vesentleg betydning for vedkomande organs saksområde – altså det å unngå unødvendig statleg innblanding. Som ein av representantane sa tidlegare, ein skal berre ha nødvendig statleg innblanding. For det det andre skal motsegnsorgana vere tidleg inne i planprosessane. Det trur eg er noko som alle som jobbar med politikk eller vedtak på ulike måtar, vil kjenne igjen, at ein er open for innvendingar, men legg vekt på at innvendingane må kome tidleg i ein prosess, slik at ein raskt kan ha oversikt over det fulle biletet når ein går vidare. For det tredje bør det vurderast samordning av statlege Det er i dag mange instansar av forskjellig slag. Fylkesmannen har mest, fylkeskommunen har ein ganske stor del av motsegnene, og det er nokre andre statlege instansar som har motsegnstilgang. Så korleis ein skal sikre ei betre samordning, vil vere eit viktig arbeid å sjå på. Eg vil òg leggje vekt på at det kan vere aktuelt å vurdere å sjå på om det

eg sterkt skeptisk til ei ytterlegare rettsleggjering. Eg trur at det er folkevalde organ som i størst mogleg grad må ta avgjerda, basert på innvendingar og overordna retningslinjer. For det andre kan eg ikke sjå behovet for eit nytt byråkrati. Eg trur det er viktig å halde seg med eit godt embetsverk og eit godt byråkrati, men eg kan ikkje sjå at det er klokt å byggje opp eit nytt element. Til slutt: Eit land må forvalte dei viktigaste

jeg vil ta opp spørsmål om nå, heter Kirkesundodden på Hidra, en øy utenfor Flekkefjord. Vi vet at i kystsoneplanen er området avsatt til byggeområde. Fylkesmannen varslet innsigelse på grunn av byggeforbud i 100-metersonen. Tross alt har Fylkesmannen tidligere vedtatt og godkjent denne planen. Derfor har jeg et spørsmål til statsråden: Er statsråden komfortabel med at Fylkesmannen truer med innsigelse til en plan som tidligere er godkjent av Fylkesmannen i kystsoneplan? Er ikke dette å holde grunneiere og kommune for narr? Eg ber om forståing for at eg ikkje kan kommentere denne enkeltsaka, som eg heller ikkje her og no kjenner, må eg innrømme. Men generelt kan eg seie at saker som gjeld byggeforbod i strandsona, er blant dei viktigaste grunnane til at det er nødvendig å ha eit

Så eg meiner at det er svært viktig med ein streng praktisering her, for det dreier seg om fridomen til å bruke strender, svaberg og areal for det store fleirtalet av befolkninga, noko som er ein veldig viktig fridom. I plan- og

på. Man mener at nettopp det å redegjøre for en slik hjemmel, også hadde presset frem litt refleksjon hos den som overveier å bruke innsigelse. Vi er mange her i landet som har den selvfølelsen, at alt vi driver med, er av nasjonal og regional betydning. Men det hadde kanskje vært en brems. I mitt spørsmål til statsråden er det også innebygget et forslag. Det er nemlig et Det er nemlig et rundskriv som kan oppdateres fra statsrådens side, som går ut til mulige brukere av innsigelsesinstituttet, og som går ut på nettopp dette: Gjøre rede for det rettslige grunnlaget. Det er ganske riktig at det i plan- og bygningslova er lagt ein ganske høg terskel knytt til om det er statlege eller andre vesentlege interesser inne i biletet. Det er òg klare krav til deltaking i prosessen for dei myndigheitene som skal Det er ein av grunnane til at eg synest det er litt vanskeleg å forstå at Høgre og Framstegspartiet vil sterkt redusere den moglegheita som allereie i dag har ein høg terskel. Då synest eg tvert imot at det sporet som representanten Tetzschner no er inne på, nemleg om vi har behov for å konkretisere praksisen, er konstruktivt. Det er

gode poenger og vinklinger som jeg kan si meg helt enig i. Når det gjelder erfaring og det å ta lærdom fra forskjellige områder, representerer jeg selv et fylke som har hatt store utfordringer knyttet til Men etter en bred gjennomgang med Fylkesmannen og kommunene har en opplevd at det har roet seg veldig, fordi det er mer forutsigbart hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke kan bygges ut. Dette vet jeg at statsråden er godt kjent med, og det kan tas som et eksempel videre. Mitt spørsmål går egentlig bare på det arbeidet som statsråden redegjorde for at de er i gang med, som jeg tror er veldig viktig, og jeg deler de momentene som det er viktig å se på. Jeg ser at i en brevveksling med KS skriver statsråden at han ser på KS som en viktig samarbeidspart, og det tror jeg er veldig viktig og riktig. Så min utfordring er bare: Hva tenker statsråden om KS’ deltakelse? Er han i gang, skal KS inviteres inn, eller kan han si noe om prosessen videre? prosessen videre? Ja, vi kjem til å ha tett kontakt med KS i den prosessen. Vi vil invitere dem inn til å kome med forslag og synspunkt. Eg hadde eit møte med KS’ leiing i haust der dette var hovudtemaet. Det var før vi hadde avgjort gjennomgangen. Vi vil fortsetje å ha ny kontakt med dei på politisk nivå, men òg på meir administrativt nivå om konkrete spørsmål. Eg er òg godt kjent med det Fylkesmannen i Aust-Agder har gjort, både gjennom kontakt med gjennom kontakt med Fylkesmannen og etter å ha høyrt synspunkta til fleire av ordførarane i Aust-Agder kommunar, som skryt veldig av utviklinga i samarbeidet der. I både Aust-Agder og ein del andre fylke skjer det ganske interessante ting, der fellesnemnaren kanskje er: forsøk på tidlegare rydding i kva som er saker der ein seier at dette ikkje er aktuelt, og kva som er saker der ein seier at dette kan ein få fullmakt til – og dialog og betre samhandling mellom kommunane og fylkesmennene. Det synest eg er interessant å sjå nærmare på i dette arbeidet. Replikkordskiftet er avslutta. Dei talarane som heretter får ordet, har ei taletid på inntil 3 minutt. Dette representantforslaget er reist for å få ein debatt om statlege, og

Det blir hevda at når ein legg inn motsegn, er det for å skape ein dialog. Det er ein underleg start på ein dialog – lat oss understreke det. Retten til statlege organ til å reise motsegner over kommunane sine vedtak i plansaker, er den største grunnen til at kommunal sjølvråderett blir avgrensa. Spørsmålet er korfor kommunepolitikarane si skjønnsvurdering så sjeldan blir tatt til Fleirtalet i komiteen skriv at dei merkar seg at i over 2 000 plansaker som blir behandla kvart år, er det i underkant av 1 pst. av desse sakene at Miljøverndepartementet avgjer. I 99 pst. av tilfella kjem kommunen og staten til einigheit. Dette er jo rett, og då er spørsmålet: Korfor er det slik? Jo, fordi sakene og ein vidare anke tar så lang tid at ein rett og slett ser Har ein ei reguleringssak der næringslivet er inne, har ikkje dei anledning til å vente i tre til fem år før ei sak er ferdig. Vi har sett mange eksempel på ein slik tidsbruk. Det ligg ei erkjenning blant dei raud-grøne om nettopp dette, når ein skriv at ein er oppmerksam på at ein i dei siste åra har sett ein auke i talet på motsegner, sjølv om denne erkjenninga ikkje kjem fram i debatten.

å la lokale, demokratiske vedtak bli overprøvde av Fylkesmannen eller kulturavdelinga i forbindelse med fornminner. Underteikna blei nyleg kontakta av representantar frå Sande kommune i Møre og Romsdal i ei sak som gjeld fornminner i bygdesentrumet, der ein etter loven skal ha ein minsteavstand på fem meter til fornminnet. I planarbeidet valde ein tidleg å doble denne avstanden for å sikre seg mot motsegn. Men kva skjedde? Nettopp same instans kravde betydeleg større avstand, og ein opplevde endåtil at fornminner skulle ha utsikt til havet. Går det an å vise mindre respekt for lokaldemokratiet enn dette, då ein i nemnde sak hadde svært avgrensa areal tilgjengeleg? Det er slike eksempel det finst altfor mange av, og som fører til avmaktsfølelse blant lokalpolitikarar. Slik kan det ikkje fortsette. I går hadde vi en debatt om statlige innsigelser til kommunale planer. I dag

Fremskrittspartiet viser i forslaget sitt til planlovutvalget, som vektla folkevalgt styring av planprosessene. Det er riktig, men utvalget mente aldri at fylkesmennenes innsigelsesadgang skulle fjernes. Tvert imot. Innsigelsesinstituttet ble foreslått videreført, men med en presisering av hvilke organer som kunne fremme innsigelse om hva og innen hvilke frister. Utvalget sa videre at det er en viktig forutsetning for bruk av innsigelse at vedkommende statlige myndighet har tatt opp sine interesser i den innledende planprogramfasen ved utarbeidingen av den enkelte plan. Et mindretall på fem, deriblant to medlemmer oppnevnt fra KS, foreslo dessuten at retten til å fremme innsigelse bortfaller, dersom denne plikten for innsigelsesmyndighetene til tidlig deltakelse i Storting og regjering valgte faktisk å følge det mindretallet da ny plan- og bygningslov ble vedtatt i forrige periode. Så det er ikke riktig når Høyre og Fremskrittspartiet i innstillingen skriver at til tross for enstemmig vedtak i KS i 2004, vil ikke den sittende regjering endre på statlige organers innsigelsesrett i plansaker. Endringen skjedde for fire og et halvt år siden. Høyre og Fremskrittspartiet bruker Asplan/Agenda-rapporten som argument for å oppheve statens innsigelsesadgang. Det er det ikke dekning for. I rapporten står det bl.a.: «Funnene og diskusjonene i prosjektet viser at det er bred enighet om at innsigelsesinstituttet har en viktig funksjon for å sikre at både lokale, nasjonale og vesentlig regionale interesser ivaretas i arealplanleggingen. I tillegg bidrar instituttet til at sektorlover kan samordnes med planleggingen etter plan- og bygningsloven. Hovedutfordringen er knyttet til praktiseringen.» Det er alvorlig når innsigelser brukes til noe annet enn det de er ment for. Det er alvorlig når kommunene ikke kjenner til de virkemidlene de faktisk har, etter loven. Men det har statsråden allerede tatt fatt i. Forslagsstillerne er bekymret for manglende folkevalgt styring i plansaker, men foreslår altså at en forvaltningsdomstol skal ta stilling i politiske konflikter. Å ta beslutningene ut av politikken og over i jussen, å overlate arealkonflikter til en håndfull ikke-folkevalgte, er ingen garanti for at kommunen vinner. Takke meg til en miljøvernminister som det går an å ha en politisk diskusjon med.

Vårt syn er at innsigelse i bunn og grunn er et negativt virkemiddel, akkurat som bremsene på en bil hindrer bilen i å bevege seg. Vi er absolutt ikke mot bremser på biler, men det må også være en gasspedal. Derfor er vi også opptatt av denne KS-rapporten som nettopp viser at hver gang innsigelse brukes – og det brukes veldig ofte

Medregnet varsel om innsigelse i planprosessen, som også fører til stans av saksbehandlingen, og innsigelse som fremmes ved høring og offentlig ettersyn, ble det brukt innsigelse i nær alle kommuneplanprosessene for perioden 2007–2010. Det gir et litt annet bilde enn det som er forsøkt fremstilt her i dag, at det bare er 1 pst. av plansakene som ender i Det er vel så mye trusselen om å bruke innsigelse som stopper prosessen, fordi den lokale myndigheten da innretter seg for at selve saken ikke skal gå fullstendig i lås. Så det blir litt som ved væpnede bankran: Det er kanskje en veldig liten prosent tilfeller hvor det blir løsnet skudd – det holder for den som er ute i ulovlig ærend å vise frem våpenet for å få kassereren til å opptre slik man vil. Dessuten – og det er også den debatten som har avtegnet seg etter hvert – er det kanskje ikke antallet innsigelsesinstanser som er det avgjørende, men at de svært ofte, som også KS-undersøkelsen viser, opptrer uhjemlet. Det er det vi som lovgivere må gripe inn i, og se at hvis det utvikler seg en forvaltningspraksis som ikke er i samsvar med et samlet stortings ønske om å ha innsigelser, forventer vi at statsråden er proaktiv og ikke går i fullstendig skyttergravsforsvar for en ordning som hindrer boligbygging. Vi har altså konkret fått melding om at en rekke boligprosjekter, som inneholder tusenvis på tusenvis av boliger i Lier, Namdal, Fana, Bergen og Heggedal, er satt på vent nettopp på grunn av uvettig bruk av innsigelsesinstituttet. Det må opphøre. Det er mulig å replisere til foregående taler at det kanskje ikke bare er

med at når vi går i dialog om disse spørsmålene, avdekkes også en manglende bevissthet og en manglende kunnskap veldig mange steder, både hos lokale folkevalgte, regionale folkevalgte og administrasjon både lokalt og regionalt, om mulighetene og begrensningene som ligger i planloven. Det er rett og slett manglende kunnskap om hvordan loven skal og bør praktiseres. Jeg er enig med foregående taler i at det KS tar opp og dokumenterer i sin rapport om manglende lovhjemler for praktiseringen av plandelen av plan- og bygningsloven, ikke skal forekomme. Det må vi få en slutt på. på. Jeg er veldig glad for at statsråden har tatt det inn over seg og har varslet at vi allerede er i gang med en sånn gjennomgang. Det er ingen i denne sal som synes noe om unødvendige statlige innsigelser. Jeg må også få lov til å kommentere noen av de andre talerne. Representanten Skumsvoll sa her fra talerstolen at ingen vet bedre enn kommunepolitikere hvordan arealet skal disponeres. Det er et utsagn jeg er uenig i.

Det er derfor dette er et nøye samvirke mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter med folkevalgte på hvert nivå. Det handler om avveining av interesser. Areal er en knapphetsressurs, og rundt en knapphetsressurs vil det alltid være kamp om Så blir det hevdet at tusenvis på tusenvis av boliger står på vent fordi det er fremmet innsigelse. Ja, det er mulig at det er riktig, men man kunne jo ha planlagt innenfor de overordnede planene, for det er heldigvis sånn at de fleste boligprosjekter her i landet blir gjennomført fordi planene er godkjent. Det er noe med hvordan man utnytter dette også lokalt. Så er det representanten Lødemel som gjør noen avklaringer, som jeg har etterlyst fra Høyre i mange av de debattene som har vært. Han adresserer hvilke innsigelsesmuligheter man skal ta bort. Han nevner Direktoratet for naturforvaltning, og han nevner Fylkesmannen. Da legger jeg til grunn at det er de innsigelsesmulighetene Høyre vil ta bort, og tar med meg det i de videre

fylkesmannen enn fylkeskommunen, for i fylkeskommunen er det politikere som til syvende og sist avgjør saken, så da er det en politisk dimensjon. Jeg synes for øvrig at de signalene vi fikk fra statsråden, var veldig positive i den forstand at man skal se på terskelen. Problemet i fylkene i dag er jo at det ikke finnes noen terskel. Der renner jo den minste dråpen ut. Man kan gå til Vest-Agder, hvor jeg er godt kjent. Jeg har drevet med dette i 25 år, både som politiker og som ansatt – som teknisk sjef osv. – så jeg kjenner dette veldig godt. Det finnes ikke begrunnelser for svært mange av tiltakene. Det blir nemlig sagt: forbudt, det skal man ikke gjøre, man kan se det fra veien, biologisk mangfold etc. Det siste, som skjedde i Flekkefjord, var at slåttemark som ville bli gjengrodd i løpet av fem år, måtte man verne om. Det som kommer, er begrunnelser som ingen edruelige og tenkende mennesker kan forstå. Det håper jeg statsråden tar tak i overfor fylkesmennene. Vi hadde en debatt her for et par år siden med Erik

når dette budskapet skulle vises til fylkesmennene, fikk jeg et tvetydig svar. Man må gi fylkesmennene beskjed om hva som er innsigelsesberettiget, og hva som ikke er det. Det er der det største problemet ligger i

i plan- og bygningsprosesser. Opposisjonen – i alle fall Framstegspatiet – ønskjer i staden at ein skal ha lokalt folkevald sjølvråderett. No er det jo slik at når embetsmenn bryt inn i lokaldemokratiet, er det ikkje berre eit inngrep i lokaldemokratiet. Det er også eit inngrep som medfører at ein sjølvråderett. No er det jo slik at når embetsmenn bryt inn i lokaldemokratiet, er det ikkje berre eit inngrep i lokaldemokratiet. Det er også eit inngrep som medfører at ein får dårlegare avgjerder. Vi er overtydde om at det er dei lokale folkevalde, som har kontakt med innbyggjarane i kommunen – kontakt med grasrota – som er best i stand til å avgjere kommuneplanar og reguleringsplanar. Så er det sjølvsagt også det at når ein har eit eit stort byråkrati og ein stor ressurssløsing hos desse instansane som passar på kommunane. Men sjølvsagt skaper dette også eit enormt byråkrati og ressurssløsing i kommunane som er nøydde til å svare på desse angrepa frå t.d. Fylkesmannen. Eg er glad for at regjeringspartia no

forvaltningsdomstol. Så er det enkelte som prøver å late som om ein forvaltningsdomstol liksom opererer på eiga hand, utan noka styring. Men ein forvaltningsdomstol må jo heile tida halde seg til det gjeldande lovverket, når ein skal avgjere ein tvist eller ei usemje i slike saker. Dette er ei problemstilling som vi er opptatt av. Ein har også tal på at kommuneplanane blir møtte med

er det

at han var sterkt kritisk til at motsegnsinstituttet vert brukt for å kome i dialog med kommunane. Eg kan forstå at ein er kritisk til ein slik bruk for å kome i dialog, men då må det vere mogleg å seie at det kanskje kan vere grunn til å stille spørsmål ved Framstegspartiets praksis med å bruke lovforslag i nasjonalforsamlinga for å kome i dialog eller få reist ein debatt. Eg håpar ikkje det er slik at dette er standard, at ein at ein må bruke lovforslag for å kome i dialog med andre, men at dei vert brukte for å endre lova, og at det då er så gjennomtenkt at ein ikkje treng endre innstillinga i tolvte time, som dei sjølve sa. Det som fekk meg til å teikne meg, var to element som eg hadde lyst til å ta opp. Det første er at det vert brukt karakteristikkar som at problemet med motsegnsinstituttet ikkje alltid er sjølve motsegnene, men truslane om det,

men som gjer det i ein del saker. Det er noko av reiskapen ein har for ein lokal arealpolitikk som er i tråd med det partia i denne sal her i Stortinget har vedteke. Eg vil òg nemne at ein skal ta på alvor det Høgre og Framstegspartiet seier om tema dei har lyst til å stramme inn kraftig på – strandsonen, skal ha lokal forvalting av nasjonalparker, skal vi ikkje ha nasjonal forvalting av strandsonen, av utbygging av fornybar energi. Eg trur det er grunn til å stille alvorlege spørsmål ved om vi verkeleg meiner at vi ikkje skal ha nokon sterk nasjonal politikk på dei områda. Heilt til slutt: Det var kanskje ei god samanlikning å seie at planane er gassen og motsegna er bremsane. Spørsmålet er: Er det då ein god idé å svekkje bremsane for å få bilen til å gå framover? Vel, eg trur ikkje det. Eg trur snarare ein god motor, ein dyktig førar, og bremsar som faktisk verkar når ein treng dei, og som vert brukte når dei skal brukast, er svaret. Høyre finner det ofte taktisk lurt å henge seg på misnøyebølger, der

«vedlegges protokollen», foreslår Høyre i dag. Tidligere i høst diskuterte vi Innst. 56 S for 2012–2013, om tiltak for økt boligbygging. Der foreslo Høyre følgende regelverksendring når det gjelder det lovverket som Høyre i dag sier at de er så veldig misfornøyd med: De foreslo ingen endring på at det skal fremmes innsigelser i nasjonale, viktige spørsmål, hvis de er utfordret eller truet. Høyre sier også at en skal beholde nøyaktig den samme formuleringa som i dag når det gjelder at det vesentlig regionale skal spille en rolle. Så den eneste vesle endringa som Høyre foreslår i den saken og i den debatten, er at en skal ta vekk den vesle sikkerhetsmekanismen om at det også kan reises innsigelser «av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde». Hvis en ringer Miljøverndepartementet, får en greie på at dette er en bestemmelse i loven som knapt nok er blitt brukt i praksis. Så Høyre sier egentlig, hvis vi ser hva Høyre fremmer rent formelt, nøyaktig det samme som statsråden vår, at her er det behov for, slik det ofte er riktig å gjøre, at en går kritisk igjennom nåværende praksis for å se om det er mulig å få forbedret praksis. Det er egentlig Høyres posisjon i saken, reelt, hvis vi ikke hører etter hva som blir sagt, men ser hva Høyre faktisk gjør i saker som dette. Så undrer det meg veldig at så få nevner det regionale nivå, for vi vet jo alle at de store utfordringene planmessig i samfunnet ligger på overkommunalt nivå, f.eks. i Oslo-regionen. Sjøl om en dramatisk reduserer antall kommuner i Norge, vil det aldri bli en kommune som heter Oslo-regionen. En vil ikke redusere dagens 55 kommuner til én kommune. Så det er behov for en planlegging på overkommunalt og regionalt nivå. Der har vi rød-grønne, og jeg tror også Kristelig Folkeparti, det offensive, gode svaret: Her trengs det en regional politisk aktør som er direkte valgt, som tar ansvar for å drive offensiv god regional planlegging – det er motoren, der har vi svaret, mens Høyre og Fremskrittspartiet har prøvd å fjerne hele fylkeskommunen, Fremskrittspartiet vil til og med fjerne Fylkesmannen, lage et tomrom på regionalt nivå, der den regionale eller den overkommunale planleggingen skal foregå. Jeg er veldig glad jeg tilhører den rød-grønne fraksjonen når vi diskuterer planlegging og innsigelser. Jeg er

at Høyre protesterer for all verden, men følger med på ferden. Men jeg er faktisk ikke enig i at Høyres alternativ er det samme som statsrådens, nemlig forbedringer i praksis med innsigelser. For Høyre, med Tetzschner, men det argumenteres slik. Her ironiseres det fra Tetzschner om at alle synes at akkurat det de driver med, har nasjonal betydning. Hvis vi regner med at innsigelser dreier seg om noe annet enn et intenst ønske om å demonstrere makt overfor kommuner, står Høyre igjen med et problem, nemlig at de ikke sier noe om hvilke nasjonale interesser de mener skal vike. Fremskrittspartiet har sagt at de ikke synes biomangfoldet er interessant, strandsonen synes de heller ikke er interessant. Da har vi i hvert fall fått svar på noen nasjonale interesser som de mener bør vike. Så sier Tetzschner at trusselen om innsigelse er som et væpnet ran der pistolen ikke blir brukt. Det er en sammenlikning. En annen sammenlikning kunne være: som en lov, der brudd på loven fører til konsekvenser. Det er jo det som bør være grunnlaget for å unngå innsigelser, nemlig at kommunene vet i hvilke områder de f.eks. kan planlegge boliger og prøver å unngå å gjøre det, det, som det prosjektet jeg nevnte i Vestfold om planportalen, med det store målet om ikke å få innsigelser i Vestfold. Jeg behøver ikke å nevne hvilken fylkesmann som leder nettopp det arbeidet, og som har troen på at det

folkevald sjølvråderett. Det er jo derfor kommunane har ei eiga myndigheit til å vedta kommunale arealplanar. Det må vere utgangspunktet. Men så er det òg slik at ein kommune kan så klart ikkje gjere ting som går for mye ut over ein nabokommune, og som går ut over regionale eller nasjonale interesser, utan at

at utgangspunktet for kommunane er ikkje berre å ta omsyn til sine eigne interesser, dei tek omsyn til naboane så langt som råd er. Derfor trur eg at det er aldeles riktig at vi går igjennom om dette systemet kan fungere i praksis. Her er det eit forbetringspotensial. Eg er veldig glad for det som statsråden peiker på her, nemleg det å samordne dei statlege Ein opplever gong etter gong at ulike statlege instansar har ulike meiningar og har motsegner, baserte på ulikt grunnlag. Staten opptrer som eit troll med mange hovud, er det mange som hevdar. Så dette å prøve å samordne statens interesser når det gjeld dette, er kjempeviktig. Det andre er – som òg statsråden peikte på – å dra inn dei som sit med motsegnsretten, så tidleg som mogleg i ein Eit konkret eksempel vi har i Hedmark og Oppland no, gjeld ein forvaltingsplan for villreinstamma i Rondane-Sølnkletten. Her hevdar i alle fall kommunane og fylkeskommunane, som no har hatt ein lang prosess på dette, at dei har invitert fylkesmennene til å vere med på eit tidleg stadium, utan at dei opplever at fylkesmennene har vist interesse og engasjement for å vere med, men kjem i ettertid med ei motsegn. Her kunne ting sikkert vore løyste undervegs. Apropos klargjorde skiljeliner. Eg er veldig usikker på kva det

det lokalpolitiske forvaltningsnivået og de statlige særinteressene skal gå – som ofte ikke befinner seg på politisk nivå, men på sektornivå i byråkratiet. Etter å ha hørt statsråd Solhjells og representantene Hagens og Egelands utlegninger av Høyres syn synes jeg kanskje jeg bare skal presisere hvorfor vi stemmer for et eget forslag om å vedlegge forslaget protokollen. Vi har aldri gått inn for å fjerne innsigelsesmuligheten hos Fylkesmannen. Hvis man har fornuftige, kloke fylkesmenn – og det har vi jo noen steder, som også ble nevnt som et eksempel i debatten – som holder seg til lovens innsigelsesgrunnlag, er ikke noe bedre enn det. Det er vårt poeng også. Innsigelsen må begrenses til viktige og prinsipielle saker hvor det er målkonflikter. Det må være tydelig, etterprøvbar angivelse av og på hvilket grunnlag man utøver innsigelsesmyndigheten. Det må være en bedre avgrensning av hvilke forhold det kan gis innsigelse til, med tydeligere kriterier for når det kan gis innsigelse. Så må vi ha bedre kontroll med hvordan byråkratiet utøver innsigelsesmyndigheten. Det er statsrådens ansvar bl.a. å sørge for at det skjer, slik at loven blir praktisert slik Stortinget har forutsatt. forutsatt. Så skal det bli bedre å ha andre mekanismer for å løse uenighet mellom kommunene og myndigheter som har ansvar for nasjonale og viktige regionale hensyn. Vi har også foreslått i annen sammenheng – men det kan også brukes her – å benytte et uavhengig tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune, men selvfølgelig begrenset til å prøve hjemmelsgrunnlaget. Det ble av Rudihagen spurt hva en slik tvisteløsning eller en domstol skal gjøre. De skal selvfølgelig tolke loven slik Stortinget har vedtatt den, det er rettslige normer. normer. Det som er fordelen med en domstolsbehandling, er at den ikke skal blande seg i det politiske skjønnet, men holde seg til statens egne rettslige normer, slik de er nedfelt i norsk lov. Så ønsker vi også at det som i dag gis som innsigelser, i større grad bør gis som planfaglige råd. Vi ser ikke bort fra at det er mange som har et poeng når de i beste mening blander seg inn i kommunenes planlegging, men man kan altså velge annen lut enn den aller skarpeste. Man kan faktisk gi råd uten å blokkere hele planleggingssystemet og forsinke det gjennom uendelige byråkratiske prosesser. Jeg tror det er viktig å

Det er enighet om at kommunene skal kunne bestemme over eget areal. Hvis vi skal fastholde det prinsippet, er vi nødt til å ha et system for å ivareta nasjonale og regionale interesser, en sikkerhetsventil som sikrer at disse interessene kan opprettholdes, og samtidig holde på kommunenes adgang til å styre selv. Vi kan ikke ha det slik at den enkelte kommune legger E18 i hver sin ende av kommunen, slik at E18 ikke henger sammen. Det kan ikke være slik at kommunene suverent skal gjøre vurderinger uten at statlige hensyn kan komme inn. Jeg vil si det er noe riktig i kritikken som reises mot innsigelsesinstituttet, og det er viktig at vi får en gjennomgang. KS har dokumentert at instituttet iblant praktiseres på en kritikkverdig måte, men KS-rapporten sier også noe mer. Den sier at instituttet har en viktig funksjon, og at det har stor legitimitet i kommunene. Representanten Hagesæter framstiller det som om Fremskrittspartiet er på lokaldemokratiets side, mens regjeringspartiene vil sentralstyre. Det er fristende å minne representanten Hagesæter om hva som er Fremskrittspartiets politikk når det gjelder planlegging av store veiprosjekter. store veiprosjekter. Der er ikke Fremskrittspartiets holdning at kommunene skal styre, eller at innsigelsesinstituttet skal ivareta nasjonale interesser. Nei, statlig reguleringsplan er Fremskrittspartiets svar. Om det er noe som bidrar til å overkjøre lokaldemokratiet, må det vel være at staten – uten å lytte til kommunene – tar beslutninger. For øvrig: Det gleder meg at representanten Tetzschner er opptatt av boligbygging. I hans og min felles hjemkommune, Oslo, er avstanden mellom det antall boliger som bygges, og det det er behov for, svært stor. Det er samtidig fylket med kanskje den laveste andelen statlige innsigelser i landet. Så jeg vil gjerne vite av representanten Tetzschner om han oppriktig mener det er statlige innsigelser og ikke andre faktorer som forhindrer boligbygging i Oslo. Til slutt: Jeg har vært i mange debatter om dette i det siste. Jeg synes det er som et ekko av debatten at svaret er innsigelser – men hva var spørsmålet? Det skal sjølvsagt ikkje vere slik at alle kommunar skal kunne pulverisere nasjonale retningslinjer og norsk lov ved å vise til det lokale skjønnet. Men kommunane må i større grad enn vi ser i dag kunne bruke skjønn i lokale saker der ein har god oversikt. Det har også gått ut eit rundskriv, som har vore nemnt her, der ein seier: «Organer med innsigelsesrett forutsettes å vise stor varsomhet med å overprøve kommunestyrets politiske skjønn i lokale forhold.» Spørsmålet er: Når skal dette klare signalet få eit reelt innhald, når meir enn ni av ti saker blir møtte med motsegn? Representanten Aksel Hagen kallar det misnøyesurfing. Jo, det er stor misnøye. Jo, det er stor misnøye. Det er stor misnøye også blant SVs lokalpolitikarar, fordi dei føler at dei blir motarbeidde, dei blir ikkje respekterte, og det lokale skjønnet blir ofte fullstendig sett vekk frå. Så svaret frå SVs representantar her er at her på huset ser ein det så mykje betre enn lokalt. Så er det også måten eller det som vi kallar motsegner. Dette blir brukt for å komme i dialog. Det er vel andre måtar å komme i dialog på enn å bruke motsegn. Det er omtrent som å melde naboen til politiet for at han ikkje har klipt hekken og basisen er at ein ønskjer å komme i dialog. Når eg høyrer debatten i dag, er det tydeleg at det er dårleg – om nokon – dialog mellom dei raud-grøne representantane og kommunenivået deira. Det er stor aktivitet frå SV spesielt. Men er det dårleg samvit for bruk av motsegn som gjer det?

seg det vi her snakkar om. Elles ga representanten Michael Tetzschner ei grundig innføring i kva som er Høgre sitt syn knytt til motsegn, og kanskje representanten Sivertsen skal lese litt grundigare igjennom det, slik at han slepp å kome med den typen påstandar ein gong til. Eg har teke opp ei lokal sak frå Flora kommune, i mitt heimfylke, som eg meiner er eit stygt eksempel på statleg overtramp med tanke på overprøving av ein kommune sine sine vedtak i form av ein reguleringsplan, men også eit grovt maktmisbruk mot grunneigarar som ønskjer å lage ein reguleringsplan bygd på kommunale planar for å få byggje ut eit lite hyttefelt, som faktisk kan vere med på å rydde opp i deira tilhøve vidare framover. Eg stilte spørsmål til statsråden i denne saka, for eg reagerer veldig sterkt på den måten både kommunen og dei private grunneigarane blir handterte på. Eg registrerer at Sivilombodsmannen også er svært kritisk til den handsaminga denne saka har fått av Miljøverndepartementet kva angår ankesaka, der Miljøverndepartementet avslo den reguleringsplanen som det her var snakk om. Når det er snakk om følelsar: I slike saker reagerer Høgre, når det blir snakk om urett. Det kjem vi til å

Så der er det tydeligvis også fra Høyres side et situasjonsbestemt forhold til Kommune-Norge. Så til dette med domstol: Det siste som er blitt sagt her, tyder vel på at egentlig er det ment slik at domstolen skal være en ankemulighet etter at alt annet i og for seg har blitt gjennomført slik som det er i dag, og så skal en kunne sjekke til slutt om en har holdt seg innenfor eller utenfor lovverket. lovverket. Det tyder på at også Høyre og Fremskrittspartiet fortsatt trenger de systemer og prosesser som vi har i dag, og så kommer domstolen i tilfelle på som et tillegg – i hvert fall slik tolker jeg de siste innleggene her. Så to ting til slutt – det første har jeg sagt mange ganger før. Jeg syns en skal være litt forsiktig med entydig å stat. Jeg vet at mange kommuner er litt usikre på om de vil ha en samordnet stat, i den forstand at en skal møte et voldsomt, statlig konkluderende apparat. Kanskje det er mye riktigere at en møter en stat som nettopp sier at innenfor landbruk havner vi på én type konklusjon, når det gjelder miljøvern, en annen type konklusjon, og så skal dette bli avgjort av et politisk organ og ikke av en fylkesmann som slår i alt sammen. Det er en måte å beholde det politiske i Det er en måte å beholde det politiske i denne situasjonen på, så jeg ser veldig fram til Miljøverndepartementets videre arbeid med det. Så tilbake til dette med planlegging: La oss satse på mer kompetanse og mer kapasitet inn i planprosessene våre. Da vil det skje som i Stavanger-regionen, en vil stort sett ikke komme ut med noen innsigelser i det hele

I går gjaldt det f.eks. samordning av areal- og transportpolitikken, men konklusjonen blir altså den samme: Vi ønsker folkevalgt styring i hele planleggingsløpet på alle offentlige nivåer. Selv var jeg litt overrasket over innlegget fra Tetzschner, for det har jeg en følelse av er skrevet litt om siden i går. I går var et av Tetzschners utsagn at nasjonale forventninger til lokal og regional planlegging var i strid med «ånden i det lokale selvstyret», men i dag oppfatter jeg at Tetzschner egentlig sier seg enig med oss, at det er behov for en gjennomgang av praksis, ikke først og fremst en begrensning i adgangen til å fremme innsigelser. Når det gjelder representanten Hagesæters innlegg, hevder han at det er de lokale folkevalgte som er i kontakt med grasrota, og som alltid vet best. Men hva da med situasjoner der interessene i to kommuner står steilt mot hverandre? Det er brukt mange lokale eksempler i debatten her som det er vanskelig å svare på, men et av Tetzschners eksempler handler nettopp om noe som undertegnede kjenner en del til, nemlig Lier kommunes planer for boliger på Lierstranda. Det er altså et område som grenser opp mot Drammen kommune, som har vesentlige havneinteresser i det samme området, og havn og bolig er i utgangspunktet en særdeles dårlig kombinasjon, særlig hvis en har ambisjoner om å drive havnedrift 24 timer i døgnet. Det er også regionale sider ved den smule konflikten mellom Lier kommune og Drammen kommune, bl.a. tunge næringslivsinteresser og et spørsmål om å få mer av transporten over fra vei til sjø og bane, så det inneholder også viktige miljøaspekter. Statlige innsigelser i den konflikten har nå faktisk bidratt til at de to kommunene er i dialog, men med Høyres opplegg ville altså den konflikten ha endt i en forvaltningsdomstol, hvor den ene kommunen hadde fått rett, og den andre ikke hadde fått medhold. I dag ser det ut til å kunne bli en minnelig løsning, hvor begge kommuner gir og tar, og hvor en til slutt får til slutt får en løsning som er til beste for hele lokalsamfunnet i begge de to kommunene, som altså grenser mot hverandre i et område hvor arealkonfliktene har vært store gjennom mange år. Det er en viktig sak som er satt på dagsordenen i dag. Jeg har Jeg har lyst til å se det litt i perspektiv. Da jeg startet i politikken på 1980-tallet, for ikke å snakke om da jeg startet i ungdommens kommunestyre på 1960-tallet, fikk kommunene lov til å organisere seg, og de fikk lov til å planlegge lokaldemokrati og utøve det for befolkningen i bygda eller i byen som de levde i. I dag har det blitt en kraftig begrensning i det. har faktisk blitt så stor at da jeg gikk av som ordfører for snart fire år siden, var det mange som ga uttrykk for overfor meg at det er snart ikke interessant å være lokalpolitiker lenger, for uansett hva du foretar deg, skal det sendes Fylkesmannen til uttalelse, og da kommer det gjerne tilbake med en anmerkning om at enten ligger det an til at man går imot det, eller man vil ha en dialog på det. Dialog er greit, men problemet er at man går imot det basert på en statlig forordning. Vi er selvfølgelig enig i at nasjonale retningslinjer er nødvendig, men må det være likt i hele landet? Landet vårt er så forskjellig, og det skal være forskjellig og kommer til å bli forskjellig – som menneskene er forskjellige – og da må det være lov at et lovlig valgt demokratisk organ skal få bestemme litt over sine egne saker. er vi så heldige at vi har fått en fylkesmann som var i denne sal for inntil snart fire år siden, som skjønner en god del av lokale tilpasninger i fylket, derfor har vi fått relativt mindre innsigelser de siste årene. Jeg understreker at vedkommende til og med er fra SV, og det gleder meg at vi har fått en slik fylkesmann. Rundt omkring i landet ellers har vi store begrensninger, og det fører til at man får en flyttestrøm fra bygdene til byene i særdeleshet, som nok ikke stopper uten videre, og man påskynder den ved at man tar makten fra dem som bor særlig i de mindre kommunene. Det er jeg veldig sterkt imot.

Det kommer andre og bestemmer hva du skal gjøre med din eiendom, eller hva kommunen skal gjøre. Det er en svært uheldig utvikling. Så selv om jeg ikke er enig i alle forslagene som Fremskrittspartiet har her, mener jeg det er absolutt påkrevet at dette regimet gjennomgås, så man kan få vitalisert lokaldemokratiet. Representanten Michael Tetzschner har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

og dermed er effekten den samme. Som et eksempel fra Oslo kan man jo ha in mente den særdeles frittgående riksantikvar, som altså har stoppet et helt byutviklingsprosjekt og faktisk også hatt en en politisk overprøving av Oslo bystyre på eget rent skjønnsmessig grunnlag. Han har til og med truet med innsigelser mot fremtidige reguleringsplaner, for å ta omkamper om tidligere reguleringsplaner. Det er misbruk av innsigelser.

er det Høyre vil ha bort? Hvilke nasjonale og regionale hensyn er det som ikke skal gi fellesskapet, ved nasjonen eller regionale forvaltningsmyndigheter, anledning til å fremme innsigelser? Hva er det man vil ha bort? For vi er enige om at en praksis som ikke er i tråd med gjeldende lov, ikke er forsvarlig, og at den skal vi ha bort. Høyre vil åpenbart gå lenger, men de vil ikke si

men vi har noen mekanismer for å gripe inn når den reguleringsmyndigheten kommer på tvers av andre tungtveiende regionale eller nasjonale hensyn. For eksempel har vi kommuner i mitt område, mellom Bodø og Saltdal kommune, der kommunene har vidt forskjellig oppfatning av en sak, der Saltdal kommune fremmer innsigelser til kommuneplanen. Det er heller ikke sånn som det har blitt hevdet av enkelte i denne debatten, at de fleste planer blir møtt med innsigelser, tvert imot. De fleste planer går glatt igjennom uten noen innsigelser. Så er det sånn at noen planer, ca. en tredjedel – det varierer litt fra år til år – blir møtt med innsigelser eller varsel om innsigelser. Så setter man seg ned rundt et bord, løser konfliktene og finner balanserte løsninger til beste for fellesskapet, det være seg enten et kommunalt, et regionalt eller et nasjonalt fellesskap og hensynene her. Sånn må det være. Det må være en praksis der vi finner fram til de beste løsningene som vi er tjent med over tid. Det kan ikke være sånn at enkelte skal få lov til å overkjøre andre interesser. Det er ikke et demokrati

men om ein snakkar med lokalpolitikarane, får ein altså ei tilbakemelding på at det dei siste sju åra har blitt stadig meir regelstyring, og at ein er meir og meir basta og bunden til nasjonale vedtak. Så om det er slik Eirik Sivertsen seier, at ein er oppteken av dette, må ein ta det inn over seg og forenkle lovverket og gjere det meir opp til lokale myndigheiter – lokaldemokratiet – å avgjere enkeltsaker. Grunnen til at eg tok ordet, var Aksel Hagen, som var inne på at det var situasjonsbestemt når Framstegspartiet var forelska i kommunane. Så prøver han å vri det til at vi skal ta frå kommunane all myndigheit når det gjeld dei grunnleggjande velferdstenestene i kommunane. No er det altså slik at eldreomsorg og andre grunnleggjande velferdstenester i kommunane er lovpålagde. Det er lovfesta frå denne sal at kommunane har eit ansvar for det. Men det følgjer altså ikkje med pengar, og det er det vi har sagt, at det skal vere ei behovsstyrd statleg finansiering av grunnleggjande velferdstenester. Men kommunane skal sjølvsagt ha ansvaret for desse tenestene, sjølv om det er staten som finansierer dei. Ved å få ei statleg finansiering vil alle vere sikra desse tenestene, uavhengig av om ein bur i ein fattig eller ein rik kommune. Dette er noko eg har gjenteke gong på gong, og eg er for så vidt også forberedt på at eg er nøydd til å gjenta det fleire gonger, for det er heilt sikkert fleire av dei raud-grøne som ikkje vil forstå dette systemet. Representanten Lise Christoffersen viste til at lokalpolitikarane ikkje alltid veit best. Det kan tenkast at det er unntak, men eg meiner at det er lokalpolitikarane som har kontakt med innbyggjarane i kommunen, det er dei som har kontakt med grasrota, og det er dei som har dei beste føresetnadene for å gjere gode vedtak.

tvist. Ein forvaltningsdomstol må sjølvsagt halde seg til det lovverket som gjeld, på same måten som også andre domstolar må halde seg til det lovverket som er vedteke i denne salen. Representanten Henning Skumsvoll har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Hadde representanten Hagen og Egeland lest forslaget fra Fremskrittspartiet, hadde de sett at det står «begrense». Begge sier at vi vil avskaffe fylkeskommunens og Fylkesmannens innsigelsesrett. Vi vil begrense den; det står svart på hvitt på mitt papir. Når det gjelder hva vi ønsker i det sentrale regulerings- og medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet: «Disse medlemmer vil derfor styrke det lokale selvstyret. Disse medlemmer mener statens bruk av innsigelse må begrenses til der det er absolutt nødvendig av hensyn til overordnete nasjonale hensyn.» Det er jo der det syndes. Uansett hva som kommer fram, må de komme med en innsigelse hvis noe ligger ti meter fra havet, fra en innsjø eller en elv. Så Så hvis vi kunne få en høyere terskel – en halv meter istedenfor en centimeter, som det er i dag – er det kanskje mulig at det kunne fungere greit med innsigelsesretten. Representanten Aksel Hagen Først noen ord til Skumsvoll om at Fremskrittspartiet vil begrense fylkeskommunens og fylkesmannens innsigelsesrett. Fremskrittspartiet vil jo i andre debatter og i andre saker legge ned fylkeskommune og Fylkesmann, så de to organene er allerede lagt ned av Fremskrittspartiet i en debatt for bare noen dager siden. Så til Tetzschner: Å ta i bruk dette med brems/motorbegrepet. Tekst- og taletolking er

som en ressursødende og udemokratisk praksis, med innsigelser sent i saksbehandlingen – ofte på kryss og tvers – så en stakkars kommune kunne føle seg låst, uansett hva man gjorde. I ny § 3-2 har alle med innsigelsesmyndighet fått både rett og plikt til å delta aktivt i planlegging som berører deres område, og i ny § 5-5 er det bestemt at retten til å fremme innsigelser bortfaller dersom plikten til tidlig deltakelse ikke er overholdt – forutsatt at kommunen har gjort sin plikt og varslet berørte instanser ved oppstart av planleggingen. Nå skal Solhjell ettergå den praksisen og bringe ting i orden. Representanten Oskar J. Grimstad har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til

møter motsegn. Har han ikkje fått med seg at også KS – kommunane sin organisasjon – problematiserer dette forholdet og seier at dette ikkje er godt nok? Det lokale sjølvstyret blir overprøvd i altfor stor grad. Representanten Gjermund Hagesæter har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

men dersom ein slik interessekonflikt oppstår mellom to kommunar, er eg heilt overtydd om at ein forvaltingsdomstol vil vere mykje, mykje betre skikka til å avgjere ein slik konflikt enn fylkesmannsembetet er. Den taletiden som ble spart, ble i alle fall utnyttet fullt ut.

I overkant av 700 av dem ble det fremmet innsigelser til. Så var det 26 av dem som gikk til departementet. Det betyr at ca. 700 ble løst over bordet i runden med megling og diskusjon mellom statlige, regionale og lokale myndigheter. Men jeg kjenner ikke til hvor representanten Grimstad har sine tall fra.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

Stortinget. Dette går fram av innstillingen. Jeg ser at det ligger et forslag fra Fremskrittspartiet på bordet i dag om å fremme konkrete krav til russiske myndigheter om rensing. Jeg trodde faktisk at man var klar over at dette er godt ivaretatt av regjeringen – fortløpende. Jeg er glad for at så mange har et fokus på dette problemet, og at alle er opptatt av hva som kan gjøres for at denne forurensningen kan minskes og stoppes. Det er viktig for regjeringen å ha folk i ryggen når de skal fronte saken overfor russiske myndigheter, og at det skjer på en måte som samtidig ivaretar et godt naboskap mellom våre to land. Komiteen har nylig vært på reise i dette området i Russland, og det har gitt oss god kunnskap om denne vanskelige saken og om hvor saken står nå. Her har også fylkesmannen i Finnmark og vår generalkonsul i Murmansk tilført komiteen viktig kunnskap om saken. Grenseoverskridende forurensning er vanskelig, og når det gjelder forurensning fra nikkelproduksjonen, er dette en særlig vanskelig sak, også for naboforholdet mellom våre to land. Som det påpekes fra forslagsstillerne, er forurensningen fortsatt uakseptabelt høy. Store områder er forurenset av tungmetall og er således et meget stort miljøproblem. Regjeringen uttrykker skuffelse over at det på russisk side så langt er vist liten vilje til reell handling i en sak som betyr så mye for alle dem som er bosatt i disse grenseområdene. Likevel blir det opplyst at det har skjedd noen forbedringer ved at utslippene av svoveldioksid har blitt redusert mye siden de var på topp i 1980-årene. Her har det skjedd en del tiltak for å redusere utslippene, og samtidig har de gått over til mer svovelfattig malm. Det er grunn til å være tilfreds med at regjeringen på en tydelig og klar måte systematisk har tatt saken opp med de russiske myndighetene. Saken har også vært reist av vår statsminister overfor den russiske presidenten i 2010, hvor det framkom en felleserklæring som bl.a. konkluderte med at denne forurensningen må ned til et nivå som ikke skader helse og miljø i grenseområdet. Dette er en erklæring det arbeides videre med gjennom en dialog mellom norske og russiske myndigheter. I denne saken vil jeg poengtere at det kun er dialog som vil føre fram. Derfor er det viktig at dialogen fortsetter og at det fortsatt holdes stort trykk på saken fra norske

hvor det blir understreket at den grenseoverskridende forurensningen fra nikkelproduksjonen på russisk side av grensen er en svært vanskelig sak i miljøsamarbeidet med Russland og en belastning i det gode naboforholdet. Statsråden understreker at dette er en sak der alle norske regjeringer har fulgt en klar og konsistent linje basert på bred politisk enighet. Videre sier statsråden at for regjeringen er det høyt prioritert å finne løsninger som tar vare på hensynet til helse og miljø i grenseområdet. Vårt naboforhold til Russland er bra. Det er basert på et folk-til-folk-samarbeid, men Norge har fullt ut vært klar over forurensningen fra russisk side siden 1974 og fram til i dag. Hvis det er slik som statsråden hevder, at både dagens regjering og tidligere regjeringer har hatt denne sak høyt prioritert, undres jeg over prioriteringen i Miljødepartementet. 38 år er gått, og intet er skjedd. Det sier mye om prioriteringen. Fremdeles er utslippene av svoveldioksid og tungmetaller altfor høyt, fremdeles ligger utslippene på 100 000 tonn årlig. Oppfatter jeg statsråden riktig i sitt svar, skal Norge forstå problemstillingen med at Petsjenganikel er den største skattyteren i Murmansk fylke. Fremskrittspartiet er langt mer opptatt av at Sør-Varanger kommune ikke kommunen står i fare for å bli påført uopprettelige forurensningsskader. Skal vi forstå problemstillingen ved at Petsjenganikel er den største skattebetaleren? Skal jeg ta statsråden på alvor? De to største eierne av Petsjenganikel, eller Norilsk Nickel, er Potanin og Deripaska. Deripaska er og god for 61 mrd. kr, mens Potanin følger fire plasser bak med en estimert formue på 59 mrd. kr. Eierne er styrtrike oligarker som kun vil rense hvis beskjeden om rensing kommer fra russiske myndigheter. Statsråden hevder videre i sitt brev: «Vi har sjølvsagt ikkje nokon moglegheit for å sette makt bak kravet til reinsing». Nå vet ikke jeg hvor statsråden vil med uttrykket sitt om å sette makt bak, men det er liten tvil om at Norge har hatt utallige muligheter til å kreve innrømmelser fra russisk side hva gjelder å rense utslippene. Det er her skoen trykker. Vi må som nasjonalstat fremme krav i saker som vedrører oss i så stor grad som utslippene av svoveldioksid og tungmetaller de facto gjør. For å nevne noen eksempler, og da holder jeg humanitære saker utenom: Norge rydder opp i atombaserte fyrlykter både på Kolahalvøya, i Kvitsjøen og nå også i Østersjøen. Norge bygde og finansierte grensestasjonen mot Russland og finansierte veiene fra grensen til Nikel. Norge finansierte og bygde ut mobildekningen, finansierer, bruker og har brukt flere milliarder kr på opprensing av atomavfall i Andrejevbukta – helt uten at vi som nasjon har fremmet krav om innrømmelser til rensing av utslippene fra Nikel og Zapoljarny. Vi har over tid brukt flere milliarder kroner på opprydninger og utbygginger i Russland uten gjenytelser og innrømmelser fra russiske myndigheter. Statsråden avslutter i sitt brev med å vise til tålmodighet: så kjenner eg meg trygg på at tida tross alt arbeider for oss i denne Tiden har allerede i 60 år arbeidet mot Norge og Sør-Varanger – og er blitt en særdeles dårlig

På generelt grunnlag må sies at utslippene av svoveldioksid og andre miljøskadelige stoffer har gått ned som følge av en rask teknologisk utvikling og nedleggelse av gammel, forurensende industri i Sentral- og Øst-Europa, men dessverre er forurensningen fra Nikel fremdeles et problem. Energi- og miljøkomiteen besøkte Nikel under en komitéreise høsten 2012, og vi kunne ved selvsyn se at anlegget trenger kraftige utbedringer for å unngå denne type skadelige utslipp. Samtidig er bedriften en hjørnesteinsbedrift i regionen og en viktig arbeidsplass og inntektskilde for lokalsamfunnet. Denne saken kan ikke løses på annet vis enn gjennom dialog med russiske myndigheter og et håp om at disse etter hvert setter en stopper for den dispensasjonen Norilsk Nickel har med hensyn til utslipp. Høyre er tilfreds med de tydelige signalene som kommer fra regjeringen og miljøvernministeren med hensyn til å holde fokus på denne saken også i tiden fremover. Det er først og fremst et russisk ansvar å redusere utslippene på Kolahalvøya. Det er derfor viktig med en kontinuerlig, aktiv politikk overfor Russland for at de skal iverksette tiltak som kan redusere svovelutslippene fra Nikel. Erfaringene så langt har dessverre ikke vært positive, men vi må allikevel fortsette arbeidet med å få russerne til å følge opp sine

Nikel. Erfaringene så langt har dessverre ikke vært positive, men vi må allikevel fortsette arbeidet med å få russerne til å følge opp sine plikter. Flere har sagt at energi- og miljøkomiteen var på besøk i Zapoljarny, få kilometer fra den norske grensen, hvor vi så på Norilsk Nickels Kola-anlegg. Det var skremmende å se den døde naturen rundt byen. Fra Zapoljarny og Nikel slippes det Det er, som det har vært nevnt, et problem som ble fokusert på allerede i 1974, da Norsk institutt for luftforskning, NILU, oppdaget sviskader på skogen i Finnmark. Da hadde russerne produsert nikkel i over 35 år i dette området, men forskjellen var at de nå begynte å bruke mer svovelholdig malm fra Norilsk i Sibir. Dette ga starten til aksjonen «Stopp dødsskyene fra Sovjet» på 1980-tallet, som resulterte i at Norge bevilget 300 mill. kr til renseanlegg med et håp om å redusere utslippene med 90 pst. Nå, over 20 år senere, er ikke noen av de rensesystemene på plass.

I stedet hevder russerne nå at utslippene av tungmetall ligger innenfor de russiske grenseverdiene. Når det gjelder utslippene av svoveldioksid – som var på sitt høyeste med 150 000 tonn, fem ganger norske utslipp – har bedriften fått en midlertidig forhøyet utslippsgrense. Problemet er – og her har vi en viss relevans til forrige sak om innsigelser – at det er regionale myndigheter i Russland som kan gi dispensasjon for slike forhøyede utslippsgrenser. Lokale myndigheter er nok mer avhengig av arbeidsplassene i Nikel og Zapoljarny enn Norilsk Nickel-konsernet er. Nå snakker de om å redusere til 70 000 tonn utslipp. Det er viktig å understreke at det også er for mye. Utslippene forurenser grunnvann, elver og innsjøer, og På norsk side opplever vi at Mattilsynet gir kostholdsråd når det gjelder å spise reinkjøtt. Av en eller annen grunn gir de ikke kostholdsråd om plukking av sopp og bær, fordi det gjør vi sjøl, men de inneholder også tungmetaller. I de russiske områdene er andelen luftveissykdommer langt høyere enn ellers, og forventet levetid er også lavere. Det er også – ifølge offisielle russiske tall – funnet mer sykdom hos barn, flere spontanaborter og premature fødsler. Da vi møtte dumaen i Murmansk, snakket lederen av miljøkomiteen om disse miljøproblemene som rammer befolkningen. Hun var sjøl lege og bodde i Montsjegorsk, der Norilsk Nickel også har et anlegg, men der de faktisk har klart å redusere utslippene. Norske myndigheter hadde senest i sommer møte med russiske myndigheter. Problemet er blitt tatt opp på mange nivåer. Det er viktig at det presset holdes ved like. At vi ikke har nådd fram med sporet om penger til renseanlegg, betyr ikke at vi starter helt på scratch. Vi står nå i en situasjon hvor Russland håper å bli med i OECD. Det vil måtte bety at Russland aksepterer de grunnleggende prinsippene og retningslinjene som gjelder på miljøområdet. Russland er i ferd med å revidere sin egen miljølovgivning. ikke vært i norsk interesse å si at vi ikke vil bidra til å rydde opp i Andrejevabukta hvis de ikke samtidig vil motta pengene våre for å rydde opp i svovelutslippene. Da hadde vi sittet med to problemer i stedet for ett. Jeg kan ikke se at denne saken er tjent med at Fremskrittspartiets forslag blir vedtatt, men jeg forutsetter jo at presset nå holdes oppe fra norske myndigheter, som jeg vet de jobber mye med. Eg er vet de jobber mye med. Eg er glad for at forslagsstillarane tek opp dette temaet, fordi utfordringa er så stor, og fordi dei forureina utsleppa ganske enkelt er uakseptable. Det er viktig å ha med det fleire har vore inne på: Alle norske regjeringar – både den sitjande og tidlegare regjeringar – har vore klare i sitt standpunkt i saka. Den politiske semja i denne sal er, som eg oppfattar ho, svært brei kring den norske posisjonen. Det har blitt løfta overfor russiske myndigheiter

ser lang og krunglete ut, men det er nokre små lyspunkt. Felleserklæringa viser at òg russiske styresmakter iallfall erkjenner at dette må gjerast noko med, og at ein skal hente inn objektiv informasjon om utsleppsnivået og styrkje kontroll- og miljøovervakinga i grenseområdet. Det er jo ein start, men det er på langt nær godt nok. er nøydde til å få ei tydelegare forståing frå russiske styresmakter si side om at utsleppa, når det gjeld både svovel og tungmetall, må ned. Det betyr at bedrifta Petsjenganikel ikkje kan bli gjeve dei mellombels dispensasjonane frå miljølovverket som no blir gjevne,

om tilhøva og ta opp saka i denne nabobyen, for folk er redde for konsekvensane av både svovelutslepp og tungmetall, kva ein er utsett for og kva konsekvensar det kan gje. Det må vi ta på stort, stort alvor. Forholdet mellom Noreg og Russland er generelt godt, iallfall samanlikna med kva ein kanskje har hatt opp igjennom tidene. Det gjev eit godt utgangspunkt for ein

at ein som svar på den uavklarte situasjonen i Nikel ikkje skal bidra til atomopprydding, ville gje oss to problem i staden for eitt. Når vi som nasjon er inne så tydeleg og bidreg til opprydding av atomavfall, gjer vi det òg fordi det er viktig for norske innbyggjarar – ikkje minst innbyggjarane i den nordlege landsdelen – at dei kan føle større Først har jeg lyst til å gi honnør til forslagsstillerne for å ta opp en svært viktig sak til debatt her i Stortinget. Som det blir påpekt i forslaget, har denne ble kjent i Norge på 1970-tallet, lenge før – iallfall en god stund før – jeg ble født, og dialogen med russerne har vart like lenge. Som flere har vært inne på, har en til og med tilbudt økonomisk bistand for å iverksette rensetiltak. Likevel blir lite eller ingenting gjort. Som flere har vært inne på, er det nesten vanskelig å forstå – når en ser de enorme konsekvensene det har for naturen i områdene rundt – at ikke russerne er villige til å gjøre mer selv. Utslippene fra Norilsk Nickel forurenser grunnvann, elver og innsjøer, i tillegg til at utslippene fraktes med luft. fram av forslaget, er andelen luftveissykdommer i de russiske områdene langt høyere enn ellers, og forventet levetid er lavere. Det er også – ifølge russiske offisielle tall – funnet mer sykdom hos barn, flere spontanaborter og premature fødsler. I Norge gir Klif egne kostholdsråd for inntak av reinsdyrkjøtt i det norske grenseområdet på grunn av tungmetallene. Jeg har også lyst til å gi miljøvernministeren honnør for den svært grundige redegjørelsen i svarbrevet til komiteen. Jeg er enig med statsråden i at det ikke finnes noe alternativ til å fortsette dialogen i denne saken. Felleserklæringen fra møtet med president Medvedev i Norge i april 2010 er et godt utgangspunkt for å komme videre i arbeidet. Her blir det slått fast at utslippene fra nikkelproduksjonen ved grensen gir grunn til bekymring og må ned til et nivå som ikke skader helse og miljø i grenseområdet. Fra russisk side vil en medvirke til å sette i verk nødvendige tiltak for å redusere utslippene – det er bra. Samtidig er det lite oppløftende å se at russiske myndigheter viser så liten vilje til å sette press på eierne av nikkelverket for å iverksette rensetiltak. dispensasjoner for utslippstillatelse og manglende evne til å stille krav til eierne om raskere utslippsreduksjoner gir grunn til bekymring. Selvsagt skulle en også ønske at russerne hadde lagt mer vekt på det grenseoverskridende aspektet, det at utslippene også skaper problemer i Norge. Jeg er derfor enig med statsråden i at vi nok bør ha nøkterne forventninger til mulighetene for å oppnå raske reduksjoner i utslippene fra Petsjenganikel. Jeg mener imidlertid at regjeringen bør fortsette å ta opp saken med russiske myndigheter gjennom politiske kanaler med fornyet styrke. Felleserklæringen fra 2010 bør brukes til å minne Russland på at det må gjøres noe med utslippene raskt. I tillegg får vi håpe, som statsråden også understreket, at vi får drahjelp ved at Russland blir med i OECD, og ved at Russland slutter seg til internasjonale avtaler og konvensjoner. Målet må være å finne en løsning på nikkelsaken som tjener helse og miljø i grenseområdet, som fremmer godt naboskap, og som bidrar til å skape et best mulig samarbeid i nord. Jeg støtter komiteens innstilling om at forslaget vedlegges protokollen. Problemet med dei grenseoverskridande forureiningane frå nikkelproduksjonen på russisk side av grensa er
statsråd. Så

Eg vil i innlegget mitt derfor nøye meg med å gje ei oppdatering av status i saka og ei vurdering av kva vi bør gjere vidare. Sidan president Medvedevs besøk i Noreg i 2010 har vi jobba iherdig med å følgje opp felleserklæringa frå det møtet, der ein på høgste hald i Russland har erkjent at utsleppa frå nikkelproduksjonen i grenseområda er eit problem, og at russiske styresmakter skal medverke til å setje i verk nødvendige tiltak for å redusere utsleppa til eit nivå som ikkje skader helse og miljø. Som eit ledd i denne oppfølginga vart det i juli i år halde eit møte mellom norske og russiske styresmakter og ekspertar. Også bedrifta var godt representert. Det vart her heilt klart at sjølv om begge sider meiner at dei står overfor eit miljøproblem som det må gjerast noko med, er det ulike oppfatningar av kor alvorleg problemet er. På russisk side er ein mest oppteken av utslepp av svoveldioksid,

Frå bedrifta si side er det vorte opplyst at dei har som mål å tilfredsstille krava i det ordinære utsleppsløyvet i løpet av 2015, noko dei ikkje gjer i dag. Det vil truleg resultere i utslepp på omkring 70 000 tonn svoveldioksid per år. På bakgrunn av det trur eg vi bør ha eit nøkternt forhold til moglegheitene for å oppnå raske reduksjonar i utslepp. Det er likevel enkelte moment som tyder på at det kan vere grunnlag for ein saka: Det eine er moderniseringa av russisk økonomi, som tvingar seg fram fordi det er eit skrikande behov for utskifting av ineffektivt og utdatert produksjonsutstyr. Det gjeld i høgste grad òg anlegget i Nikel. Det andre er den revisjonen av russisk miljøvernlovgjeving som er i gang, og som vil kunne gje Russland eit miljølovverk av internasjonal standard. Det tredje er at Russland ønskjer å verte medlem av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. Eit medlemskap her vil bety at Russland må akseptere dei grunnleggjande prinsippa som gjeld på miljøområdet for OECD. Det fjerde er arbeidet for å få Russland til å slutte seg til relevante internasjonale konvensjonar og avtalar på miljøområdet. Tilslutning til slike avtalar vil gje Russland dei same forpliktingane som vestlege land, noko som vil stille større krav til handling, også i denne saka. Eg meiner at den einaste farbare vegen framover i denne saka er ein aktiv dialog med russiske styresmakter og konsernet i tillegg til styrkt miljøovervaking. Vi har sjølvsagt ingen moglegheit til å setje makt bak krava om reduserte utslepp, og eg trur ikkje vi er tente med å setje denne saka opp mot anna samarbeid mellom Noreg og Russland. Noreg vil halde fram med å ta opp bekymringa over utsleppa frå Petsjenganikel på ein tydeleg Det vil m.a. skje i den norsk-russiske kommisjonen for økonomisk samarbeid, som skal ha sitt neste møte i februar 2013. Eg har òg skrive eit brev til Russlands minister for naturressursar og miljø, Sergej Donskoj, og bedt om eit møte med han. Vi ønskjer ein best mogleg dialog med russiske styresmakter og deler gjerne erfaringane våre for å finne gode løysingar. Eg vil likevel understreke at det er Norilsk Nickel-konsernet og russiske styresmakter som har ansvaret for at utsleppa kjem ned på eit nivå som ikkje skader helse og miljø i grenseområdet. Det blir replikkordskifte. I svarbrevet til komiteen opplyser statsråden at den russiske bedriften Norilsk Nickel har som målsetting å redusere utslippene i løpet av 2015 til ca. 70 000 tonn svoveldioksid. Samtidig vet statsråden, og også jeg, at Norilsk Nickel har planer om å overføre produksjonen av malm fra Voronezh Oblast – eller Sentral-Russland – til Nikel i nord. Denne malmen inneholder ca. 25 pst. mer svovel enn den lokale malmen. Er det forholdet tatt i betraktning når man opplyser om at man har et håp om å redusere til 70 000 tonn utslipp i

Om det var svak eller dårleg økonomi i bedrifta som var bakgrunnen for manglande vilje eller evne til opprydding, kunne eg kanskje i større grad ha forstått realitetane i saka, men det som er saka, er at selskapet går med milliardoverskot – store overskot årleg – og det manglar berre vilje. Eg må seie at eg syntest det var ei underleg forestilling da vi møtte lokalpolitikarar der oppe og prøvde å ta opp denne problemstillinga på politisk nivå i Murmansk, for det blir gitt dispensasjon etter dispensasjon, og problemet får lov til å eskalere. Framstegspartiet sitt ønske er at ein held fram med å trykkje på i denne saka for å få ei meir miljøvennleg løysing på denne svært forureinande aktiviteten, og at dette arbeidet blir prioritert

men då må forvaltninga følgje opp det som står der. Det er dessverre ikkje mykje som har endra seg etter forliket på dette området, og det er heller ikkje noko som tyder på at forvaltninga har lagt om kursen. For Høgre er det ein del formuleringar i det nye forliket som er ekstra viktige, og som vi derfor held eit ekstra vake auge med. Det gjeld særleg formuleringane om at det skal «legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet». Det andre er at det ikkje skal vere rovvilt som representerer skadepotensial, i prioriterte beiteområde for husdyr og kalvingsområde for tamrein. Dette er heilt nye formuleringar i eit rovviltforlik, og for Høgre er dette klare føringar om at rovviltforliket skal ta større omsyn både til beitenæringa og til dei som bur i rovviltbelasta område. Bakgrunnen for denne interpellasjonen er både dei faktiske tilhøva i dei sørsamiske tamreinområda og eit spørsmål eg stilte statsråden i spørjetimen i haust, om kva Miljøverndepartementet har gjort for å oppfylle punktet i rovviltforliket om at det ikkje skal vere rovdyr som representerer skadepotensial, i prioriterte beiteområde for husdyr og kalvingsområde for tamrein. Dei svara eg fekk frå statsråden var svært urovekkande. Det einaste konkrete den gongen var denne utsegna: «Dette inneber at det i prioriterte beiteområde for husdyr og kalvingsområde for tamrein skal praktiserast ein låg terskel for løyve til uttak av rovvilt for å hindre skade på husdyr og tamrein.» Dersom det ikkje kjem langt meir konkrete tiltak i denne debatten, er det store spørsmålet om statsråden bryt rovviltforliket. Eg har reist mykje rundt i dei områda som har stor rovviltbelastning dei siste åra. Eg har vore i Nord-Trøndelag ved fleire høve, i lag med stortingskollega Lars Myraune frå Høgre og lokale høgrepolitikarar, for å møte representantar for beitenæringa. Eg har også vore i Engerdal og i lag med stortingsrepresentant Gunnar Gundersen og andre høgrepolitikarar. Situasjonen i dei sørsamiske tamreinområda er etter mitt syn dramatisk. Det er så store tap til rovvilt at heile den sørsamiske tamreindrifta kan gå under. Det gjeld både i Nord-Trøndelag og i resten av dei sørsamiske tamreinområda. Sørsamisk tamreindrift har eit forsterka vern i både internasjonalt og nasjonalt lovverk. Både i ILO-konvensjonen og i FN-konvensjonen om sivile og politiske er urfolk sine rettar omtala, og Noreg har slutta seg til desse. I Miljøverndepartementets vurdering av FN-konvensjonens artikkel 27 står det: «Den tradisjonelle samiske næringsutøvelsen skal bevares, og det sentrale er at statens innsats totalt sett i et gitt område sørger for dette. En restriktiv rovviltforvaltning i områder med samisk utmarksnæring er et viktig bidrag i så måte. Det vises blant annet til at det ikke skal være ulv de samiske tamreinområder, og at det er kvotefri gaupejakt i områder som dekker betydelige deler av samiske utmarksnæring.» I rovviltforliket heiter det i punkt 2.2.8: «Det skal iverksettes nødvendige tiltak både innenfor rovdyrforvaltningen og reindriften med sikte på å sikre situasjonen for sørsamisk tamreindrift.» Det totale rovviltpresset i kalvingsområde for tamrein i Nord-Trøndelag er for stort. Det er dokumentert åtte ynglingar av jerv – det skal vere fire. Det er dokumentert elleve ynglingar av gaupe – det skal vere seks. Det er svært mykje som tyder på at kongeørnbestanden er mykje større enn han skal vere. Når det gjeld bjørn, er det i dag to ynglingar – det skal doblast, det skal opp til fire. I tillegg til alt dette har fylkesmannen i Nord-Trøndelag lagt fram ei skisse til rovviltnemnda der han føreslår å endre dagens ynglingssone og omlokalisere og konsentrere førekomsten av bjørn, jerv og gaupe i Indre Namdal – midt i det viktigaste kalvingsområdet. Også statsråden må sjå at dette får dramatiske konsekvensar både for beitenæringa og for den sørsamiske tamreindrifta. Eg ønskjer klart svar frå statsråden på om dette er slik det skal vere. I Luru reinbeitedistrikt samla ein rein for slakting sist månad. Med ein flokk på 1 000 dyr har det vore vanleg å slakte om lag 300 dyr – no vart det slakta 96 dyr. Utan dei ekstraordinære tapa skulle denne flokken ha vore på 1 400 dyr, og ein skulle kunne ha slakta 500–600 dyr, i staden for 96. Dersom dette held fram, vil det bety store økonomiske tap for næringa, i tillegg til at det blir vanskeleg å ha tilstrekkeleg med dyr til å halde flokkane oppe. Rovviltbestandane i desse kalvingsområda i Nord-Trøndelag er omtrent dobbelt så store som dei skal vere. Det får dramatiske konsekvensar, særlig for tap av reinkalv. Ein reineigar som var med i om produksjon og tap innan reindrifta, viser til at berre 60 pst. av simlene hadde kalv i juli. I oktober var det redusert til 30 pst. Dette får store konsekvensar for produksjonsdyr, i tillegg til at det får dramatiske konsekvensar økonomisk. Torsdag 22. november var det eit stort oppslag i Nationen om NINA-prosjektet «Beregning av produksjon» der seniorforskar Torkild Tveraa hevdar det er for mykje rein i forhold til areal i Det er ein merkeleg påstand når ein veit at det berre er i overkant av 13 000 reinsdyr, medan det etter planen skal vere ca. 15 500 reinsdyr i dette området. I den same artikkelen avviser leiar i Reindriftsstyret, Inge Ryan, desse påstandane. Han slår fast at rovdyr er eit mykje større problem enn beite, og at det må takast ut meir rovdyr. Sjølv om det føregår fleire forskingsprosjekt når det gjeld rein og rovvilt, er likevel det store spørsmålet kva ein gjer med den akutte situasjonen som alt for store rovviltbestandar skapar. Det ventar eg svar på i denne debatten. Sist vår gjekk ulvealarmen i Elgå reinbeitedistrikt. Det var observert ulv i kalvingsområdet for tamrein. Den 28. mai skreiv reineigarane brev til statsråden, der dei bad om eit hastemøte for å diskutere kva ein kunne gjere for å stoppe ulv som drap nyfødde reinkalvar, og kva slags tiltak som kunne setjast i verk for å beskytte den sørlegaste sørsamiske tamreindrifta i Norge. Sjølv om dette var ein svært akutt situasjon, gjekk det ein månad før departementet svara. Det korte svaret var at statsråden dessverre ikkje hadde høve til å passe eit slikt møte inn i sitt fastsette program. Eg må seie det er rimeleg arrogant når ein veit at det er snakk om at det blir bedd om hjelp i ein akutt situasjon, i tillegg til at departementet sjølv slår fast at det ikkje skal vere ulv i dette området. Både i juli og i august blei det observert ein ulveflokk på tre–fire ulvar som jaga rein i same området. På nytt blei det sendt brev både frå reineigarane og frå Engedal kommune, der dei bad om møte omgåande for å drøfte den akutte situasjonen. Det gjekk over to månader før dei fekk svar. Eg reagerer sterkt på den arrogante måten departementet handsamar desse sørsamane på. Eg reiste sjølv til Elgå i lag med lokale høgrerepresentantar i slutten av juli for å få førstehandskunnskap om kva som skjedde. Det gjorde sterkt inntrykk då reineigarane fortalde om kva dei følte når dei visste at det var rovdyr som jaga flokken deira, og eg skulle verkeleg ønskje at statsråden sjølv kunne ha vore der for å oppleve den maktesløysa desse reineigarane følte på kroppen. På same måten som i Nord-Trøndelag er det også i dette området eit stort rovviltpress. Også kongeørna gjer truleg stor skade i dette området. Då eg var der, vart eg gjort merksam på at myndigheitene hadde sett opp kunstige reir for kongeørn, utan at lokale styresmakter eller tamreinnæringa hadde blitt orienterte eller rådspurde. Eg sende eit skriftleg spørsmål til statsråden i august om kvifor desse kunstige ørnereira var sette opp, og kven som hadde ansvaret for at dette var gjort. Det forundrar meg mykje at statsråden kan akseptere at slikt skjer når alt tyder på at For Høgre er det viktig å gjennomføre rovviltforliket på ein effektiv og rasjonell måte. Høgre har i energi- og miljøkomiteens merknadar til årets budsjett peika på fleire tiltak som må setjast i verk for å få tapstala på beitedyr ned, som private/profesjonelle skadefellingslag, og førebyggande uttak av rovvilt i prioriterte beiteområde og kalvingsområde for tamrein. I dag blir det berre teke ut ein liten del av skadefellingsløyva som Direktoratet for naturforvaltning eller Fylkesmannen tildeler. Det fører til stor frustrasjon frå beitenæringa og til unødvendig store tap av beitedyr. Det er kommunane som har ansvaret for skadefelling, og det er opp til kommunane å organisere dette. Høgre meiner at ein måte å få meir effektive skadeuttak på er å legge til rette for å opprette private/profesjonelle skadefellingslag der kommunane ønskjer det, og at regelverket må tilpassast dette føremålet. Naturmangfaldlova opnar også for førebyggande uttak av rovvilt sjølv om det ikkje har skjedd skade. Når det er ei klar målsetjing i rovviltforliket at rovvilt ikkje skal representere skadepotensial i prioriterte beiteområde og kalvingsområde, er dette eit verkemiddel som bør nyttast oftare. Høgre og dei andre ikkje-sosialistiske partia stod saman om desse merknadane i komiteen, men regjeringspartia slutta seg ikkje til. Eg ser fram til å høyre kva statsråden vil kome med av konkrete tiltak for å følgje opp viktige punkt i rovviltforliket om at rovvilt ikkje skal representere skadepotensial i prioriterte beiteområde og kalvingsområde for tamrein, og for å sikre situasjonen for sørsamisk tamreindrift. Det er ei veldig viktig problemstilling representanten tek opp her. Reindrift er ein viktig berar av den samiske kulturen, og det er brei politisk einigheit om at vi skal oppretthalde denne næringa. Samtidig ser vi at tamreindrifta i ulike delar av Noreg – ikkje berre i den sørsamiske Det er ingen tvil om at rovdyra er ei av utfordringane næringa står overfor, men talet på rein og ressurstilgangen er òg eit problem i delar av næringa. Skal vi løyse problema i den samiske reindrifta, krev det ein innsats på fleire plan, også frå næringa sjølv. Som representanten viser til, så heiter det i rovviltforliket av 2011 punkt 2.2.19: «Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte for husdyr og kalvingsområde for tamrein.» Rovviltforliket slår òg fast at det skal setjast i verk nødvendige tiltak, både innanfor rovdyrforvaltninga og reindrifta, med sikte på å sikre situasjonen for sørsamisk tamreindrift. Det er eit tydeleg mål at ein skal liggje så nær bestandsmålet som mogleg. I forvaltningsregion 6, som er Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, skal det vere 10 ynglingar av ynglingar av gaupe og 4 ynglingar av bjørn. For kongeørn er det ikkje sett eit eksakt bestandstal, men i rovviltforliket frå 2004 er det sagt at bestanden nasjonalt skal oppretthaldast på det som då vart vurdert å vere dagens nivå, på 850–1 200 hekkande par. Det er dei regionale rovviltnemndene som legg føringar for den geografiske differensieringa i sin gjennom forvaltningsplanen for rovvilt. I innlegget sitt syner interpellanten til at bestanden av jerv og gaupe ligg over det nivået det skal vere på i Nord-Trøndelag. Eg vil peike på at rovviltnemnda i region 6 har fordelt det regionale bestandsmålet på fylkesnivå, og at delmåla for dei ulike fylka er eit val nemnda har gjort. Departementet si er å vurdere om bestandsmålet for regionen sett under eitt er nådd. Siste bestandsstatus for gaupa viser at bestanden har gått ned frå 26,5 ynglingar før jakt i forvaltningsregion 6 i 2009 til 14 ynglingar før jakt i 2012 – altså ein betydeleg reduksjon. Etter fleire år med høge kvoter er altså bestanden av gaupe redusert og ligg i dag om lag på – eller rett over – bestandsmålet, både nasjonalt og regionalt for Midt-Noreg. I 2012 vart det registrert 13 ynglingar av jerv i region 6, Midt-Noreg. Av dei vart eitt hi teke ut gjennom ekstraordinære uttak Bestanden ligg altså 2 ynglingar over bestandsmålet. Lisensfelling skal vere hovudverkemiddelet i bestandsreguleringa av jerv, men vi har ei utfordring med å få lisensfellinga til å verte effektiv i alle område. Der lisensfellinga ikkje har gitt eit tilfredsstillande uttak, skal Direktoratet for naturforvaltning vurdere å fatte vedtak om ekstraordinære uttak av jerv. gjort basert på registreringar av jerv, skadar på beitedyr og nemndene sine prioriteringar. Rovviltforliket presiserer at det skal vere ein tydeleg forskjell mellom prioriterte beiteområde og prioriterte rovviltområde. Likevel er det i nokre regionar aktuelt å ta ut individ òg i område der rovdyr har prioritet. Dette avheng av korleis Vanskelege vêr- og sporforhold vil innverke på moglegheita for uttak av jerv, både gjennom lisensfelling og ekstraordinære uttak. Dette har vore tilfelle m.a. i Nord-Trøndelag vest for E6. Dette er eit område som har vore prioritert for ekstraordinære uttak i fleire år. Det er viktig at rovviltnemndene tek omsyn til tapssituasjonen og er geografisk Kalvingsområde for rein skal prioriterast, både gjennom vedtak om ekstraordinær skadefelling ved akutte skadesituasjonar og gjennom ordinære fellingsregime, som lisensfelling og kvotejakt. Når det gjeld kongeørn, så vart arten innlemma i overvakingsprogrammet for rovvilt i 2006. Kongeørn vert i dag overvakt ved å kartleggje noverande og tidlegare hekketerritorium over heile landet, basert på eksisterande kongeørndata som vert samla inn frå ulike aktørar. Den innleiande kartleggingsfasen er no fullført i fleire område, og kongeørn vil frå 2013 inngå i overvakingsprogrammet meir på linje med dei andre artane. I Nord-Trøndelag er det nyleg laga ein rapport i regi av Norsk institutt for naturforskning om Tala frå rapporten tyder m.a. på at reproduksjonen i Nord-Trøndelag har vore svært låg i perioden 2009 til 2012. Rapporten samanliknar òg situasjonen med undersøkingar tilbake til 1976 og viser at kongeørnbestanden i Nord-Trøndelag truleg har vore om lag stabil i snart 40 år. Interpellanten legg i sitt spørsmål til grunn at tapet av tamrein på beite har auka dramatisk. for tap forårsaka av rovvilt viser derimot at tapet til rovvilt har vore ganske stabilt i Nord-Trøndelag dei siste sju reindriftsåra. Reindriftsåret 2005/2006 vart det erstatta om lag 2 950 rein, medan det i 2011/2012 vart erstatta om lag 2 800 rein. Eg er likevel klar over at den sørsamiske tamreindrifta står overfor store utfordringar knytte til rovvilt, og det er utfordrande å finne gode tapsførebyggjande tiltak som ikkje kjem i konflikt med tradisjonell reindrift. I 2009 leverte ei arbeidsgruppe for reduksjon av konfliktnivået rovdyr–reindrift i Nord-Trøndelag ein rapport til Miljøverndepartementet. I rapporten viser ei samla gruppe til at det er eit stort kunnskapsbehov i reindrifta. Det er store forskjellar i tap, som vanskeleg kan forklarast med rovvilt aleine. For å få eit større kunnskapsgrunnlag og meir presis forvaltning med mål om lågare tap, sette departementet i 2011 i gang eit forskingsprosjekt i Midt-Noreg, der ein undersøker produksjon i reindrifta og Ein er enno i ein tidleg fase av prosjektet, men resultata frå dette prosjektet og tidlegare prosjekt tyder på at variasjon i næringsressurstilgangen for reindrifta i Nord-Trøndelag påverkar produksjonen i betydeleg grad gjennom variasjon i reintal og klima. I 2011 vart det sett av 2 mill. kr, og i 2012 vart det sett av prosjektet. Prosjektet vert vidareført på same nivå i 2013, i tillegg til ein auke på 2 mill. kr til forsking på m.a. kongeørn. Vi ser fram til å få fleire resultat frå denne forskinga. Eg er innstilt på å samarbeide med næringa og med alle som kan bidra til at den sørsamiske tamreindrifta kan halde fram Rapporten om den sørsamiske tamreindrifta frå 2009 inneheld mange gode forslag til tiltak, som eg trur kan bidra til å løyse mange viktige problem innan næringa. Etter kvart som vi no får betre kunnskap om ulike faktorar som påverkar næringa, vil vi òg kunne ta i bruk dei mest effektive verkemidla, i eit samspel mellom næringa og myndigheitene. La meg avslutningsvis få seie at eg legg stor vekt på å følgje opp rovviltforliket frå Stortinget – som eg elles sjølv var ein av underskrivarane på, og som eg kjenner godt – og at vi på ei rekkje punkt allereie har gjort det: Det er gjort vedtak her i Stortinget om nødverje for hund, budsjettet for neste år inneber ein auke på 22 mill. kr, det er sett i gong ei rekkje ulike tiltak for å følgje opp eg vil òg fortsetje i tett dialog med partane, altså alle partia i Stortinget, og følgje opp etter beste evne, og dessutan halde partane informerte om ulike utfordringar vi skulle møte på i oppfyllinga av forliket.

Med bakgrunn i at vi har stilt litt av dei same spørsmåla tidlegare, i ein annan spørjetime, hadde eg kanskje forventa litt meir klare svar frå statsråden med omsyn til effektive verkemiddel for å betre rovviltsituasjonen, som statsråden sjølv seier. Så eg håper jo vi kan få utdjupa dette litt utover i debatten. For Høgre er dette viktige spørsmål. Statsråden snakkar om rovviltbestanden i region 6. Eg har valt å halde denne debatten til kva som skjer når det gjeld sørsamisk tamreindrift. Då er det situasjonen i Nord-Trøndelag som er avgjerande, og eg ønskjer i neste runde å få klarare svar frå statsråden med tanke på kva han konkret gjer med omsyn til at rovviltbestanden i dei sørsamiske tamreinområda i Nord-Trøndelag ligg omtrent dobbelt så høgt som han skal vere. Eg er omtrent dobbelt så høgt som han skal vere. Eg er glad for at det er representantar frå mange parti i denne salen i dag, så eg ønskjer òg å utfordre andre parti på korleis dei ser på oppfølginga av rovviltforliket når det gjeld sørsamisk tamreindrift. Eg ønskjer også å få ein kommentar til to av dei komitémerknadene som Høgre og dei andre ikkje-sosialistiske partia hadde går ut på at ein skal leggje til rette for at kommunane skal kunne bruke private/profesjonelle skadefellingslag for å ta ut skadedyr som det er gjeve løyve til å ta ut. Eg meiner det er ein måte ein kan bruke for å få meir effektive uttak, og eg trur det vil vere med på å dempe konfliktnivået og også redusere tapa. Ein annan merknad som var i det same dokumentet, handla om førebyggjande uttak. Vi veit at når ein reineigar eller ein bonde skal sleppe ut dyra sine i i det same dokumentet, handla om førebyggjande uttak. Vi veit at når ein reineigar eller ein bonde skal sleppe ut dyra sine i eit område der ein veit det er rovdyr, er det ei veldig belasting. Når vi har område kor det ikkje skal vere rovdyr, som altså representerer ein potensiell fare i prioriterte må det kunne leggjast til rette for større bruk av førebyggjande uttak. Eg ønskjer gjerne også å få eit syn frå andre parti på kvifor dei ikkje sluttar seg til den merknaden, om dei har ei grunngjeving for det. Det

første eg vil seie, er at det kanskje viktigaste og mest effektive verkemidlet er å halde bestandsmålet for særleg gaupe og jerv. Der har vi tidlegare lege langt over, både nasjonalt og i regionen, men der har vi no både nasjonalt og regionalt for gaupe kome ned mot bestandsmålet, og òg jerv ligg no to over regionalt. Så er eg klar over at om ein ser på fylkesfordelinga, ser ho litt annleis ut. Men eg vil iallfall seie at eg vil vere tilbakehalden med å overstyre det, og eg er for så vidt òg spørjande til om det betyr at Høgre no inviterer til ein debatt rundt om vi skal gå inn og overstyre dei regionale rovviltnemndene i større grad. Eg trur eg vil seie at det klart viktigaste eg kan gjere når det gjeld rovviltforliket på det området, er å sørgje for at vi ligg så tett opp mot bestandsmåla både regionalt som vi kan. Der har vi hatt ei klar forbetring dei siste åra. Førebyggjande tiltak er viktige. Eg gjekk gjennom litt av det. Men det er ingen tvil om at det òg er ei utfordring med omsyn til sørsamisk reindrift og den måten ho blir gjord på. Det er noko eg oppfattar at representanten Lødemel òg erkjende i sitt innlegg. Det gjer det krevjande. I Nord-Trøndelag er reindrifta arealkrevjande, rovdyr krev areal, og det er ingen tvil om at det er eitt av fylka der det og det er ingen tvil om at det er eitt av fylka der det skapar dei største utfordringane og potensielle konfliktane. Så vil eg avslutningsvis seie at eg synest det i innlegget mitt var viktig å peike på at det i næringa òg er andre årsaker til tap av beitedyr og variasjonar i slaktevekt, enn Det å faktisk få endå betre kunnskap om kva faktorar som påverkar det, og kva slag tiltak som i sum kan sikre den sørsamiske reindrifta best, synest eg er viktig. Då har eg forhåpningar til den forskinga vi har sett i gang, som nettopp har hatt som siktemål at ein skal betre vilkåra for den sørsamiske reindrifta.

Så er det kanskje ikkje så enkelt likevel, for ein oppdagar fort at det begynner å bli ulike tolkingar av kva som står i det forliket. Eg var med på rovviltforliket i 2004, og eg opplevde rundt omkring, ikkje minst i mitt eige dalføre oppe i Gudbrandsdalen, at det var eit veldig bra forlik, men folk opplevde ikkje at det var slik det Det var ein veldig reaksjon mot forvaltinga sin måte å følgje opp det som var Stortingets vedtak den gongen. Eg håper inderleg at vi ikkje får en sånn situasjon no, når vi har eit samla storting som står bak ei god forvalting av rovdyra, samtidig som vi skal ta vare på beitemoglegheitene – for det er der problematikken ligg. Det er ei gedigen utfordring. skal ta vare på dei fire store rovdyra våre, samtidig som vi skal nytte beitemoglegheitene i dette landet. Vi har beiterett, og han må vi ta vare på. Utnyttinga av næringa som ligg i utmarka, har på mange måtar vore grunnlaget for mykje av busettinga rundt omkring i heile landet. Men eg meiner faktisk at denne balanseringa, denne utfordringa, klarte vareta. Derfor er det ikkje bra at det no blir sådd tvil om dette forliket. Ulven er vareteken gjennom soneinndelinga – no skal vel ho òg bli evaluert. Som det står i rovviltforliket, skal det som kan utgjere eit skadepotensial i prioriterte beiteområde og i kalvingsområde for reindrift. Ein ser jo med ein gong at dette er eit diskusjonstema. Eg kan nemne eit eksempel frå Lesja, ein stor utmarkskommune med mykje Dei søkte om å få felle ulven, for lesjingane rekna med at når det var ulv som slo seg til i beiteområdet for sau, var det eit skadepotensial. Men dei fekk avslag. Ulven sette i gang, tok sau for ende og hadde gjort det over lang tid. Da blei det gitt fellingsløyve, og da klarte dei ikkje å felle ulven. Her trur eg at vi må skjerpe intensjonen i rovviltforliket, nemleg at det i langt større grad må gis åtgang til å ta ut ein ulv som kjem inn i slike prioriterte beiteområde. Sjølvsagt kan det skje at ein ulv så vidt er innom området og går ut att, så ein skal ikkje ta dette heilt slavisk, men viss ein ulv gir seg til i eit prioritert beiteområde, utgjer han – etter mi oppfatning av det norske eit skadepotensial. Så utfordrar eg òg Lødemel og dei andre partia på ein del punkt. Eg kan seie når det gjeld profesjonelle jaktlag, at det iallfall uansett er viktig, anten det er statlege eller kommunale jaktlag, at det blir gjort på ein profesjonell og effektiv måte, slik at ein får effektuert dei fellingsløyva som blir gitte. Det kan sikkert gjerast på fleire måtar. Eg har allereie sagt at eg meiner at førebyggjande uttak må ein kunne opne for. Når ein ser at eit rovdyr beveger seg inn i prioriterte beiteområde der det utgjer eit skadepotensial, er det førebyggjande å kunne ta det ut før det rekk å gjere skade. Det skal ikkje være nødvendig at det

Vi ser ei gjentakande overprøving av rovviltnemndene, ei overprøving som minner om ei manglande forståing av dei faglege anbefalingane ein får lokalt og regionalt. For det er ikkje slik at desse nemndene konkluderer på manglande gode, faglege anbefalingar – eller meiner statsråden at miljøvernorganisasjonane har betre fagleg hjelp enn Det er eit spørsmål som det må vere lov å stille seg, når ein ser dei overprøvingane som blir gjorde. Det er mange som stiller spørsmål ved overprøvinga. Som eksempel kan ein nemne Rovviltnemnda i Troms og Finnmark si anbefaling av lisensjakt på fire ulvar, som blir lagd fullstendig til sides, og fellingstalet blir null. Ulven får altså leve på Finnmarksvidda. Er dette i tråd med forliket? Så veit vi at det ikkje har vore registrert ulv der sidan 2011. Men dette er eit prioritert beiteområde, og spørsmålet er om dette er i tråd med forliket. Når det gjeld gaupekvoten, er han sett, og no kjem anking av vedtak frå miljøvernorganisasjonane. Det må vere lov å gi uttrykk for at no må anbefalingane frå dei regionale nemndene få større vekt organisasjonane, som i utgangspunktet ønskjer jaktforbod på alle rovdyr. Det er anbefalt at det kan fellast 134 gauper i kvotejakta, som startar 1. februar – og det blir spennande å sjå om dette målet no blir overprøvt av Miljøverndepartementet. Også når det gjeld jerv, har ein store problem i enkelte regionar med å kome ned på avtalt bestandsnivå. Når det gjeld denne problemstillinga, bør ein i større grad kunne håpe på at lisensjakta lykkast betre, framfor hiuttak, som mange reagerer negativt på. Det er svært forståeleg. Lat meg no til slutt berre gi eit klart signal når det gjeld bestandsmåla. Det er like feil å liggje langt over som det er å liggje langt under. Bestandsmålet er ikkje eit minimumsnivå, slik ein opplever forvaltinga i dag. Det er òg eit uttrykt, klart mål, som fleire har nemnt her, at det ikkje skal finnast rovdyr i det som representerer eit skadepotensial i prioriterte beiteområde for husdyr og kalvingsområde for tamrein. Spesielt med omsyn til sørsamisk overlevingsevne og kultur, for at sørsamane skal kunne klare å overleve med det rovdyrtrykket dei har i dag, må dette punktet respekterast. Førebyggjande jakt må også kunne brukast i den samanhengen, spesielt i det området som vi snakkar om her. Jeg vil takke interpellanten for å ha tatt opp temaet igjen. Det gir en god mulighet til å diskutere en av de store konfliktssakene der ute som får veldig liten oppmerksomhet på Stortinget. Jeg synes et av de morsomste uttrykket Stortinget har funnet på, er «rovvilt med skadepotensial». Såpass realistiske bør vi være at man kan spørre: Kan du vise meg et rovdyr uten skadepotensial? Jeg mener faktisk det hører med til en realitetsorientering. Jeg skal ta det viktigste først: Sørsamene har et spesielt vern etter ILO-konvensjonen. Vi sitter nå med en ulvestamme som er russisk. Den er overhodet ikke truet, sånn som Stortinget er blitt fortalt gjennom mange år. Den har et utbredelsesområde fra Stillehavet og til Atlanterhavet. Jeg mener faktisk at sørsamene og også norsk tamrein vi er det eneste gjenlevende området som har tamrein – bør ha en mye større beskyttelse enn en russisk ulv som har innvandret, og som er høyst livskraftig der den kommer fra, og hvor vi skal erkjenne at vi hører til det store utbredelsesområdet for, men som vi definitivt ikke har noe spesielt ansvar for, sånn som det framstår. Det første jeg synes statsråden burde avklare, er om det kommer til å komme stående fellingstillatelse på ulv som nærmer seg, eller i og for seg også på rovvilt som nærmer seg, områdene der sørsamene driver, og områdene der man har villrein. Jeg har mange eksempler på at det er uhyre vanskelig å få fellingstillatelse. Det er vanskelig å få fellingstillatelse, da man vet man kan ha suksess med å felle rovdyr. Det har noe med sporsnø og den type ting å gjøre. Når vegetasjonen kommer for fullt, er det nærmest umulig ta uttak. Vil statsråden innenfor de områdene der vi har et helt spesielt vern om sørsamer og villrein – som Norge har et helt spesielt ansvar for internasjonalt, og som det kan argumenteres veldig godt for – komme med stående fellingstillatelse på ethvert rovvilt som nærmer seg? For jeg tror ikke det finnes rovvilt uten skadepotensial. Så er det, for å ta en liten gjennomgang, gaupe og kongeørn. I Hedmark bor vi nå i et så rovviltutsatt område at det nesten ikke regnes for å være rovvilt. Det er en uhyre mye større belastning av jerv, bl.a. Jerven skytes og observeres nå helt nede i Sør-Hedmark, altså i skogsområdene, langt utenfor dens naturlige leveområder. Det at bestanden er så stor at den presses ut av sine naturlige leveområder. Det må statsråden begynne å gjøre noe med. Det er dramatisk hvor dårlig forvaltningen av jerv er, og hvor lav suksessrate det er på uttak. Så er det bjørn. Der er jeg enig med representanten Grimstad: Vi må passe på at bestandsmålet, sånn som det er fastsatt, ikke skal være et minimumsmål. Det skal være et gjennomsnittsmål. Det er en del instrukser til rovviltnemndene som gjør at det faktisk egentlig praktiseres som et minimumsmål. Det har jeg ikke sett noen tegn til at man har gjort noe med. Jeg har ikke sett noe tegn til at departementet har gjort noen ting i forhold til det Stortinget sa om hannbjørnproblematikken. Det skulle være et antall hannbjørner per hunnbjørner, i og med at vi har fastsatt bestandsmålet i ynglende binner. Det er det ikke gjort noen ting med. Jeg tror at det kommer til å bli dramatiske skadetall når det gjelder bjørn. Så til slutt til ulv. Revirhevdende ulv er dramatisk, og vi vet at det påvirker folks livskvalitet. I mitt område nå tas hunder på gårdsplassen. Jeg får oppringinger av fortvilte gamle damer som ikke tør å gå ut på sin egen gårdsplass. Man kan sikkert diskutere om dette er rasjonelt. Det er det jo ikke. Jeg hører ikke med til dem som har frykt, men jeg blir også pålagt å ha med meg mobiltelefonen når jeg går til skogs. Når kona pålegger meg å ha med mobiltelefon, er det en reduksjon av min livskvalitet. Jeg vil ikke ha med meg mobiltelefon til skogs. Men dette går faktisk – jeg ser statsråden smiler – på livskvalitet. Det er godt dokumentert av HiST gjennom Helseundersøkelsen i Sør-Trøndelag at dette er et spørsmål om livskvalitet. Det er altså en russisk ulv. Den er ikke truet. Den har utbredelsesområde fra Atlanterhavet til Stillehavet, og vi burde realitetsorientere oss. Nå har vi hatt et ulvesoneutvalg som ikke har noen som helst legitimitet i det området som faktisk er berørt, og jeg er veldig spent på behandlingen av det Overdreven jakt gjennom historien resulterte i at de fire store rovdyrene våre – gaupe, jerv, ulv og bjørn – nesten var utryddet i forrige århundre. Sakte, men sikkert fikk vi mer kunnskap om rovdyrenes naturlige plass i den norske faunaen, og det har selvfølgelig nettopp med skadepotensialet hos rovdyrene å gjøre, nemlig at de reduserer antallet byttedyr og hindrer sykdomsutbrudd på byttedyr. I dag er målet å sikre levedyktige bestander av de norske rovdyrene. Det er det Stortinget ble enig om i rovdyrforliket. Dagens norske bestander av store rovpattedyr deler vi i stor grad med våre naboland, og ulve- og bjørnebestandene er økende. Men de er fortsatt så små at det, spesielt i ulvens tilfelle, er fare for – som man har vært inne på her – at det genetiske utvalget ikke er stort nok for å skape en levedyktig bestand. I gaupas og jervens tilfelle er bestandsmålene nådd. Det betyr at vi har kommet opp i det antallet dyr forvaltningen har bestemt at vi skal ha. Men artene er fortsatt å anse som sårbare, og det er derfor viktig å følge bestandene tett. Mye av rovdyrarbeidet som foregår i Norge, dreier seg om å jobbe sammen for å finne de gode løsningene til sameksistens mellom bufe i utmark og levedyktige rovdyrbestander. Det er viktig. Særlig er det forebyggende arbeidet viktig. I 2012 er det estimert 65–69 familiegrupper av gaupe på landsbasis. Det tilsvarer en bestand på 384–408 dyr i Norge. Det er det tredje år på rad at vi registrerer en nedgang i antall familiegrupper av gaupe. Det er en nedgang på 7 pst. sammenliknet med tallet for 2011. Det betyr at gaupebestanden – siden det blir sagt her at det ser ut til at den alltid skal ligge over bestandsmålet – lå 6 pst. over bestandsmålet, før jakt. Det betyr i realiteten at vi ligger under målet for ynglinger. Vi har i tillegg hatt tilbakegang de siste tre årene. Når det gjelder jerv, ble det påvist 68 antatte ynglinger i Norge. Det er en økning på Ser vi på det nasjonale bestandsestimatet, basert på antall ynglinger de tre siste årene, er det en økning fra 364 voksendyr i 2011 til 395 i 2012. Det betyr at vi ligger godt over bestandsmålet for jerv. Men her er det én viktig ting å legge merke til: Hele den økningen, hele det tallet som ligger over bestandsmålet, handler om Nord-Troms og Finnmark. Ellers ligger vi på bestandsmålet i de andre regionene. Det er etter min mening meningsløst å bruke penger på hiuttak av jerv i områder som ikke er prioriterte beiteområder, bare for å holde bestandsmålet nede. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er ferdig med å behandle søknadene om tap av sau til rovdyr for 2012. Det ble søkt om totalt 5 424 sau og lam som tapt til fredet rovvilt. Man må helt tilbake til 2004 for å finne tap som er lavere enn årets. Når det gjelder innvilgede søknader, er det en klar gradvis nedgang fra 2005. Tapene når det gjelder rein, er rimelig stabile, men med en liten nedgang i Nord-Trøndelag fra 2007 og framover mot 2011–2012, da det ble erstattet 2 773 rein i Nord-Trøndelag. Det er ikke observert ulv i Finnmark i år. Det er ikke registrert skader forårsaket av ulv i regionen siden juni 2011. Det er grunnen til at Miljøverndepartementet har sagt nei til ulvejakt i Finnmark. Konklusjonen min er at det kan synes som om vi har forskjellig vektlegging her. Interpellanten synes det er et problem at det er rovdyr i regionene, mens jeg er mer opptatt av hvordan vi kan gå inn med tiltak for å dempe konfliktnivået og sørge for at vi beholder bestandene, men sørger for å redusere tapstallene på buskap. Der går utviklingen i riktig retning. Jeg har også vært i Nord-Trøndelag og diskutert rovvilt. Jeg var på rovviltsenteret på Namsskogan. Der er de ikke naive om rovdyr, og de tar redselen for rovdyr alvorlig, og mener at det skal vi gjøre. Men de understreker samtidig at det er verken blant reindriftens folk eller bøndene, som kjenner naturen, at engstelsen for rovdyrene er
på eit viktig område. Norsk rovdyrforvalting har i lang tid vore kime til konflikt. Då Stortinget i fjor vedtok det såkalla rovviltforliket, var det med sikte på å dempe dette konfliktnivået. På nokre område har det lukkast. På andre område er ein endå Frå Senterpartiet si side har vi lenge peika på at rovdyrforvaltinga må ta omsyn til dei menneska som lever i og driv næring i område med desse store rovdyra våre. Dei opplever ikkje rovdyr som tal på eit papir eller i ein statistikk, men som ein del av naturen i sitt område. Nokre opplever, som det blei referert sine eigne dyr drepne eller hardt skadde etter møte med rovdyr. Andre kjenner frykt når dei får nokre av dei store rovdyra i nærleiken av familie og heim. Dette må vi ta på alvor. Ikkje minst eksisterer det i befolkninga som lever i rovdyrtette område, mykje kunnskap – fagleg for all del, men òg erfaringsbasert kunnskap – om rovdyra. Dette er erfaringar og kunnskap som ikkje alltid har blitt lytta like nøye på av dei etablerte fagmiljøa, men som i etterkant ofte kan vise seg å vere meir presis. Det kan gjelde alt frå talet på rovdyr i eit område, til korleis det oppfører seg. Denne kunnskapen har Stortinget ved fleire høve sagt er ein viktig del av den samla kunnskapen. Så er det bra at talet på tap av husdyr har gått ned som følgje av rovdyrforliket i delar av landet. Vidare er det bra at ein del av dei rutinane som rovviltforliket sa skulle vere på plass for å ta ut rovdyr som ikkje blei felte i lisensjakta, no er på veg til å bli innarbeidde. Det er ein viktig del av arbeidet med å halde bestandstalet så nær som mogleg det nivået som Stortinget har sett. Dette er viktig generelt, og så er det viktig spesielt knytt til akkurat denne ei viktig næring. Vi veit at det sørsamiske miljøet òg er viktig som tradisjonsberar og kulturberar i landet vårt. Så viste Stortinget i rovdyrforliket til at rovdyr som representerer eit skadepotensial i beiteområde og kalvingsområde for tamrein, skal takast ut. Punktet bar preg av at ein ynskte ei endring av det som var tilfellet fram til ein forhandla fram rovviltforliket, nemleg at ein meir eller mindre kravde kadaverfunn eller skadepåvising før ein kunne ta ut rovdyret. Slik eg oppfatta desse forhandlingane som vi hadde i dette huset, var det eit klart ynskje om ei endring av den praktiseringa til at ein skal kunne gå inn og ta ut dyra før dei gjer skade, dersom dei t.d. er i eit område med beitedyr. Eg er glad for at statsråden òg peika på at det skal vere mogleg. Eg kjenner framleis ikkje til tilfelle der dette har vore praktisert. Eg vil understreke at det er viktig for legitimiteten til forliket at dette òg blir gjort no kan det vere andre som kjenner til eksempel på det – for dersom ein ikkje får denne endra praksisen, er det etter Senterpartiet sitt syn ikkje i tråd med den intensjonen ein hadde då ein førte forhandlingar om temaet i dette huset. Det er inga meining i at lokalbefolkninga skal observere rovdyr, be om fellingsløyve, få nei til det, for så å oppleve store skadar på husdyra, med den belastninga det er for lokalbefolkninga, og så ei erstatningsutbetaling som kostar fellesskapen pengar, og så få ei dyrare jakt etterpå, som vel kan resultere i at rovdyret blir teke ut. Men dette medfører urimeleg høg belastning og urimeleg høge kostnader, som ein kan unngå, og som rovdyrforliket seier at ein skal unngå. Det hadde representanten Rudihagen eksempel på. det biologiske mangfaldet er viktig. Men biologisk mangfald handlar ikkje berre om dei fire store rovdyra, sjølv om den offentlege debatten kan vere prega av det. Det handlar faktisk om 30 pst. av raudlisteartane våre som lever i eit kulturlandskap som nettopp blir oppretthalde bl.a. fordi vi har ei beitenæring som bruker utmarka vår. Det er eit faktum at mange av dei som bruker utmarka no

for oss som er fra Nord-Trøndelag. Jeg takker også for engasjementet fra mennesker og representanter fra andre deler av landet for den situasjonen som den sørsamiske reindriften har i vårt fylke. Det er jo rovdyrforliket og situasjonen for reindriften i Nord-Trøndelag som er utgangspunktet og temaet for Poenget mitt med å ta ordet er egentlig å fokusere på at dette handler om mye mer enn rovdyrforliket og situasjonen for reindrifta i Nord-Trøndelag, for dette handler om framtida for den sørsamiske kulturen og framtida for det sørsamiske språket. Den sørsamiske kulturen er en viktig del av identiteten til oss som er nordtrøndere. Det er en særs sårbar kultur, og det er et Vi setter inn tiltak for å styrke kulturen og styrke språket, og sist var jo det et tema da Kommunaldepartementets budsjett ble debattert her i Stortinget for ikke så mange dager siden. Vi setter inn alle mulige tiltak på mange områder for å opprettholde kulturen og språket, men alt sammen henger på om man får til at reindrifta overlever, for det er reindrifta som er hovedbæreren av den sørsamiske kulturen. Frykten er jo at ryker reindrifta, så ryker både kulturen og språket. Da blir spørsmålet: Har vi som nasjon råd til det? Det er det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet er: Har vi lov til å la det skje? Nord-Trøndelag er forvaltningsområde for sørsamisk språk. Det er to kommuner som er blitt det nå, det er Snåsa og Røyrvik – og fylkeskommunen. Det er sørsamisk på Grong videregående skole, og Høgskolen i for det sørsamiske på fullt alvor, men ryker reindrifta, så ryker språket og kulturen – vi mister en verdifull del av Nord-Trøndelag, og vi blir fattigere. Så var det sånn at rovdyrforliket ga et nytt håp, det ga en ny optimisme i reindriftsnæringa. Men når jeg nå hører at man snakker om en akutt situasjon, må jeg stille spørsmål ved det, for det er ikke en akutt situasjon – det har jo vært en akutt situasjon i mange år. Det er mange år fikk føle på kroppen hvordan rovdyrproblematikken og rovdyrpolitikken virket inn på den sørsamiske reindrifta. Virkningene forsterkes fra år til år, og tapene er så store at det blir problemer med reproduksjonen. Da blir det også problemer med tanke på hvor mange dyr man kan ta ut, og slaktevekta går ned. Det går ut over lønnsomheten. Nå er det sånn at store arealer i Nord-Trøndelag er vernede områder. Vi har store, fine nasjonalparker. Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark og Børgefjell nasjonalpark er de områdene i fylket hvor man hovedsakelig driver med reindrift, og spesielt der man har kalvingsområdene. Noe av det man faktisk får til i disse verneområdene, er reindrift. Hva skal man så gjøre hvis man ikke får til å drive reindrift på grunn av rovdyrproblematikken? Jeg må ha en visitt til representanten Gundersen, som snakket om HiST og helseundersøkelser i Sør-Trøndelag. Det heter HUNT, og helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag har påvist at rovdyrsituasjonen virker negativt, ikke bare på livskvaliteten, men det virker psykisk negativt for innbyggerne i de mest belastede områdene i Nord-Trøndelag – ikke bare på sørsamene. Jeg har ikke svaret på hva som er rett å gjøre, men jeg er glad for at det er satt i gang forskningsprosjekter. Spørsmålet er om vi er for sent ute, for forskningsprosjektene burde ha vært satt i gang for lenge siden. Hvis vi er for sent ute, og den sørsamiske reindrifta ikke overlever, frykter jeg, som sagt, at både språket og den sørsamiske kulturen følger etter. Da har vi begått en uopprettelig feil. Det er en feil som vi absolutt ikke

og sånn sett kan jo tallene bli så små at noen tror at det ikke er viktig. Men vi har et ansvar for å ivareta dette. Jeg er også glad for at vi har fått satt i gang forskning på dette området, men det haster med å legge noen planer, slik at vi er sikre på at vi greier å bevare disse kulturene. Rovdyrpolitikken er konfliktfylt. Hedmark, som har en lang grense til Sverige, har jo alle rovdyrene. Vi er også et veldig grisgrendt fylke, og har hatt et stort innslag av primærnæringer som har gjort seg nytte av utmarksbeite. Derfor har denne saken vært konfliktfylt i Hedmark i veldig mange år – før den på en måte ble en stor, nasjonal konfliktsak. Jeg er veldig glad for det rovdyrforliket som alle partiene inngikk i juni i 2011, særlig fordi man veldig sterkt understreket viktigheten av de forebyggende og konfliktdempende tiltakene, som jeg oppfatter at det nå er god framdrift på i regjeringen. Men det er uhyre viktig at man følger dette opp veldig nøye, slik som forliket er. Som flere har vært inne på, oppleves det meningsløst for dem som oppdager at det er rovdyr i nærheten av beitedyra, at man må avvente til det er blitt veldig store skader før man får en fellingstillatelse. Det oppleves veldig meningsløst, for det skjer gang på gang. Da oppnår man heller ikke vern av noen rovdyr, for man må jo uansett felle disse rovdyrene når de har gjort stor skade. Så er jeg opptatt av dette med uttak når man har bestemt felling. Jeg mener bestemt at det er av de tingene vi må jobbe videre med, sånn at vi får uttak når vi har bestemt felling. Jeg er åpen for å vurdere ulike måter å gjennomføre det uttaket på, for poenget er jo å få gjennomført det vedtaket man har bestemt seg for. Det har jo vist seg at i mange av fellingstillatelsene som er gitt, blir det ikke felling fordi dette er en veldig vanskelig og veldig komplisert jakt. Det er heller ikke slik at det alltid er ressurser til stede lokalt for å greie å gjennomføre den lenge nok. Her er det gjort ulike endringer som går i riktig retning, men jeg tror dette er av de tingene man må se nærmere på for å få et system som gjør at man kan effektuere de tiltakene som man har satt i gang. Jeg er også litt spent på hvordan man skal følge opp dette med uttak av hannbjørner, som i Hedmark har vært et veldig stort problem. Det har vært et veldig stort overtall av hannbjørner, og de har gjort veldig stor skade. De har ikke noen reproduktiv funksjon og er sånn sett ikke viktige for den videre bestanden. Til rovdyr og næring. Jeg har snakket om reindrifta, og jeg har snakket om beite av småfe i skogen, altså sau. Det er klart at det er vanskelig. Men det er også et positivt næringspotensial knyttet til rovdyr. Det er også under utvikling i Hedmark. Det er veldig mye som kan utvikles på det området, som ikke bare er negativt for utkanten. Jeg mener det er veldig viktig at vi greier å få utviklet det også, for rovdyrpolitikken kan lett handle om utkanten mot sentrum. Jeg tror at vi her kan skape en bedre allianse hvis vi støtter bedre opp om sentrum. Jeg tror at vi her kan skape en bedre allianse hvis vi støtter bedre opp om de næringsprosjektene som har rovdyr som et positivt utgangspunkt. Jeg vil takke interpellanten for at han har reist en usedvanlig viktig sak, særlig for reindriftsnæringen i Nord-Trøndelag, som interpellasjonen spesifikt er rettet mot i dag. Det er flere som har tatt opp rovdyrsituasjonen i hele landet, som for så vidt er viktig, men ikke direkte relevant i denne saken. Den sørsamiske reindriftsnæringen i Trøndelag er virkelig på hæla, om jeg kan bruke det uttrykket. Bjørn Lødemel og jeg har vært oppover der flere ganger og hatt møter med representanter for næringen. Jeg må si at Susanne Bratlis innlegg satte det hele egentlig på plass. Det er så ille. Det er ille for hele den sørsamiske kulturen hvis man tar bort næringsgrunnlaget, og det er nettopp det som er i ferd med å skje. Vi trodde at da rovdyrforliket ble vedtatt her for skulle ting bli bedre. Mange sier at det faktisk er blitt verre. Nå rapporteres det om, etter forskning, at det er for mange reinsdyr. Nei, tallet sier at det ikke er det, men det tragiske er at simlene som skulle ha født kalver, ikke har kalver. Nå behøver vi kanskje ikke gå helt til reindriftsnæringen for å finne ut at når en blir i kjønnsakten, blir det ikke akkurat like morsomt å holde på, så det kan nok hende det ligger noe der, samt at når de blir jaget av rovdyr, går det på helsa løs også for simlene. Så den utviklingen som skjer, er ikke unaturlig. Det er bare halvparten av disse simlene som har kalver, og det er selvfølgelig helt tragisk. Det som er riktig ille, er at det eksisterer uenighet om antallet rovdyr. Hele tiden blir det påstått fra såkalte – unnskyld uttrykket – forskere at det ikke er så mange rovdyr, mens de som er i naturen og observerer rovdyrene, som en i utgangspunktet skulle tro hadde de beste forutsetninger for å få en idé om antall rovdyr, sier noe helt annet. Det er de som føler det på kroppen. En har også hatt tilfeller hvor det har vært legitimt heller å ta ut rovdyr før de har gjort noen skade enn etter at de har gjort skade. Og når mange rapporterer om enten spor eller ekskrementer etter rovdyr, har ikke forskerne tid til å komme før det faktisk er for sent. Forskning er viktig, men en må være klar over at det er veldig mange som tilhører den forskergruppen, som faktisk er mer glad i rovdyr enn i beitedyr, og det må jeg be om at statsråden legger merke til, sånn at de som er utøvere av næringen, også får anledning til å være med og si sitt i forskningssammenheng. Susanne Bratli tok også opp helsetilstanden, som er resultatet av at man blir presset så hardt i en næring. Det har også representanten Lødemel og jeg observert når vi har vært på besøk i Nord-Trøndelag. Det er rett og slett så tragisk som Susanne Bratli presenterte det. Så med bakgrunn i det vil jeg be statsråden ta dette på alvor, og da dreier det seg ikke om å ha en framtidig forskning som skal finne ut av dette. Det trengs faktisk å gjøres noe nå, ellers går det nedover med den sørsamiske kulturen. Det ville være ille.

og den sørsamiske reindriften, men også for store deler av landet som har rovdyr. Det ble fra talerstolen her sagt av representanten Egeland at vi skal ha en levedyktig bestand av rovdyr, og det tror jeg alle er enige om. Men så kommer spørsmålet: Hva er en levedyktig bestand? Representanten Gundersen var inne på at vi i Norge har en russisk ulvestamme. Den er godt utbredt, fra Stillehavet til ingen fare for at den ulvebestanden blir utryddet på noen som helst måte, og i hvert fall ikke i overskuelig framtid. Da mener jeg vi har en levedyktig bestand. Det betyr ikke at den levedyktige bestanden nødvendigvis trenger å være i Norge og på begrensede områder i Norge. Så lenge vi har en levedyktig bestand på verdensbasis, så har vi en levedyktig bestand. Da kan kanskje Norge, som er et lite land som er avhengig av utmarksnæringer, ha noen færre av en art, når vi har såpass mange av andre arter som gaupe, jerv og bjørn. Egeland var også inne på antall, og det er litt interessant i denne debatten. Rovviltforliket og alle debatter som dreier seg om rovvilt, dreier seg om ynglinger. Det er litt spennende. Det høres ikke så veldig mye ut at vi har 68 ynglinger av jerv. Men faktum er at når du skal få et overslag over hvor mange jerv det er, må du gange det med 6,5. Da får du antallet. Da er vi faktisk oppe i over 440 jerv. Det begynner å bli ganske mye. Så er det noen som sier at jerven yngler bare annethvert år hvis ikke fôrtilgangen er spesielt god. Det er også riktig. Men i de områdene hvor det er én ynglende jervetispe, er det gjerne to Så de yngler hvert år – men annet hvert år hvis fôrtilgangen er dårlig. Så bestanden vil holde seg oppe, og vil øke uansett. Noen var også inne på telling av gaupe. De fleste tellinger av gaupe foregår ved observasjoner. Det viser seg at hver eneste gang de utfører linjetaksering, øker bestanden og nesten dobler seg i enkelte områder. Derfor er det også viktig at vi har et edruelig forhold til nettopp det å telle bestander, og at vi bruker de metodene som er mest effektive, slik at vi får en riktig bestand og ikke bare et estimat. Så har jeg lyst til å ta fram et lite eksempel fra Oppland for noen få år siden. Det gjelder muligheten for å ta ut dyr. Oppland skal ikke ha ynglende bjørn. Det ble registrert 19 forskjellige individer bjørn i Oppland, og det var

Jeg vet ikke helt hva det er for noe, men det var i hvert fall et uttrykk som forskerne fant ut var riktig. Det som skjedde, var at en av disse bjørnene i et bestemt område tok om høsten 120 sau – 120 sau fra samme gårdbruker. Det vil si at hele buskapen hans ble borte. Det ble gitt en tidsbegrenset fellingstillatelse. De klarte ikke å felle bjørnen på denne tillatelsen, tiden gikk ut. Det ble vinter, bjørnen gikk i Så søker de om våren om å få ta ut denne bjørnen, og får nei. Begrunnelsen var: Det er ikke sikkert at denne bjørnen kommer til å ta sau når den går ut igjen! I dette området i Gausdal kaller de sauen for bamsemums, og det er en grunn til det. Da denne søknaden ble avslått om våren, ble det tatt en og så fikk bjørnen gå i fred likevel. Han tok en elg til, og så bestemte bøndene seg for at ok, vi gjør et forsøk og slipper ut ti sauer. Det gikk ikke mange dagene før tre av dem var borte, de var tatt av bjørn. Det som er så viktig her, er at når det er fare for at husdyrene kan bli tatt av rovdyr, må vi aksjonere umiddelbart. Det går ikke an å vente og tro at rovdyr som lever godt på husdyr, ikke skal fortsette å gjøre det selv om de har Det er enkelt for rovdyr å ta husdyr, slik som sau, det er mye enklere enn å ta elg og rådyr. Derfor må de som driver landbruk, også kreve å få lov til å beskytte næringen sin og ta vare på det næringsgrunnlaget de har – uten å være redd for at grunnlaget skal bli borte fordi noen ønsker å ha mer rovdyr enn det Norge er klar for å ha. Det er alltid ein viss fare med å ta opp ein rovdyrdebatt når ein heiter Bjørn, men heldigvis er ein senior og ikkje ein ung hannbjørn lenger. Eg takkar for ein veldig fin debatt. Det har vore mange gode Til det som statsråden seier: Høgre ønskjer ikkje å overprøve dei regionale rovviltnemndene. Det må vere rimeleg klart. Vi har stor tillit til dei – kanskje større tillit enn visse andre. Når det gjeld Rudihagen, var det interessant at han nemnde ulv på Lesja, for på Lesja skal det ikkje vere ulv. Det er klart at når dei som driv i sauenæringa på Lesja, veit at det tuslar ein ulv i det området, er det langt på veg ein slags psykisk terror for dei, som skal sleppe ut dyra sine. Så førebyggjande uttak bør skje automatisk. Når det gjeld Egeland, snakka han om at tapet av sau går ned, og at det er positivt. Det er sjølvsagt positivt, men då må ein spørje kva utgangspunktet er. Er utgangspunktet at folk har gjeve opp sauehald – at det rett og slett er mykje mindre sau som går på beite? Det er i alle fall noko ein bør undersøke vidare. Vi ser det som skjer i ulvesonen, at folk gjev opp å drive med beitedyr, og det er klart det blir mindre tap til rovvilt da. Representanten Sande er einig i ein del av mine synspunkt, men det er synd dei ikkje får større gjennomslag i regjering. Når det gjeld Bratli, har ho observert det same som eg har observert. Det er litt spesielt at ein Høgre-politikar frå Sogn og Fjordane reiser fleire turar til Nord-Trøndelag og til Elgå og andre plassar for å lære om denne situasjonen. Og det er ei veldig korrekt betraktning med omsyn til situasjonen. Derfor er eg også veldig bekymra. Når det gjeld det som representanten Andersen seier om dei rovdyra som det blir gjort vedtak om uttak at det må skje raskt og effektivt, er eg heilt einig i det. Per i dag er det faktisk under 10 pst. av det som Fylkesmannen har gitt uttaksløyve for, som blir gjennomført. Og det er komplisert; det kan til og med vere farleg. Derfor er det visstnok slik at dersom kommunane ønskjer private/profesjonelle skadefellingslag, må det vere ein måte å kome vidare på her. Det meiner i alle fall eg. Elles har eg reist en del i desse og Ristin Mortensson, som no sit og høyrer på. Eg var og besøkte Femunden og reineigarane der, og ein reineigar, Jon Anders Mortensen, seier at dette ikkje lenger er eit spørsmål til miljøvernministeren og Miljøverndepartementet, det kan bli eit spørsmål til helseministeren. Med omsyn til det dei føler når det gjeld rovvilt og beitedyr, fortel det kor alvorleg situasjonen er.

på og observasjon av ulv. Når det gjeld Troms og Finnmark, er det slik at det ikkje er dokumentert skadar, det er ikkje gjort observasjonar av ulv i det heile, men det er gjort eit vedtak om felling av fire ulvar. Det vart overprøvd, og ein fekk avslag på den fellinga fordi det rett og slett ikkje var gjort observasjon av eller dokumentert skade i det heile. Då vil det etter mitt syn vere feil å tillate lisensfelling. Det andre gjeld bjørn. Vi følgjer opp det som er i rovviltforliket. Det var lisensfelling av bjørn i fjor haust, som mange vil hugse. Det var ekstraordinær felling no i vår fordi ganske få vart tekne i fjor haust, og vi vil løpande vurdere om det er behov for fleire der at eg nok vil reservere meg noko mot den beskrivinga som vart gjeve her frå talarstolen om at hannar ikkje har nokon reproduktiv funksjon. Det er likevel riktig å følgje opp det som ligg i rovviltforliket der, noko som eg òg trur kan ha betydning. Så vil eg berre kort seie at når det gjeld rovviltforliket, er det mykje bra i det, men det er to ting det nok ikkje kan sørgje for. Det eine er at rovviltforliket ikkje kan fjerne dei reelle konfliktane og utfordringane som er med den delte målsettinga om at vi skal ha både beitenæring og rovvilt i Noreg. Det faktumet at det faktisk eksisterer konfliktar og utfordringar knytte til det, vil bestå, men vi kan redusere dei, handtere dei betre og førebyggje dei. Det andre er at det nok heller ikkje kan fjerne ei reell ueinigheit og ulike syn på det, som vi har sett i denne salen. Fleire av dei representantane som har vore oppe, har hatt synspunkt som ligg langt utanfor rovviltforliket. Det er lov, det er legitimt, og det er reelt. Mi oppgåve er å følgje opp det rovviltforliket som er vedteke her i Stortinget, så eksakt som mogleg – sørgje for at det vert følgt opp og ta dei utfordringane vi skulle ha med dette, vidare. Til slutt vil eg takke for ein god debatt. Eg synest det har vore ein konstruktiv tone i debatten. Det er eit viktig tema som har vorte teke opp. Eg synest òg vi har fått demonstrert av fleire representantar at debatten har gått forbi det temaet som det begynte med, nemleg forholdet mellom rovviltpolitikken og reindrifta, til å verte eit spørsmål om korleis vi skal bere vidare ein viktig kultur som ein del av historia til landet vårt og en del av framtida til landet vårt. Dermed er debatten i sak nr. 6 avsluttet. Alnabru godsterminal er navet i norsk godstransport. Terminalen ligger i tyngdepunktet for godstransporten i Oslo-området, og Alnabru er

terminal. Med finanskrisen fikk vi en naturlig nedgang i tallet på gods som ble transportert på bane. Den samme nedgangen så vi i andelen gods transportert med andre transportmidler. Forskjellen er at mens andelen gods på vei og sjø har tatt seg noe opp igjen etterpå, ligger andelen gods på bane fremdeles lavt. Samtidig blir det sagt at etterspørselen etter godskapasitet på tog i dag er større enn tilbudet. Rapporten fra NHO som heter Kvalitetssikring av konseptutredning for fornyelse og utvidelse av Alnabru godsterminal, konkluderer med at en tredobling i godstransporten på bane er urealistisk, og at Jernbaneverket har overdimensjonert Alnabru-prosjektet. Det går feil vei. Andelen gods på bane går ned, samtidig som antallet trailere på veiene våre bare øker. Denne utviklingen har pågått i mange år, til tross for regjeringens uttrykte mål om noe helt annet. Det er et politisk mål – og det er tverrpolitisk – å overføre mer gods fra vei til bane. Men for å få dette til kan bryte sammen i løpet av de neste seks–syv årene, ifølge Jernbaneverket, altså regjeringens eget organ. Kollapsen på Alnabru kan gi 300 000 flere vogntog på veiene våre per år, med referanse også til NHO Transport. Dagens tekniske anlegg på Alnabru er gammelt og slitt. Dersom terminalen ikke bygges om, vil det uansett være behov for omfattende fornyelse av anlegget i løpet av 10–20 år – uten at kapasiteten nødvendigvis vil øke av den grunn. Utnyttelsen av Alnabruterminalen er i ferd med å nå taket, i tillegg til at de jernbanetekniske anleggene begynner å bli klare for utskiftning. De er gamle, og det må gjøres En kvalitetsrapport bestilt av Samferdselsdepartementet for å se på Jernbaneverkets Alnabru-plan slår fast at utbyggingen bør skje raskere enn Jernbaneverket tidligere har lagt opp til. Samtidig sies det også i denne rapporten at utbyggingen kan skje til en langt lavere pris. Jernbaneverket har selv utviklet en godsstrategi hvor målet er at godsmengden som fraktes med tog, skal dobles innen 2020 og tredobles innen 2040. Ett godstog erstatter mellom 25 og 30 vogntog. En dobling av kapasiteten på Alnabru vil derfor fjerne hele 2 000 trailere fra norske veier hver dag. Dette tilsvarer en reduksjon i årlige utslipp på 78 000 tonn CO2 og 520 En slik overføring av godstrafikk fra vei til bane innebærer også i trafikksikkerhetssammenheng inntil 20 færre drepte eller hardt skadde i veitrafikken årlig. Dette betyr på den ene siden innsparte samfunnsøkonomiske kostnader på mellom 300 mill. kr og 350 mill. kr hvert år, og på den andre siden – for ikke å glemme det aller viktigste vil dette i tillegg representere fravær av lidelse som berører enkeltmennesker og deres familier. Veksten i trafikken som Jernbaneverkets godsstrategi legger opp til, innebærer et behov for ca. 11 km med hensettingsspor på Alnabru etter første byggetrinn. I dag er 4 av i alt 17 skinnespor på Alnabru forbeholdt CargoNet, altså den offentlige delen, og 4 det private Cargolink. Samtidig er det CargoNet som kontrollerer omlastings- og maskinparken på de fleste terminalene, samt verkstedet som også reparerer togene. Måles aktiviteten forholdsmessig, vil vi også se at aktiviteten er størst på de 4 private linjene fremfor de øvrige 13. Til sammenligning – for å få et bilde av det – vil dette si at rullebanene på Gardermoen skulle vært eid av SAS, en liten stripe av Norwegian, og alle andre selskaper som ville inn på disse stripene, måtte forespørre om lov og selvfølgelig betale for å lande. Da skjønner alle at dette i samfunnssammenheng ikke er en god løsning når vi overfører den samme logikken til Alnabru. De 17 sporene på Alnabru burde vært styrt som en fellesressurs, gjerne – eventuelt – av et modernisert jernbaneverk som kunne sikret like vilkår, fleksibilitet og ikke minst konkurranse på disse sporene. I Høyres synes vi at vi ser lite engasjement fra regjeringen på dette området som når det gjelder trafikksikkerhet, næringslivet og det private arbeidsmarked, har veldig stor betydning for Norges konkurransekraft. Jernbaneverket overvurderer, tror jeg, mengden gods som vil bli fraktet med jernbane i fremtiden. En tredobling av godstrafikken er ikke realistisk. Siden Jernbaneverket har planlagt ut fra en tredobling, har de også kommet fram til et opprustningsbehov som beløper seg til godt og vel 10 mrd. kr, pluss 3 mrd. kr for kjøp av areal og grunn, altså tomt. Om kostnaden skal være så høy, er det klart at dette også kommer i konkurranse og i prioritering med andre typer investeringer som vi sårt har behov for innenfor samferdselssektoren. Fram til nå har Jernbaneverket sett på muligheten til å tredoble kapasiteten på Alnabru. Men med en planlegging av politiets nye beredskapsbase på samme sted, er også Jernbaneverket nødt til å vurdere andre alternativer og se på den utnyttelsen som er nødvendig på Alnabru. Jeg har vært der oppe og befart området, jeg har snakket med transportører og møtt de ulike aktørene i området, og vi mener at 30 mål av tomten må gå til bruk for politiets beredskap, slik som det ser ut per i dag og med den informasjonen vi har. Samtidig vet vi det ikke, fordi detaljene om hva dette vil bety for området ikke er tilstrekkelig kjent. Fra Høyres side synes vi det er svært urovekkende at ikke regjeringen kan fremstå som hel ved, og at vi ikke får en helhetlig vurdering av hele området, slik at alle forhold er avklart i denne sammenhengen når to ulike virksomheter skal leve side ved side. Slik det nå fremstår, virker dette lite koordinert og lite samlet. Det gjøres nå en kvalitetssikring av utbyggingsplanene for bl.a. å gi tilstrekkelig sikkerhet for at rett utbyggingsalternativ og gjennomføringsstrategi for utviklingen av godsterminalen videreføres. I tillegg skal det også vurderes om politiets helikopterbase kan innpasses i området. Men uavhengig av beredskapssenteret – dette er ikke til hinder for byggetrinn 1 på Alnabruterminalen, slik vi ser det – er det et prekært behov for at en kommer i gang med fornyelsen. Det jeg lurer på, og det Høyre undres over, er hvorfor ikke regjeringen setter i gang med én gang. Direktør Enger i Jernbaneverket har til og med anbefalt at dette bygges ut som offentlig-privat samarbeid, gjerne også med Høyre mener at samferdselsministeren burde lytte til fagetaten og sette i gang byggingen av trinn 1 som et OPS-prosjekt allerede i 2013. Det er viktig at ikke usikkerheten rundt beredskapssenteret fører til en ytterligere trenering av byggetrinn 1. Det er viktig å komme i gang med dette arbeidet straks, både fordi den eksisterende terminalen har nådd kapasitetsgrensen, og fordi den vil fjerne omkring vogntog fra norske veier hver dag. Det koster mye. Investeringsbehovet på Alnabru er stort, men en kost–nytte-analyse viser også at utbyggingen vil være blant Norges mest lønnsomme samferdselsprosjekter i moderne tid. Innledningsvis er
det viktig å slå fast to ting: Regjeringens mål om å overføre mer gods fra vei til sjø og bane der det er samfunnsmessig gunstig, er ikke endret. For det andre er utbyggingsplanene for Alnabru ikke skrinlagt. Jeg er opptatt av at vi gjennomfører en utbygging på Alnabru som gir tilstrekkelig økt kapasitet, og at fornyelsen av anleggene skjer til rett tid. Situasjonen for gods på bane er et viktig tema. Jeg vil derfor prøve å gjøre rede for hva regjeringen har gjort, og hva den vil gjøre i tiden framover. Jeg vil legge hovedvekten på Alnabru, siden representanten Schou i sin interpellasjon fokuserte nettopp på denne terminalen. Alnabruterminalen er, som representanten var inne på, for godstransporten det som Oslo S er for persontransporten. Terminalen er selve navet i godstransporten på Alnabruterminalen har kapasitet nok til å ta imot en del mer gods enn det som håndteres i dag, men på lengre sikt må kapasiteten på terminalen utvides. De tekniske anleggene på Alnabru er dessuten gamle og nedslitte. Ord som «kollaps» blir veldig tabloid. Men det er klart at Jernbaneverket anslår at fornyelse av de tekniske anleggene må settes i gang før 2019. Dersom vi utsetter denne fornyelsen, vil driftsstabiliteten gå ned. Kostnadene til reparasjoner og vedlikehold vil øke. Med lavere driftsstabilitet vil også jernbanens konkurransekraft innenfor godstransport bli svekket. Et velfungerende nav er en forutsetning for å kunne nå det målet som vi har til felles, om mer gods på jernbanen. I inneværende Nasjonal transportplan 2010–2019 ble det på bakgrunn av et grovt kostnadsoverslag satt av 1 mrd. kr til oppstart av Jernbaneverket har etter flere års planlegging utarbeidet en hovedplan for et første av i alt fire byggetrinn på Alnabru. Hovedplanen forelå i 2010, og kostnadene er estimert til over 10 mrd. kr. I lys av den betydelige økningen i kostnadsanslaget som forelå, så Samferdselsdepartementet behov for en gjennomgang av de foreliggende utbyggingsplanene, i desember 2011 i gang en ekstern kvalitetssikring av utbyggingsplanene. Dette kvalitetssikringsarbeidet ble ferdigstilt første halvår i år. Den gjennomførte kvalitetssikringen viste at Jernbaneverkets hovedplan for byggetrinn 1 ville i seg selv gi en god og funksjonell godsterminal. Kvalitetssikringen stilte imidlertid flere grunnleggende spørsmål ved forutsetningene som er lagt til grunn for Det gjaldt særlig det forventede kapasitetsbehovet og hvor hensiktsmessig det vil være å maksimere kapasiteten på Alnabru. Kvalitetssikringen ga uttrykk for at Jernbaneverket har lagt planer for en terminal som er mye større enn det antakelig vil være behov for. Samlet vil byggetrinn 1–4 i Jernbaneverkets hovedplan gi om lag en tredobling av kapasiteten på Alnabru. Byggetrinn 1 vil alene gi om lag en dobling av kapasiteten på terminalen. Kvalitetssikringen som ble utført i sommer, peker i retning av at det framtidige behovet på terminalen vil være om lag det dobbelte av i dag, dvs. det tilsvarer omtrent byggetrinn 1 i hovedplanen. Så er selvsagt spørsmålet hvorfor man ikke kan sette i gang arbeidet med det planlagte byggetrinn 1 med en gang. Til grunn for Jernbaneverkets planarbeid på Alnabru har det ligget et premiss om at terminalen skal utvikles slik at kapasiteten på sikt blir tredoblet sammenlignet med i dag. Byggetrinn 1 var derfor utformet med tanke på en ytterligere utvidelse av terminalen på et senere tidspunkt. Alternativer som ikke ga denne muligheten, ble tidlig silt ut i Jernbaneverkets utredning av ulike utbyggingsalternativer på Alnabru. Premisset om en mulighet for senere tredobling kan faktisk ha ført til at mer samfunnsøkonomisk lønnsomme løsninger for å doble kapasiteten ikke var tilstrekkelig vurdert og analysert. Samferdselsdepartementet mener det er viktig å vurdere nærmere om løsningsmulighetene kunne vært utformet annerledes og rimeligere dersom et annet mål var satt som det primære fra starten av. Med byggetrinn 1 skjer utvidelsen av terminalen i ett enkelt steg, mens kapasitetsbehovet i årene framover kommer til å skje mer gradvis. Vi må leve med at det ikke er realistisk med en lineær kapasitetsutvidelse, og en oppdeling i mindre trinn av utbygging vil antakelig redusere risikoen for overinvestering i kapasitet på et senere tidspunkt. Når det gjelder etableringen av politiets beredskapssenter, type beredskapssenter på Alnabru og samtidig realisere første byggetrinn i hovedplanen – altså en dobling av kapasiteten for terminalen. Det vil imidlertid ikke være mulig å utvide terminalen utover første byggetrinn, sånn at man på et senere tidspunkt får en tredobling, som det var angitt i den opprinnelige hovedplanen. Oppsummert er det viktig å si at det er flere forhold som gjør at Samferdselsdepartementet nå har gitt Jernbaneverket i oppdrag å se på alternativer til den planlagte utbyggingen. Forventet kapasitetsbehov ser ut til å ligge for høyt og har lagt sterke begrensinger på hvilke alternativer som blir ansett som mulig og realistisk. Disse forholdene gjør at det ikke lenger er aktuelt med en tredobling av kapasiteten på Alnabru. Det har med andre ord skjedd endringer i forutsetningene etter at arbeidet med utbyggingsplanene ferdigstilt fra Jernbaneverkets side. Når de viktigste premissene for utredningsarbeidet er endret, vil det være feil bare å lukke øynene og si: Kjør på! Forventingen knyttet til utviklingen av godsvolumer på mellomlang og lang sikt indikerer etter Samferdselsdepartementets vurdering at å legge til rette for om lag en dobling av kapasiteten for godstransport med jernbane synes fornuftig. Det bør være en helhetlig ambisjon for av Alnabruterminalen. Med de foreliggende planene for byggetrinn 1 på Alnabru økes kapasiteten fra dagens i overkant av 600 000 TEU til om lag 1,1 millioner i ett sprang, mens utviklingen i etterspørselen kommer til å skje mer gradvis. Samferdselsdepartementet har derfor gitt Jernbaneverket i oppdrag å foreslå løsninger på Alnabru som innebærer en mer trinnvis utvidelse av terminalen enn det de foreliggende utbyggingsplanene legger opp til. Det skal også ses på om det er mulig å få fram rimeligere utbyggingsalternativer i lys av at terminalen arealmessig begrenses til om lag en dobling av kapasiteten. Jeg ønsker en utbyggingsplan der terminalen utvikles mest mulig i takt med etterspørselen, heller enn å bygge ut alt på en gang. Med den type tilnærming er målet å komme raskere i gang med selve utbyggingen for dermed å kunne øke kapasiteten på Alnabru tidlig i kommende Nasjonal En trinnvis utvikling vil også være hensiktsmessig dersom markedet skulle utvikle seg mer positivt enn prognosene i dag tilsier. Jeg er opptatt av at arbeidet med å videreutvikle Alnabruterminalen kan komme raskt i gang. I oppdraget til Jernbaneverket har Samferdselsdepartementet derfor særskilt bedt om en vurdering av mulighetene for tiltak i første fireårsperiode av fornyelsesbehov og forventet kapasitetsbehov i lys av dagens restkapasitet på Alnabru. Det kan være et første trinn i den mer langsiktige moderniseringen og fornyingen av terminalen. Første fase i utredningsarbeidet skal være på et konseptuelt nivå, dvs. en overordnet vurdering av mulige løsninger. Samferdselsdepartementet tar sikte på at utredningen skal kvalitetssikres eksternt høsten 2013, med sikte på videre detaljering av det valgte utbyggings- og fornyelsesalternativet fra 2014. Den kunnskapen vi nå har, bl.a. som følge av den eksterne kvalitetssikringen som ble igangsatt, har gitt behov for å stille spørsmål ved de foreliggende utbyggingsplanene for Alnabru. Den voldsomme økningen i kostnadsanslaget fra inneværende NTP til hovedplan er ett element som har forsterket det behovet. De siste årene har dessuten jernbanen fått sterk konkurranse fra billig utenlandsk veitransport. Det er derfor viktig med tiltak som kan redusere kostnadene for godsselskapene over på bane. En mer effektiv og moderne terminal er den type tiltak. Det har vært stor utålmodighet knyttet til videre utbygging av Alnabruterminalen. Jeg deler denne utålmodigheten. Vi kan ikke vente i ti år på en videre utbygging av Alnabru. Med en trinnvis og mer realistisk tilnærming er det min holdning at man kunne øke kapasiteten på Alnabru mye raskere enn opprinnelig planlagt. For øvrig vil regjeringen komme tilbake til mer konkrete tiltak i Nasjonal transportplan for perioden 2014–2023, som forsamlingen er kjent med skal legges fram for Stortinget i vårsesjonen neste år. Jeg takker for svaret fra statsråden. Jeg er